mer omfattende enn det vi ser i dag. Vi må derfor søke langsiktige løsninger for å kunne ivareta de flyktningene som kommer til Norge. Det blir replikkordskifte. Jeg vil takke statsråden for et godt og perspektivrikt innlegg. Det er ingen tvil om at det er behov for et styrket forsvar i årene som kommer. Det tilsier den internasjonale situasjonen, og vi må også større ansvar i våre nærområder. Men jeg vil egentlig be statsråden kommentere mye av det som har vært tema i salen her i dag i andre diskusjoner, og det har vært det som er denne regjeringas strategi, nemlig alltid å gå til angrep på de rød-grønne, og spesielt Arbeiderpartiet, for ikke å ønske omstilling. Hvis vi ser på de omstillingene som Forsvaret har vært gjennom de siste årene, har de vært ganske omfattende. Da vi satt i regjering, var det ikke slik at Høyre nødvendigvis stilte opp, og i de vanskelige avgjørelsene var de stort sett mot alle omstillinger. Grunnen til at det går ganske bra i dag, er jo at vi har omstilt Forsvaret mye. Så mitt spørsmål er: Er statsråden fornøyd med måten Høyre i opposisjon stilte opp på for omstillingene i Forsvaret, og hvordan vil hun bidra til tverrpolitisk enighet om de omstillingene vi skal gjennom
For det første tror jeg vi må være veldig ærlige på at omstillinga Forsvaret har vært gjennom, har vært helt nødvendig, men den har også vært ledet av skiftende regjeringer helt fra begynnelsen av 2000-tallet. Da vi sist satt med regjering, var vi også nødt til å ta noen ganske tunge og vanskelige grep, som var helt nødvendig for at Forsvaret er der det er i dag. Så gjenstår det utfordringer. Jeg er veldig klar på at det vi nå står overfor, den krevende situasjonen og ikke minst det utfordringsbildet vi ser foran oss, som ikke kommer til å bli mindre i månedene og årene framover, gjør at vi må søke sammen i brede løsninger. Det kommer jeg også til å legge opp til. Vi hadde en god presentasjon fra forsvarssjefen på torsdag, der han la til grunn hva han mener er nødvendig. Så skal vi ha en politisk prosess der forsvarssjefens fagmilitære råd i tillegg til flere andre innspill kommer til å være viktig for hva vi til slutt presenterer for Stortinget, og der ønsker vi som sagt en bred politisk enighet. Nylig kom Institutt for forsvarsstudier ut med en bok som beskriver omstillingen i Forsvaret siden 2000, som viser at på begynnelsen av 2000-tallet brukte Høyre all energi på å være imot omstillingene. Så kom de selv i regjeringsposisjon og ønsket oppslutning fra bl.a. Arbeiderpartiet i Stortinget, og vi stilte opp for omstillinga i Forsvaret, men da man selv satt i opposisjon, var man nærmest mot alt. Så det er veldig viktig nå at vi får en bred enighet, men at også regjeringa tar ansvar på sin vakt. For en ting er å peke bakover og si hva som ikke har fungert før, men det er like ansvarsløst å peke framover og si at alle andre i framtiden skal løse Forsvarets utfordringer. Hva vil statsråden gjøre for å ta større ansvar for å styrke Forsvaret på sin egen vakt? Nå har vi fått et fagmilitært råd som tilsier at man ikke må effektivisere slik statsråden la opp til i forrige års budsjett, med et kutt på over 100 mill. kr. Hva gjør statsråden for å øke Forsvaret og styrke Forsvaret på sin egen

fire år var det realnedgang. Så utgangspunktet var at vi måtte øke relativt mye, og det vil vi se at vi også fortsetter med. Det har vært viktig for oss også å understreke at Forsvaret må fortsette å ta sin del av ansvaret med å bruke pengene mest mulig effektivt. Derfor legger også forsvarssjefen til grunn for sitt fagmilitære råd at det også vil bli reduksjoner i bl.a. stabs- og støttefunksjoner – han foreslår i alle fall det vil effektivisere driften sånn at de pengene vi legger inn til Forsvaret, skal brukes på en best mulig og mest mulig effektiv måte. Det må gjelde for Forsvaret som for alle andre sektorer. Og når forsvarssjefen så tydelig har lagt det til grunn i sitt råd, er det fordi han mener at det fortsatt kan være mulig. Eg vil òg takke for det gode innlegget. innlegget. Eg trur det var statsrådens eigne ord at me no har eit krevjande sikkerhetsbilete, m.a. det me no ser, Russlands inntog i Syria-konflikten, og det er vurderinga av det eg ønskjer å utfordre statsråden på. Me har allereie no, òg i Noreg, fått ein debatt om me må godta eit visst for å vinne fram i kampen mot IS, eller ISIL. Eg vil gjerne utfordre statsråden på kva ho tenkjer om det. Så veit me at andre, m.a. Kai Kverme, som er Midtøsten-forskar, òg har vore tydelege på at så lenge USA og Russland stør ulike partar i Syria, er det vanskeleg å sjå ei avslutning på den borgarkrigen som
Det er et veldig godt og betimelig spørsmål. Som jeg var litt inne på i mitt innlegg om russisk handlemåte overfor Ukraina, og i Ukraina, er det også på dette området skapt betydelig usikkerhet om hva som er russiske intensjoner. Det gjør også bildet vanskeligere å lese. Det er flere mulige forklaringsfaktorer. Én mulighet er å søke å opprettholde en innflytelse i Midtøsten, det andre er å søke å støtte Assad og Assads regime. Vi skal huske på at våpensalg til Syria har vært en viktig inntektskilde for Russland i mange år og er det fortsatt. Det å trekke oppmerksomhet vekk fra Ukraina kan også være et motiv i tillegg til innenrikspolitiske motiver. Det som er faremomentet etter min oppfatning er nettopp at det som nå skjer, kan bidra til å eskalere konflikten ytterligere fordi man ser at angrepene nå skjer – ut fra det åpne kilder rapporterer, i hvert fall – på langt flere enn ISILs stillinger. Det skjer også mot Den frie syriske hær og andre moderate opposisjonsgrupper, som da kommer til å trekke bl.a. Saudi-Arabia og Tyrkia tettere inn i konflikten for å søke støtte fra dem. Så dette er en meget eksplosiv situasjon, som dessverre kan se ut til å eskalere. Takk til forsvarsministeren for eit, som vanleg, godt innlegg. Forsvaret er støtte fra dem. Så dette er en meget eksplosiv situasjon, som dessverre kan se ut til å eskalere. Takk til forsvarsministeren for eit, som vanleg, godt innlegg. Forsvaret er inne i ei ny tid med heilt andre sikkerheitspolitiske utfordringar for landet vårt enn det me såg då førre langtidsplan vart lagd fram. Derfor er det vel ikkje heilt relevant, heller, å snakke om budsjettet korkje frå den raud-grøne regjeringa eller frå Bondevik-regjeringa, for ein hadde ein heilt annan situasjon enn det ein no har. Men sjølv i den situasjonen, då det var behov for omstillingar og det vart gjort omstillingar, var ikkje fleirtalet i komiteen i førre periode oppteke av å gjere dei store endringane. Eg måtte setje meg ned og lese innstillinga – det kan alltid vere nyttig – og då las eg m.a. om Heimevernet. Og fleirtalet, som då bestod av Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti, var veldig oppteke av å styrkje Heimevernet

det utgangspunktet vi starter med, fordi det handler om ubalanser og vedlikeholdsetterslep som har bygd seg opp over år, og som vi nå må ta fatt i for å komme opp på det operative nivået som den inneværende langtidsplanen ønsker at vi skal ha. Det er jo nettopp de økonomiske grunnforutsetningene som var noe av årsaken til at det ikke ble enstemmighet eller et bredere flertall for den inneværende De diskusjonene som vi den gangen hadde bl.a. om Sjøheimevernet, er diskusjoner vi nå skal gå inn i med full tyngde ut fra det forsvarssjefen har levert. Og som jeg var inne på, både i mitt forrige svar og også på torsdag da det fagmilitære rådet kom, så er forsvarssjefens fagmilitære råd et helt sentralt og viktig dokument. Men vi har også andre dokumenter og andre vurderinger og analyser som skal legges sammen oppå dette, og vi skal ha en god og grundig politisk behandling både i Stortinget og i offentligheten.

Sjøl om vi klarer å holde jobbene klart fra hverandre, hvordan skal vi klare å samordne den innsatsen og det som vi bidrar med til det landet, med den strukturen vi har i dag, og hvordan skal det norske forsvaret klare å samordne den humanitære innsatsen sånn at vi når de målene som vi ønsker oss med vår

av de utfordringene, og det utfordringsbildet, som er. Likevel er det verdt å merke seg at afghanske sikkerhetsstyrker nå ser ut til å være mer kapable enn for en stund siden. For oss er det viktig å bidra til at det vi gjør, går inn i en helhet. Det har lenge ligget til grunn en oppfatning og en måte å arbeide på som sier at man skal skille ganske klart mellom sivil og militær innsats. Dette er også et av de områdene som det regjeringsoppnevnte Afghanistanutvalget skal gå inn i, for å se på hva som fungerer og ikke. Men vi ønsker, som vi har redegjort for også i den utvidede utenriks- og forsvarskomité, å fortsette med våre rådgivere som bidrar til den afghanske spesialpolitienheten, og vi ønsker også å videreføre det økonomiske bidraget vårt, nettopp fordi vi ser at både finansiering av sikkerhetsstyrker, stabilitet og økonomisk forutsigbarhet i Afghanistan kommer til å være avgjørende framover. Ettersom jeg klarte å telle at det var én replikk igjen, har jeg muligheten til

at folk begynner å bevege seg. Vi ser nå det presset som kommer fra Syria, på samme måte som vi ser andre ustabile land rundt oss, som f.eks. Ukraina, som også kan føre til en flyktningsituasjon som da vil påvirke de østeuropeiske landene veldig sterkt. Så jeg lurer på om forsvarsministeren har noen

helsetilstanden i europeisk politikk på en del områder, og særlig gjelder det polarisering av den politiske debatten. Vi ser strømninger på begge ytterfløyer som vi kanskje hadde håpet var borte. Jeg mener at det at mennesker er på flukt, er ikke i seg selv et sikkerhetsproblem. Mennesker har mulighet til, og skal ha mulighet til, å flykte, og de skal ha mulighet til å søke asyl, men i mange land ser vi hvordan det presset kommer på toppen av en allerede polarisert politisk situasjon, og dermed bidrar til å skape strømninger som vi helst ikke ønsker å se. Det er, og kan være, en betydelig utfordring. Vi ser jo også nå hvordan det at konflikten i Syria kan komme til å eskalere ved den russiske inngripen, kan komme til å eskalere ved den russiske inngripen, kan gjøre at flyktningstrømmene fra nabolandene, dit mennesker fra Syria har flyktet, også kan begynne å bevege på seg, fordi man ser enda mindre framtidshåp i Syria. Så dette er en ganske komplisert situasjon. Replikkordskiftet er omme. Vi er vant til

Nå er Europa i ferd med å komme sakte, men sikkert tilbake. BNP-veksten tar seg forsiktig opp, i hvert fall i de fleste land, ledigheten faller nesten overalt, og igjen er Norge annerledeslandet, men nå med et annet fortegn. Vi er et av få land hvor ledigheten stiger. Fortsetter utviklingen som nå, er det ikke lenge igjen før Norge har høyere arbeidsledighet enn Tyskland, og jeg tror det er få som hadde sett for seg det for bare ett år tilbake, da vi sto her i denne salen og hadde trontaledebatt sist. Situasjonen vi står oppe i nå, har noen fellestrekk med, men også store forskjeller fra, det vi møtte i 2008 og 2009. Ser vi bak de grove ledighetstallene, er det ingeniørene som driver veksten i ledigheten, og det er stort sett på Vestlandet det skjer. Så dette er, til forskjell fra 2008, sektorspesifikt, og det er geografisk spesifikt, i hvert fall foreløpig. Det oljeprisfallet som oppleves som en krise for oljeindustri og leverandørindustri på vestlandskysten, tar med seg et kronekursfall, som gir økte investeringer og fornyet optimisme i andre deler av fastlandsindustrien. fastlandsindustrien. Når enkelte er bekymret for at det budsjettet som legges fram om et par dager, skal bli for ekspansivt, er det ut fra en bekymring for at den enorme gevinsten som det kronekursfallet fører med seg, skal settes i spill. Når jeg hører av den typen som representanten Nordby Lunde holdt, blir jeg ekstra bekymret, for hennes resonnementer legger jo til grunn at jo mer penger regjeringen bruker, jo mer har regjeringen gjort for å møte ledigheten. Det er en grov feilslutning. Det som trengs, er målrettede tiltak rettet mot dem som mister jobben, mot de næringene som virkelig strever, og selvfølgelig tiltak for å sikre den langsiktige omstillingsevnen. Vi må gjøre det som faktisk virker.

Når regjeringen svekker arbeidstakernes rettigheter, kaller de det omstilling. Når de kutter skattene for de rikeste og gjentar og gjentar at dette øker investeringsviljen, når de får rapporter som viser at det ikke stemmer, kaller de det omstilling. Når de vil ha søndagsåpne butikker, er det også omstilling. Det er feil bruk av ordet. Omstilling har Norge lyktes med i mange tiår. For bedriftene er det en kontinuerlig prosess, ofte i samspill med det offentlige. Derfor vil vi føre en aktiv næringspolitikk for å legge til rette for den omstillingen. Så vil vi ikke minst sørge for at folks omstillingsevne – hver og en av oss – fortsatt er høy, gjennom å sørge for små forskjeller og jevn fordeling. Jeg har hørt enkelte regjeringsrepresentanter kalle det for fordummende å snakke om fordeling. I trontalen la regjeringen faktisk vekt på betydningen av en jevn fordeling for å sikre langsiktig omstilling. Jeg var sikkert ikke den eneste som la merke til at statsministeren i FN, i en setting hvor det handlet om rettferdighet og fattigdomsbekjempelse, tok til orde for å redusere forskjeller bl.a. gjennom å bruke skattesystemet. Det er mitt håp at dette målet om å redusere forskjeller og sikre folks mulighet til å makte omstilling, også preger det budsjettet vi får oss forelagt om to dager at det blir et budsjett som legger de store virkningsløse, generelle skattekuttene til de mest velstående til side, og som går målrettet inn med tiltak rettet mot de delene av næringslivet og de menneskene som trenger det. I fjor var det et hav av avstand mellom de honnørordene som også den gangen fantes i trontalen om jevn fordeling og de økonomiske realitetene vi så da budsjettet ble lagt fram. Kombinasjonen av enorme lettelser til de mest velstående og smertefulle kutt som rammet noen av de svakeste, satte i gang en reaksjon ute blant folk som jeg tror må ha rystet regjeringspartiene også. På onsdag får vi vite om statsministerens ord i FN faktisk betyr noe, eller om det bare var noe hun sa fordi hun befant seg langt unna den norske politiske debatten. Høyre er

og vi har store naturressurser både på land og i havet. Men vi har også noen utfordringer. Det er dyrt å drive virksomhet i Norge. Vi har et høyt kostnadsnivå. Vi har et høyt velferdsnivå som vi gjerne vil opprettholde, og vi har noen særnorske skatteregler som gjør det vanskelig for norske bedrifter å konkurrere i et krevende marked. Hvorfor skal utenlandske investorer som investerer i Norge, slippe samtidig som denne skatten begrenser norske investorers mulighet til å investere i norske bedrifter? Mye går bra i norsk næringsliv. Samtidig ser vi at arbeidsplasser i olje- og gassindustrien forsvinner. Selv om verden vil trenge olje og gass i mange år framover, er det åpenbart at vi må omstille oss i en mer miljøvennlig retning. Nye næringer vil se dagens lys, og vi ser et stort potensial i bl.a. bioøkonomien og i den havbaserte næringen. I år etter år ble norsk økonomi mer og mer avhengig av oljen. Når oljeprisen synker, betaler vi prisen for at den forrige regjeringen valgte den enkle løsningen i mange år. De kjørte videre i de samme sporene, uten omstilling. Det er ikke regjeringens feil at oljeprisen faller. Det var heller ikke den rød-grønne regjeringens feil at finanskrisen kom. Men det er de rød-grønnes ansvar at de ikke startet den nødvendige omstillingen i løpet av de åtte årene de styrte. Kortsiktige grep for å håndtere økt ledighet er viktig, men enda viktigere er det å omstille og ruste landet for framtida og sikre at kritisk kompetanse ikke forvitrer og forsvinner. Vi trenger flere bein å stå på, og vi trenger flere levedyktige bedrifter. Derfor gir vi skattelette slik at næringslivet kan bruke pengene på å skape de nye arbeidsplassene, i motsetning til Arbeiderpartiet som vil tilbake til et skattenivå fra tida da oljeprisen og oljeaktiviteten var rekordhøy. Dette er åpenbart feil medisin og heller ikke det bedriftene etterspør. Bedriftene ber om forenkling av regelverk, mer forskning, tilrettelegging for omstilling og rammebetingelser som gjør at de kan løfte fram de nye ideene som kan gi oss de varige arbeidsplassene framover. Vår regjering har redusert skatter og avgifter med 15 mrd. kr siden 2013. For næringslivet er særlig redusert bedriftsskatt, redusert formuesskatt, utvidelse av SkatteFUNN-ordningen og forenklinger i merverdiavgiften viktige bidrag. Dette gir bedriftene bedre muligheter til å skape overskudd som igjen kan investeres i bedriftene. Vi må øke konkurransekraften. Derfor satser vi på skolen. Vi gjennomfører tidenes lærerløft, og vi satser på lærlingordningen – begge deler for å sette våre barn og unge bedre i stand til å bidra i framtida. Vi satser på forskning og utvikling. Det er bevilget 1,5 mrd. kr mer innen dette feltet enn da de rød-grønne styrte. Noen av midlene er innrettet mot å ivareta behov spesielt på Sør- og Vestlandet, som er sterkest berørt av oljeprisen. Vi styrker satsingen gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SkatteFUNN. Vi øker tilgangen på risikokapital både i form av såkornfond og presåkornfond, og vi styrker Brukerstyrt innovasjonsarena, Enovas klimateknologifond og Innovasjon Norges miljøteknologiordning. Vi har en historisk satsing på vei og jernbane og ser for første gang på mange år at vi også begynner å ta igjen etterslepet på vedlikehold i denne sektoren. Dette og mye mer vil bidra til at næringslivet kan skape de nye og framtidsrettede arbeidsplassene vi trenger, som kan gi arbeid og trygghet til folk. Høsten 2014 mente Arbeiderpartiet at pengebruken i statsbudsjettet var «for mye og for tidlig». I revidert budsjett bare et halvt år senere mente Arbeiderpartiet at pengebruken var «for lite og for sent». Det er vanskelig å ta denne kritikken på alvor. At oljeprisen faller, har verken dagens eller forrige regjering ansvar for, men Arbeiderpartiet har et særlig ansvar for at de ikke sørget for å starte en omstilling som alle så måtte komme. som alle så måtte komme. Trontalen bar tydelig preg av at Norge står overfor utfordringer i året som kommer. At oljeprisen har gått ned, har medført at flere har mistet jobben, og mange føler usikkerhet for både jobb og inntekt. Talen viste også at regjeringen tar tak og viser handlekraft. Fremskrittspartiet mener at investeringer i samferdselssektoren, gode rammevilkår for næringslivet, kutt i skjemaveldet en god utdannings- og forskningssektor er grunnsteinene i velferdssamfunnet og en forutsetning for å trygge arbeidsplasser og verdiskaping. Med Fremskrittspartiet i regjering ser vi hver eneste dag forenklinger, skatte- og avgiftskutt og forbedringer i rammevilkårene for næringslivet. Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil fortsette å arbeide for dette. Fremskrittspartiets gjennomslag i regjeringens utdanningspolitikk er nå svært tydelig. I yrkesfagløftet og realfagsløftet iverksettes det en rekke tiltak som Fremskrittspartiet har jobbet for i årevis. Også i satsingene på næringsforskning, i strukturmeldingen og i den marine strategien er det mye gjenkjennelig fremskrittspartipolitikk. Slik legges det til rette for utvikling og vekst for dagens og fremtidens velferdssamfunn. Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfagene og bekjempe et uakseptabelt høyt frafall. Dette gjøres nå gjennom å tillate alternative opplæringsløp, som f.eks. praksisnære Praksisbrevordningen utvides, man videreutvikler tilbudet til elever som vil kombinere fagbrev og studiekompetanse, f.eks. tekniske allmennfag, det gjennomføres yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, man styrker muligheten for at yrkesfagelever kan veksle mellom opplæring i skole og bedrift, og man styrker Videre har regjeringen økt lærlingtilskuddet med til sammen 10 000 kr per lærling siden vi tok over. Det er også iverksatt kompetansetiltak for yrkesfaglærere, der stadig flere får anledning til å hospitere i næringslivet. Norge må ha gode utdanningstilbud i alle ledd, fra barnehage og grunnskole til fagskoler, universiteter og voksenopplæring. Norge som kunnskapssamfunn er komplett avhengig av at elevene fra grunnskolen får tilegnet seg kunnskap til å mestre utfordringene de møter i yrkesutdanninger, studier og i arbeidslivet. Realfagsløft, lærerløft og andre kvalitetsfremmende tiltak, fleksible vekslingsordninger, bedre lærlingordninger, økt dialog og samarbeid med næringslivet, praksisretting – alt dette bidrar til økt kvalitet i skolen. Vi får mindre frafall, flere kvalifiserte elever som blir motivert til å bli dyktige fagarbeidere, akademikere og forskere. Dette gjenspeiles i regjeringens økte satsing på forskning og høyere utdanning og det særlige fokuset på ingeniør- og realfagsstudier, innovasjon og næringsforskning – og innovasjon er igjen en forutsetning for fremtidens verdiskapende virksomheter. Norges verdiskapende næringer er kompetansebaserte, og dette vil bli enda sterkere i fremtiden. Olje og gass, fornybar energi, maritim/offshore og marin, finans og IKT er verdidriverne som skal sikre fremtidens velferdssamfunn. Det er ulike bransjer, men alle har én ting til felles: ting til felles: De bygger på realfagskunnskap. Verdiskapingen vi er avhengig av, står og faller på gode realfagskunnskaper. Mange norske elever har i dag store problemer med realfagene, spesielt matematikk. Fremskrittspartiet har lenge påpekt denne utfordringen og er glad for at regjeringen er tydelig, offensiv og praktisk i sine tiltak for å få realfagskunnskapene opp på et nivå som «verdens rikeste land» kan være bekjent av. I etter- og videreutdanningstilbudet til lærerne legges det særlig vekt på matematikk og naturfag. De gode lærerne skal bli enda bedre, og det innføres karakterkrav til lærerutdanningene, slik at både status og kompetanse heves. Noen hevder at solid finansierte offentlige universiteter er det viktigste for å få innovasjon. Andre mener at det er i gründermiljøene at innovasjonen foregår. Andre igjen mener det er de store bedriftene som driver innovasjonene fremover. Vi i Fremskrittspartiet mener de har rett alle sammen. Derfor er vi glade for at det satses på bred front for å styrke Norges innovasjonsevne og fremtidige verdiskaping. Vi lever i spennende og utfordrende tider.

fra krigs- og konfliktsoner via Italia og Hellas, og det angår oss. Norsk historie forteller om liknende tilstander i vårt eget folk. Jeg har møtt Shetlands-Larsen, som seilte 52 ganger over Nordsjøen med livredde nordmenn. I sommer fikk jeg, på invitasjon fra Jødisk Museum i Oslo, oppleve Carl Fredriksens Transport fra Oslo til Sverige. Om lag 50 000 nordmenn hadde bruk for loser og assistanse for å rømme fra nazistisk terror og forfølgelse over til Sverige. I Finnmark og Troms ble sivile tvangsevakuert og deportert til ukjent internflukt, ca. 50 000 bare fra Finnmark. Fra samme tidsrom har vi en problematisk historie med deportasjon av jøder. I forrige uke fikk jeg selv oppleve å overvære mottakelse av flyktninger på Sicilia og Lampedusa. Som en anstendig og sivilisert nasjon har Norge et ansvar – ja, plikt – til å stille opp for mennesker på flukt. Denne situasjonen kan bare løses ved internasjonalt forpliktende samarbeid, der alle land bidrar. Dette gjelder både i det langsiktige arbeidet med å bekjempe årsakene til flukten og til på kort sikt å utvide FNs kapasitet for hjelpearbeid i nærområdene og i mottaket av flyktningene som kommer til Europa. Kristelig Folkeparti mener at vi må styrke dette akutte hjelpearbeidet, fortrinnsvis ved samtidig å opprettholde bevilgninger til bistandsarbeid som kan motvirke flukt. Nå må vi være oppmerksom på flere aspekt samtidig. Vi må fornye mottakssituasjonen og forbedre bosettings- og integreringspolitikken i eget land. Vi er derfor glad for at vi nå, i samarbeid med regjeringen, også starter arbeidet med å utvikle en ny og bedre

hvordan vi møter medmennesker. Det er like mye opp til oss hvordan vi tar imot medmennesker i våre lokalsamfunn, lag og organisasjoner, menigheter og naboskap. Hver enkelt av oss kan utgjøre en forskjell for våre nye medborgere og bidra til god integrering. Jeg kan kanskje minne om våre forfedre, som hadde opplevd krigen, i det der mange lokalsamfunn tok imot flyktninger fra Ungarn på en varm og forbilledlig måte. Relasjoner endres fort når vi kjenner et navn, sier hei i butikkøen, får høre deres livshistorie over en kopp kaffe i hjemmene våre. Slike nære sosiale kontaktpunkt er viktig for alle mennesker, og særlig for dem som har flyktet fra sitt hjemsted, familie og venner. Det gir holdepunkt og grunnlag for god integrering. Jeg er derfor stolt av å se det engasjementet frivillige har vist i denne situasjonen. Norges befolkning sier ja både til å ta imot flyktninger og til å bidra til at flyktningene blir ønsket velkommen. Vi har i år sett en sterk økning i antall enslige asylsøkende barn som kommer til landet. Denne gruppen er ekstra sårbar og trenger god omsorg og beskyttelse. Så langt i år har 18 barn forsvunnet fra norske asylmottak, i fjor var tallet 42. Slik kan vi ikke ha det. De fleste er i alderen 15–18 år og er dermed under UDIs ansvar. Disse plasseres i dag i egne avdelinger på asylmottakene, og UDI skal sørge for at de får oppfølging og hindre slike forsvinninger. I 2007 ble omsorgsansvaret for enslige asylbarn under 15 år overført fra UDI til barnevernet. Dette bør nå gjøres for barn mellom 15 og 18 år. Jeg fremmer derfor herved på vegne av Kristelig Folkeparti et forslag om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en sak om å forbedre omsorgen for disse ved å overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet. Dette vil sørge for at barna får et godt og trygt omsorgstilbud, der det er barnefaglig kompetanse og en vil kunne følge opp barna bedre, slik at de blir gode borgere i landet vårt. Da har representanten Geir Sigbjørn Toskedal tatt opp det forslaget han refererte til. Både i trontalen og i debatten i dag har dagens økonomiske situasjon vært tatt opp. Jeg er

og at det pekes på ulike løsninger. Både kortsiktige og langsiktige løsninger er nødvendige. Flere har snakket om det grønne skiftet som er helt nødvendig. Det er jeg enig i. Flere har også snakket om kortsiktige motkonjunkturtiltak, som også kan bidra i den situasjonen vi er i nå. Men noe som alltid er viktig, ikke minst i de nedgangstidene som vi ser nå, er å satse på kunnskap og utdanning. Trontalen vier ikke mye tid til dette temaet, men det er et område som regjeringen har satset på tidligere, så vi har store forhåpninger når statsbudsjettet legges fram onsdag. Jeg mener at vi startet noe veldig positivt i forrige budsjett. Da fikk Venstre gjennomslag for at det skulle settes av 50 mill. kr til stipender til såkalt Det endte med at 750 personer har fått stipender. Disse stipendene er fordelt på PPU, PPU-Y og yrkeslærerutdanningen. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på den satsingen, tilbakemeldinger som gjør at det er viktig at vi følger dette opp i de budsjettene som kommer framover. Jeg håper derfor at Norge skal få flere stipender – for å få flere over i læreryrket og kvalifisere de lærerne som allerede er i skolen i dag. Flere har over tid også pekt på at det er behov for flere i yrkesfagene. Nå står vi i en situasjon der det er mange som er aktuelle til sånne jobber, og som med den rette utdanningen på plass godt kunne tenke seg å gå inn i skolen. Det er en interessant og givende jobb, skoler der ute som trenger disse kvalifiserte lærerne. I Venstre er vi også opptatt av å finne gode løsninger på folks reelle problemer. Da må vi våge å tenke litt nytt. Vi har tatt til orde for å prøve ut gratis SFO, i første omgang som prøveprosjekt for å få noen viktige erfaringer. Allerede nå ser vi at de få prøveprosjektene med gratis SFO melder om høy deltakelse og om positive tilbakemeldinger om at det er med gratis SFO melder om høy deltakelse og om positive tilbakemeldinger om at det er et attraktivt tilbud. For oss handler det først og fremst om å se på skolehverdagen som en helhet. Er det helt sikkert at den beste måten å organisere hverdagen til barn på er den måten vi gjør det på i dag – som er den samme måten som vi har gjort det på i årevis? Resten av verden har gått framover, har forandret seg, men organiseringen av skolehverdagen den alltid har vært. Gratis SFO har mange fordeler. Det gjør SFO tilgjengelig for alle, ikke bare for dem som har råd til det. Barn i fattige familier kan på lik linje med andre unger delta i aktiviteter som er ganske vanlige etter hvert. Forsøket her i Oslo viser at hvis tilbudet er gratis, ønsker folk at ungene skal delta. Det gir oss rom for å se på skolehverdagen som en helhet, det gir

Det gir oss også en mulighet til å se på fritidsaktivitetene og andre ting som kan legges inn i skolehverdagen. Jeg er sikker på at mange likeså godt kunne benyttet seg av kulturskolens tilbud hvis det ble gitt i SFO. Jeg tror det kunne vært positivt både for familien – som får mer fritid på kveldene – og for dem som jobber i kulturskolen, å bli ferdig om dagen. Vi kan også se for oss at vi kan få inn en litt mer systematisert jobbing rundt fysisk aktivitet i skolen. Så er det klart at det frivillige organisasjonslivet som vi har i dag, skal vi fortsatt ha. Det er vi stolte av, og det skal vi verdsette. Men vi må kunne tenke noen nye tanker. For oss er det viktig at vi ikke lar gamle prinsipper stoppe nytenkning på skoleområdet. Skole handler først og fremst om utdanning, men det handler også om å gi alle barn de samme mulighetene til å utnytte sitt potensial. Det handler om å gi unger sosial mobilitet.

La meg starte med den alvorlige flyktningsituasjonen. Jeg er svært glad for at stortingsflertallet før sommeren tok ansvar for et bredt forlik, et forlik hvor en i utgangspunktet tar imot flere flyktninger for å gi beskyttelse og å gi rom for at man i større grad skal kunne leve et tryggere liv i Norge. Forliket preges av medmenneskelighet, hvor vi fører en human, rettferdig og konsekvent flyktningpolitikk. Slike brede forlik er helt nødvendig, og er med og former våre menneskelige verdier inn i en framtid, en framtid som vi kan oppleve blir enda mer urolig, og en framtid hvor mange flere kanskje velger å legge ut på flukt for å unngå krig og forfølgelse eller for den saks skyld flukt fra klimaendringer. Som en svart kontrast til forliket fra før sommeren står Fremskrittspartiets leder og landets finansminister Siv Jensens oppfordring til kommunene om boikotting av bosetting av flyktninger. Gjennom den boikotten har finansministeren et bevisst ønske om å spre frykt om at vi ved å hjelpe andre selv vil miste mye, samtidig som budskapet bygger opp under individualismen og at selvgodheten skal styre menneskets sinn, og hvor man til slutt er seg selv mer enn nok. Dette er en lite verdig opptreden fra Norges finansminister. Finansministeren bør absolutt komme til Stortinget og svare i løpet av denne debatten på det spørsmålet Jonas Gahr Støre bl.a. tok opp tidligere i dag. Den andre store saken er arbeidsledigheten. Det er grunn til bekymring. Arbeidsledigheten har ikke vært så høy som nå på 20 år. Det er Vestlandet som rammes, og i Rogaland har arbeidsledigheten økt med 70 pst. på ett år. Vi har over lang tid fra opposisjonens side tatt opp saken med regjeringen og sagt at vi tror at det som ligger framfor oss, er verre enn det regjeringen legger til grunn. nå i oktober. Vi fikk til svar hver gang vi tok opp temaet, at regjeringen fulgte situasjonen tett, og sågar kunne vi lese i Dagbladet allerede 8. januar i år at statsministeren hadde en form for «hemmelig kriseplan» mot lav oljepris. Realiteten er at regjeringen er på etterskudd. Det har ikke vært framlagt noen plan for å møte den tiden vi nå befinner oss i når det gjelder arbeidsmarkedet. Vi ville sette i verk tiltak for dem som mister jobben. Vi foreslo en ungdomspakke her tidligere i år. Da hørte vi fra finansministeren at hun ikke trodde det var behov for det. Det er synonymt med det som er svaret fra regjeringen: De tviler på tiltak. Vi vil bruke handlefriheten, og det er viktig at vi gjør det nå, for å sørge for at bedriftene i utsatte sektorer kan håndtere situasjonen. Derfor foreslo vi tidligere i dag en styrking av permitteringsordningene, som vil bidra til at bedriftene kan holde på kompetansen i en krevende tid. Jeg håper at stortingsflertallet skjønner betydningen av en sånn type forslag opp mot de bedriftene som nå har krevende tider. Vi har foreslått en lang rekke tiltak for å stimulere til en grønn omstilling og nye arbeidsplasser. Jeg skal ikke nevne hele listen, men forslagene er mange. For regjeringen har omstilling blitt et men det er vanskelig å se hva de faktisk legger i ordet omstilling. Vi er for omstilling – kontinuerlig omstilling – og det er også omstilling som har preget hele vår moderne historie. I Norge kjennetegnes næringslivet, tror jeg, ved at vi er gode på å omstille. Da må vi legge et fundament for det og definere det, og jeg håper at statsbudsjettet faktisk er med på å ramme inn hva som menes med omstilling. Til slutt skulle jeg ha nevnt klima, men i trontalen står det omtrent ingenting om klima og klimautfordringene. Jeg skal nøye meg med å si at veien videre i klimaarbeidet er det viktig at vi står sammen om. Begrepet «omstilling» og hvem som begynte å snakke om det tidligst og best, har preget denne debatten i dag. Representanten

Vårt største kollektive ansvar som politikere er feilgrepet at vi ikke parallelt med denne veksten benyttet vårt enorme handlingsrom til å bygge flere bein som Norge kunne stå på. Og det er et ansvar først og fremst Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen må ta, all den tid de satt i en regjering som hadde et handlingsrom ingen annen regjering tidligere hadde hatt til å ruste Norge for fremtiden. Men de grep ikke muligheten. Høyre har lenge forsøkt å advare mot den sterke todelingen av norsk økonomi, men vi ble avfeid. Nå står vi midt oppe i konsekvensene. I 2011 fremmet Venstre et forslag om å opprette en grønn skattekommisjon for å utrede en omlegging av skattesystemet i grønn retning og styrke vår konkurransekraft i et grønt perspektiv. Det var et godt forslag, og det fikk Høyres støtte i Stortinget. Men Arbeiderpartiet var skeptisk. De De kalte forslaget «litt underlig», og stemte det ned. De hevdet at dette arbeidet allerede var i gang. Om det var tilfellet, er det merkelig at Arbeiderpartiet i dag tegner et skremmebilde av at regjeringen og Norge på ingen måte har satt i gang arbeidet med å omstille oss til en grønnere og mer oljeuavhengig økonomi, og at Norge henger etter. Ja, Norge henger etter. Det er til dels riktig, men det er en tilstand Arbeiderpartiet må ta en stor del av æren for. Siden sin første dag i regjering har regjeringen vært opptatt av å ha riktige og gode svar for å løse viktige oppgaver i dag. Samtidig jobber vi for å ruste Norge for fremtiden. Faktisk å opprette en grønn skattekommisjon er en del av dette arbeidet. Arbeid, aktivitet og omstilling er nøkkelord som må prege den politiske debatten i Norge fremover. Og det er spesielt to store utfordringer Norge står overfor i året som kommer. Den ene er å bidra til å sikre en forpliktende internasjonal klimaavtale i Paris i desember, slik at vi og verden kan bevege oss i en grønnere retning. Det grønne skiftet er i full gang i Norge, og vi går en grønnere økonomi i møte. Denne omleggingen har regjeringen, i godt samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre, jobbet kontinuerlig med siden vi overtok regjeringskontorene. Vi har bl.a. derfor styrket Klimateknologifondet betraktelig satt i gang en rekordstor satsing på kollektiv- og jernbaneutbygging økt vår internasjonale satsing på bevaring av regnskog bedret rammevilkårene for fornybar energi stimulert til en grønnere skipsflåte Og vi skal fortsette satsingen fremover. Den andre store utfordringen er å trygge norske arbeidsplasser for fremtiden. Akkurat nå er det mange familier, ikke minst i mitt hjemfylke, som befinner seg i en svært krevende situasjon. Kanskje har mamma mistet jobben, og kanskje er pappa i fare for å miste sin. I august besøkte jeg en stor messe i Stavanger som ble kalt Mulighetsmessen. Den var et samarbeid mellom fylkeskommunen og Nav i Rogaland, og over 3 000 arbeidsledige mennesker var innom på let etter nye muligheter. Mange av dem var unge. Det gjorde et sterkt inntrykk på meg. Det er ingen tvil om at fallet i oljeprisen har rammet deler av Norge hardt. For dem som nå mister jobben, er det en personlig krise. Vår viktigste oppgave som politikere må derfor være å gjøre det vi kan for å hjelpe dem som står uten arbeid, inn i nytt arbeid. Det handler på den ene siden om å bøte på situasjonen med raske tiltak, som f.eks. et utvidet permitteringsregelverk, flere tiltaksplasser, flere studieplasser og egne satsinger for unge ledige og lærlinger. Samtidig må vi jobbe for å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe. oppe. I tillegg har regjeringen varslet en egen pakke for verftsindustrien, som er spesielt utsatt. På den andre siden handler det om å trygge gjenværende arbeidsplasser for fremtiden og samtidig legge til rette for at nye kan skapes. Arbeid er grunnbjelken i vår velferdsstat, og vi må forberede oss på en fremtid hvor olje- og gassektoren nok vil utgjøre en mindre del av den totale økonomien og sysselsette færre enn i dag. Kompetansen i denne industrien er uvurderlig. Vi må sørge for at vi klarer å bevare og foredle denne kompetansen, og også ta den i bruk i nye næringer. Skal vi kunne bevare og aller helst heve velferdsnivået vårt i fremtiden, blir dette avgjørende. Den store omstillingsdebatten i Norge må derfor handle om hvordan vi skal øke norsk produktivitet, sikre vår internasjonale konkurransekraft, inkludere flere i arbeid og videreutvikle teknologinasjonen Norge, uavhengig av hva oljeprisen er. Vår oppgave er ikke bare å «bygge flere bein å stå på», vi skal gi kompetanse- og teknologimiljøene våre flere bein å løpe med. Arbeidslyst, pågangsmot og evnen til å gripe mulighetene ligger i den norske folkesjela. Det var disse tre kjennetegnene som gjorde at Norge ble en energinasjon, og det er disse tre egenskapene som skal ta Norge videre. Det er

Regjeringen har også varslet at den vil legge fram et budsjett med videre fokus på arbeid, aktivitet og omstilling. Innenfor helse har vi allerede levert veldig mye. Dette har gitt oss kortere ventetider, færre i kø og bedre og tryggere tjenester for mange. Særlig har pakkeforløpene innenfor kreftomsorgen vært en stor suksess. Det er fantastisk å se forbedringer som Fremskrittspartiet fremmet i opposisjon, og som vi ble nedstemt på, nå være en viktig og riktig ordning til glede for veldig mange. Det handler om å gjøre hverdagen enklere og tryggere for folk flest. Lovfestet rett til Brukerstyrt personlig assistanse, en satsing på helsesøstre og kommunepsykologer og en femdobling av bagatellgrensen for nye medisiner har alle bidratt til å gi en merkbar bedring innenfor sine felt. Folkehelsemeldingen ble behandlet rett før sommeren og var en viktig opptakt til å vise at god folkehelse også i høyeste grad handler om psykisk helse. Den gylne regel sammen med øremerkede midler til kommunene er begge viktige grep for å løfte psykisk helse som en prioritering for Fremskrittspartiet og for regjeringen. Primærhelsemeldingen vil ta nye grep for på en mye bedre måte å møte alle dem med sammensatte behov og kronikerne. Høringen viste at det var bred tilslutning til vår tankegang om å jobbe mye mer i team på tvers av profesjoner. Og krav til kompetanse skal igjen inn i kommunenes lovverk. I løpet av høsten kommer også opptrappingsplanen for rusfeltet. Aldri tidligere har det vært satset mer på dette området. Regjeringen har styrket den spesialiserte behandlingen. Vi får stadig tilbakemeldinger på at dette har gitt kortere ventetid, og flere får langtidsbehandling. Fra 1. november vil også disse nyte godt av fritt behandlingsvalg. Dette er det veldig mange som gleder seg til. Opptrappingsplanen skal derfor i hovedsak dreie seg om det som skjer i kommunene, altså før og etter behandling. Hele 2,4 mrd. kr er varslet til dette arbeidet. I løpet av høsten kommer også den nasjonale helse- og sykehusplanen. For første gang skal vi få en skikkelig gjennomgang av hva vi har, hva som er svakhetene, og hvordan vi kan sikre likeverdige tjenester til alle i dag og i framtiden. Sykehusplanen vil ikke, slik enkelte har forsøkt å framstille det som, handle om hvilke sykehus som skal legges ned. Den vil tvert imot handle om det motsatte: Hvordan sørge for at sykehusene våre overlever de utfordringene vi står i med hensyn til bygningsmasse, kompetanse, nyvinning, medisinsk utvikling og medisinsk materiell? Like før helgen ble arbeidet med å legge ned de regionale helseforetakene startet. Fremskrittspartiet har vært veldig tydelig hele veien på to ting: De regionale helseforetakene skal legges ned. Hva som blir isteden, har vi aldri fått utredet på en slik måte at vi føler oss trygge på

at 12 000 nye sykehjemsplasser ble til bare 567. Så selv om alle gjennom valgkampen har erkjent at eldreomsorgen fortsatt er for dårlig, er svaret fra opposisjonen: Mer av det som ikke virker. Jeg sier bare én ting: Heldig er den som bor i en kommune som får være med på en prøveordning hvor behovet skal styre tilbudet, og ikke et tilfeldig kommunestyres prioritering.

Det viser at det er krevende tider for både eiere, ledelse og ansatte rundt omkring. Derfor er usikkerhet og harde kutt det mange nå må forholde seg til. De som står midt oppe i dette, har også evne og vilje til å se mulighetsrommet framover. Da må vi på Stortinget støtte opp om en aktiv politikk som bidrar til å beholde kompetanse Men den aktive politikken når ikke ut i hverdagen til folk om regjeringen velger å sitte i stolen og besvare utfordringene med at vi får vente og se. Det blir rett og slett for passivt. Regjeringen må opp og ut av stolen og levere en aktiv politikk til de som blir ledige, til de som blir permittert og trenger å bygge opp om sin kompetanse. kompetanse. Vi trenger en forsterket innsats for grønn omstilling med konkrete tiltak på både kort og lang sikt, etterfulgt av handling. Det kan til tider virke som om regjeringen verken forstår situasjonen ute eller er spesielt interessert i å levere det partene i arbeidslivet etterspør. Handlekraft er vanskelig å spore. LO og NHO var allerede i fjor høst ute og ba regjeringen reversere egne endringer i permitteringsregelverket. Regjeringen har fått både faktura og første og andre gangs purring fra de samme organisasjonene uten å levere. Nå er beskjeden fra de tillitsvalgte og ledelsen ute at det nærmer seg krisenivå, og kravene til handling har økt. Om regjeringen er klar til å bedre permitteringsordningene, får vi se onsdag når statsbudsjettet kommer. Det er store forventninger til det. Arbeiderpartiet lyttet til partene allerede i fjor og la inn reversering av permitteringsregelverket i 2015-budsjettet, og vi lyttet til de klare signalene om at de nå må bedres ytterligere i 2016. I dag leverte vi inn et forslag på Stortinget om at vi vil gå fra 30 til 52 uker

Da må man forsterke langsiktige tiltak for å stimulere til en grønn omstilling og nye arbeidsplasser i alle deler av næringslivet. Vi trenger en nasjonal dugnad for å få ned klimautslippene og bane vei mot lavutslippssamfunnet. Derfor er det viktig å øke bevilgningene til Gassnova, slik at det satses på prosjekt som er særlig rettet mot fangst og lagring av CO2 i industrien, og styrke sentrale forsknings- og innovasjonsprogram som bidrar til innovasjon og utvikling av ny teknologi for framtidens næringsliv. Vi vil styrke Klimateknologifondet, og det er viktig å bevare og forsterke også miljøteknologiordningen som ble opprettet av Stoltenberg-regjeringen. Denne har blitt enormt ettertraktet, og vi må styrke den ytterligere. Denne ordningen var så viktig for å kunne støtte uttesting av ny klima- og miljøvennlig teknologi innenfor havbruksnæringen. Skal denne næringen kunne ta ut sitt potensial, må det satses på klima- og miljøvennlig teknologi.

havbruk, tjenestesektoren, romfart og helse. Her har Tekna, Norsk Industri, Norsk olje og gass og Abelia ønsket å få i gang en transferit, som er en metode for å identifisere, utforske og utvikle teknologier mellom aktører som vanligvis ikke møtes. Dette vil kunne legge et viktig kompetansegrunnlag for mange næringer og framtidsrettet satsing framover. Det å komme med konkrete tiltak på både kort og lang sikt vil være avgjørende framover dersom vi skal ruste Norge for den framtiden og for den felles dugnaden vi faktisk må gjennomføre for å kunne levere et lavutslippssamfunn som det er stilt krav om. Fredag den 2. oktober var store deler av både Hans Majestet Kongens tale og meldingen fra Kongen til

Det krevende scenarioet som konflikten i Ukraina har skapt, har også ledet til at vi har fulgt EUs reaksjonsmønster, og ikke minst til at vår regjering har lagt fram en betydelig støttepakke til reform og modernisering av Ukraina. Og gjennom året som har gått, har vi virkelig sett hvor viktig samarbeidet med EU, NATO og våre viktigste allierte er, i Europas østlige og sørlige grenser. De utenrikspolitiske utfordringene får hver dag ansikter når vi gjennom mediene hører og ser det enkelte menneskets lidelser, i de tragediene som daglig utspiller seg, ikke minst i Middelhavet. Bildene rører oss alle. Konflikten i Syria, på femte året, har skapt den største flyktningkrisen i vår tid, og vi har en moralsk plikt til å bidra. Regjeringen foreslår derfor historiens største humanitære budsjett, hvor nødhjelpen øker med 1 mrd. kr i 2016. En betydelig del av økningen går til å hjelpe befolkningen i Syria og flyktningene i nabolandene. Den ekstra milliarden åpner for at regjeringen kan bruke mer enn de 1,5 mrd. kr Stortinget har sagt at Norge skal gi til nærområdene i 2016. Norge vil da være den nest største giveren til Syria og nabolandene, målt etter folketall. Regjeringen har, etter hvert som flyktningsituasjonen har eskalert, trappet opp den humanitære hjelpen, bevilget penger til strakstiltak og omdisponert EØS-midler til EU-landene som opplever økt press over sine grenser. Vi forlenger også nå oppdraget i Middelhavet, der norske skip har reddet liv. Regjeringen foreslår et statsbudsjett som bruker Statsminister Erna Solberg har også tilbudt overfor FN at Norge kan være vertskap for en giverkonferanse for Syria-krisen, og har også varslet at hun vil komme til Stortinget med en redegjørelse om migrasjons- og flyktningsituasjonen i Europa – vi vet nå at det blir den 13. oktober. Det er en formidabel dugnad vi nå er i gang med. Verden strever med kriger – i Syria, i Sudan og andre steder – med terrororganisasjoner som ISIL og andre grupperinger som ikke kjenner krigens folkerett, men også med naturkatastrofer og vanstyre. Alt dette påkaller ikke minst ansvarlig og løsningsorientert politikk fra stormaktene, og det er ikke alltid slik politikk er lett å få øye på. Men krisene påkaller også det frivillige samfunnet, både her hjemme og ute. Og de melder seg til dugnad, alle som en. Svært mange av våre organisasjoner – Røde Kors, Leger Uten Grenser og mange flere – gjør en fantastisk innsats. Dessverre betaler også mange den høyeste prisen for å kunne hjelpe andre – nå senest hørte vi om bombingen av sykehuset som Leger Uten Grenser drev i Kunduz i Afghanistan. I 2014 mistet 120 frivillige livet. I krig og i nødsituasjoner er det alltid de svakeste som lider mest – barn forstår ingenting av krigens realiteter, bare at de ofte blir nødt til å bære konsekvensene. For barn er det få ting som er viktigere enn å kunne kjenne seg trygg og glad på skoleveien og i klasserommet. Dessverre er det ofte andre realiteter. Ifølge rapporten «Education under Attack 2014» har angrep og militær bruk av utdanningsinstitusjoner funnet sted i hele 70 land. Og fra nær 100 pst. skoledekning i Syria for noen få år siden har om lag 3 millioner barn mistet muligheten til å gå på skole på grunn av krigen. Alle barn har rett til utdanning. Derfor tar Norge den globale ledertrøyen for å fremme utdanning for utvikling. Regjeringen satser særlig på jenter på de fattigste barna, i tråd med FNs nye bærekraftmål. Dessverre har det globale bidrag til utdanning sunket, men også her hjemme: Under den rød-grønne regjeringen ble satsingen nær halvert, fra 13,3 pst. av bistandsbudsjettet i 2005 helt ned til 7,2 pst. i 2013. 58 millioner barn i verden får ikke gå på skole. Utdanning er nøkkelen til vekst og velferd. Målet er at andelen av bistanden som går til utdanning, skal dobles i denne stortingsperioden. Arbeidet er i gang. I 2015 går 2,4 mrd. kr til utdanning, en økning på 550 mill. kr i forhold til

på vegner av regjeringa om ei rask behandling av tilleggsproposisjonen for å handtera situasjonen. Kommunal- og forvaltningskomiteen vil leggja til rette for det. Me har allereie i morgon høyring om den tilleggsproposisjonen, og innstillinga om han kjem på fredag, sånn at Stortinget kan behandla tilleggsproposisjonen den 13. oktober. Så me kjem i møte ønsket om rask behandling. Flyktningsituasjonen er krevjande for mange, spesielt for dei det gjeld, sjølvsagt, men òg for Europa, Noreg og norske kommunar. Me blir alle rørte når me ser tv-bilete, og det er ikkje vanskeleg å forstå kvifor dei enkelte tenkjer som dei gjer. For oss i Framstegspartiet har fokuset heile tida vore på å hjelpa endå meir i nærområda, og difor foreslo me nettopp det med ei ekstraløyving før sommaren. Då fekk me ikkje fleirtal for det, men situasjonen er no endå meir krevjande, så me har stor tru på at det vil vera større vilje til å hjelpa meir i nærområda Situasjonen me no ser, med over 1 000 flyktningar i veka som kjem til Noreg, og der mange vil få opphald, kombinert med Syria-avtalen som Stortinget inngjekk, betyr at kommunane vil spela ei svært viktig rolle dei neste åra for å sikra busetjing og integrering. Kommunane har vore positive til å samarbeida om busetjing, og difor er det viktig å visa kommunane tillit og ikkje begynna å snakka om tvangsbusetjing, som enkelte

Dei har òg fått ein stor tillit frå Stortinget og regjeringa når me ser kva Stortinget vedtok i sommar når det gjeld kva for oppgåver ein skal flytta ned til kommunane, gjennom å gje dei fleire oppgåver og endå meir tillit. For oss i Framstegspartiet handlar det om å skapa ein enklare kvardag for folk flest, og då spelar kommunane ei viktig rolle, for dei er nærmare kvar enkelt blir det å leggja til rette for arbeid, aktivitet og omstilling ei veldig viktig oppgåve for kommunesektoren dei nærmaste åra. Omstillinga som me er tvungne til å gjennomføra no når oljeprisen har vorte halvert, må skje raskare. Då spelar kommunane ei veldig viktig rolle. Når nye arbeidsplassar skal skapast, er det viktig at me har ja-kommunar i Noreg, som møter gründerar, næringsliv og folk flest på ein positiv måte, der ein heller leitar etter ein grunn til å seia ja enn til å seia nei til ein søknad eller eit initiativ. Me ønskjer heller å ha ordførarar og rådmenn som står opp om morgonen og lurer på kva dei kan gjera for å få fleire arbeidsplassar og fleire innbyggjarar til kommunen, enn å ha ordførarar og rådmenn som står opp og tenkjer på korleis dei skal få meir pengar frå staten til kommunen. Då handlar det om at me gjer nokre endringar i inntektssystemet, og at me sørgjer for at kommunane får behalda meir av dei verdiane som blir skapte lokalt. Eg er veldig glad for at Stortinget før sommaren sa ja til at delar av selskapsskatten skal tilbake til kommunane for å gje ekstrainntekter til dei kommunane som legg til rette for vekst og arbeidsplassar. Ved å gjera den dreiinga gjer vi kommunane meir avhengige av eigne inntekter, eigne arbeidsplassar og eigen vekst enn av overføringar frå staten. Då får me dei ordførarane og dei rådmennene som om morgonen først og fremst tenkjer: Kva kan eg gjera for å få endå fleire arbeidsplassar til kommunen min?

Men nå er jo Fremskrittspartiet i en svært fremskutt posisjon hva gjelder kommunene når representanten Njåstad fra Fremskrittspartiet også er leder i kommunalkomiteen her på Stortinget. Så jeg har bare lyst til å spørre: Er lederen i kommunalkomiteen, Njåstad, enig med og støtter han sin partileder Siv Jensen i at kommunene bør si nei til å bosette flere

gjera den jobben skikkeleg – har dei nok personell på legekontor, på helsestasjonar, til norskopplæring? Derfor er det viktig at kommunane tek stilling til den kompetansen og kapasiteten dei har, når dei skal seia ja eller nei til å busetja fleire flyktningar. flyktningar. Så har me registrert at norske kommunar er positive, men at det framleis er eit gap mellom det som Stortinget har sagt at dei skal ta imot, og det som kommunane har kapasitet til. Derfor er eg heilt einig med min partileiar i at dette er ei viktig sak i denne kommunevalkampen, og det blir ei viktig sak dei neste fire åra for norske kommunar. Det kan godt hende finansminister Siv Jensen og partileder Siv Jensen har har uttalt at hun ber kommunene om å ta stilling til om de skal ta imot flere flyktninger eller ikke, men hun har jo også – veldig tydelig – sagt at man oppfordrer til å boikotte å ta imot flyktninger i kommunene. Og det er det som er spørsmålet: Er representanten Njåstad enig med sin partileder Siv Jensen når hun ber om at vedtaket om å ta imot flere flyktninger i kommunene bør boikottes?
Jensen heldt, så hadde ho fleire poeng i den talen. Ho sa bl.a. at ein skal hjelpa i nærområda – og det var i kjølvatnet av at Framstegspartiet føreslo 1 mrd. kr meir enn det både Arbeidarpartiet og stortingsfleirtalet ville bruka i nærområda – som var hennar viktigaste poeng. poeng. Ord som «boikotte» var ikkje noko ho brukte, men ho har understreka veldig at dette blir ei viktig sak i kommunevalkampen, og ho understreka at våre lokale folkevalde må avvege kor mange flyktningar dei klarar å integrera med den kapasiteten og kompetansen som er i kommunen. Og om dei kan ta imot, er det bra, og om dei ikkje kan ta imot fordi dei ikkje har nok kompetanse og kapasitet, så må me akseptera at kommunane seier at dei ikkje har nok kapasitet til det. Fremskrittspartiet har tradisjonelt vært en veldig forkjemper for Om det har vært store eller små spørsmål, så skal folket bli hørt, og da regner jeg med at de også skal bli respektert. Nå, samtidig med kommunevalget, har det vært folkeavstemning om kommunesammenslåing i 14 kommuner. I én kommune ble det akkurat 949–949. I én kommune ble det et ja-flertall, og i 12 kommuner ble det et tydelig nei-flertall. Så mitt spørsmål er: Fremskrittspartiet respektere det nei-flertallet og følge det rådet fra folket? No er det jo kommunane som har lagt dette ut til folkeavstemming, og det er kommunane som må ta stilling til kva dei skal melda tilbake innanfor ein frist som Stortinget har gjeve, som er 1. juli neste år. Så det blir feil frå denne talarstolen å meina noko om kva enkeltkommunar skal meina, før 1. juli. Så får Stortinget anledning etter at fylkesmenn og regjering har vurdert saka, å summera opp reforma og gjera nødvendige vedtak våren 2017, og då vil me sjølvsagt sjå på heilskapen og sjå på dei råda me får. Men i den fasen som kommunereforma er inne i no, er det kommunane som styrer prosessen lokalt, Så summerer dei opp og gjer sine vedtak 1. juli, og då skal eg vera forsiktig med å meina så veldig masse om det før kommunane melder tilbake 1. juli kva dei synest er best for sine
Det kommer mange asylsøkere til Norge nå, og veldig mange av dem får opphold fordi de har beskyttelsesgrunn, og de blir sittende lenge på mottak. Det er viktig at de blir integrert på en god måte, sier representanten Njåstad. Samtidig vrir han seg unna å svare på om han støtter sin partileder, som har bedt Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentanter om å si nei til å bosette flere flyktninger. SVs forslag i dag om en ny bosettingsordning handler jo nettopp om god integrering og handler om en oppgave som alle kommuner må gjøre kontinuerlig i overskuelig framtid. Forslaget innebærer også at kommunene skal få dekket de utgiftene som kommunene har til f.eks. helse, skole, bolig – de tingene som kommunene selvfølgelig er nødt til å ha penger til å gjøre. Så da må jeg få spørre direkte: Er representanten Njåstad enig med sin partileder i at Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentanter skal stemme nei til å ta imot og bosette flere flyktninger? Det blir litt vanskeleg når på ein måte sitata blir framstilte – både i tidlegere spørsmål og no – som at min partileiar har Eg føreslår heller at ein stiller spørsmålet til ho, om ein ønskjer å få utdjupa kva ho meinte. Det eg registrerer, er at mange framstegspartipolitikarar, både ordførarar og andre, har vore positive – på lik line med andre parti – til å ta imot fleire flyktningar innanfor det som kommunane har kapasitet til, og det synest eg er ei klok tilnærming. Når det gjeld å refundera utgifter som kommunane har til busetjing, så har jo denne regjeringa og dette stortingsfleirtalet auka midlane i forhold til dei føregåande åtte åra, og det er positivt, slik at me nærmar oss at det er hundre prosent dekning av gjennomsnittlege kostnader. Men så er det òg viktig å understreka at nokre kommunar er veldig flinke på dette og faktisk lykkast så godt med busetjing at dei tener pengar til kommunekassen på god busetjing, og då er det viktig at kommunane ser på dei som er gode og lærer av dei.

faktisk lykkast så godt med busetjing at dei tener pengar til kommunekassen på god busetjing, og då er det viktig at kommunane ser på dei som er gode og lærer av dei. Replikkordskiftet er omme. Det å utvikle samfunnet handler om å skape gode bo- og arbeidsregioner. Det vil være en veldig viktig konkurransefordel for næringslivet, og det vil være viktig for arbeidstakere, som lett vil kunne finne nye arbeidsgivere ved at en har kostnader. Tidsklemmen for familier blir mindre, og ikke minst får en bedre trafikksikkerhet for alle. Denne regjeringen bygger ut mer vei og mer jernbane enn noen gang før. Vi utvikler både by og land. Vi investerer mer penger i vei enn det vi har sett tidligere. Samtidig bygger vi ut kollektivsatsingen i byene. Bare på de to årene som vi har styrt, har vi bevilget mer penger til kollektivsatsing i de ni største byene enn forrige regjering gjorde i hele forrige stortingsperiode. Det vitner om satsing. I tillegg har vi økt bevilgningene til jernbanen med over 50 pst. på to år. Det betyr bl.a. at det nå går over hundre flere tog fra Oslo S hver dag, hele året gjennom. I tillegg bedrer vi forutsigbarheten på veiene i hverdagen. Det gjør vi gjennom økt vedlikehold. I løpet av de åtte årene som gikk under forrige regjering, var det en stadig vekst i forfallet på veier og på jernbane. Det tok denne regjeringen med dagens flertall ett år å snu den trenden, og vi reduserer nå forfallet på både vei og jernbane. Det betyr økt trafikksikkerhet. Det betyr bedre reiseopplevelse, og det betyr økt sysselsetting. For noen av de tiltakene som virkelig hjelper når vi ønsker å få flere folk i arbeid, er nettopp å vedlikeholde mer av det vi allerede har. Det er raske prosesser. En trenger ikke å planlegge, en får ikke mye klagehåndtering, det er bare å sørge for at pengene kommer og prosjektene settes i gang. Der har dagens flertall sagt at vi skal ha en tiltakspakke som er veldig stor på nettopp vedlikehold og fornying, mens Arbeiderpartiet, det største partiet i Stortinget, har i sin tiltakspakke lagt inn null kroner til formålet. Det forklarer også hvorfor forfallet økte mens Arbeiderpartiet styrte landet, når ikke engang en tiltakspakke i en krisesituasjon finner vedlikehold verdig å satse på. Så jobber vi for å få mer gods over på bane og på kjøl. Vi har en situasjon der nesten tre fjerdedeler av alt gods allerede går på skipsfart, men det som er gledelig, er at vi i 2014 så en oppgang på gods på jernbane for første gang på mange år. Det handler om økt vedlikehold på jernbanen. Det handler om at det er flere beredskapstiltak som gjør at terminaler og utstyr fungerer bedre, og at tilliten fra næringslivet blir gjenopprettet. Så har vi økt trafikksikkerhetssatsingen. Vi har bygd 50 pst. mer midtdelere i 2014 enn det som var planlagt av forrige regjering. Det ble bygd tre ganger mer rumlefelt, 34 pst. mer noe. 2015 ser altså ut til å bli det tryggeste året på norske veier siden annen verdenskrig. Det investeres veldig mye innenfor telekom-sektoren. Det å få god digital infrastruktur i et samfunn er svært viktig for næringslivet, og det gjør at vi lettere klarer å ha næringsliv i hele landet, både store og små bedrifter. Det investeres 28 mrd. kr fra markedet. I tillegg gjør regjeringen en jobb for å sørge for at det blir billigere å investere i fiber gjennom lavere gravekostnader, og vi jobber sammen med bransjen for at flere eksisterende infrastrukturer skal brukes på en god måte, så en ikke alltid må bygge nytt. 2016 vil bli et år der vi også gjør mange små og store forbedringer i måten vi driver staten på. Vi oppretter et veiselskap for å bygge veier raskere, bedre og billigere. Det skal ikke bli stoppet av en opposisjon som ønsker å sette bremser på, for dette kommer til å gjøre mye for måten vi tenker og bygger på framover. 2016 vil være året vi får implementert bompengereformen, som gjør at bilistene får litt mindre bompenger enn det som var planlagt med forrige regjering, og der snur vi altså en trend. Med jernbanereformen vil en se bedre og tydeligere ansvarsfordeling innenfor jernbanesektoren. Vi får på plass nye parkeringsregler – som har ligget i ti år uten å ha blitt gjort noe med ny postlov, og vi gjør mange endringer som handler om en bedre og enklere hverdag for folk, nemlig enklere regler for de med bobiler, enklere regler for bilentusiaster o.l. Så er det viktig at vi også tar flere grep for å sikre økt sysselsetting. Jeg synes det har vært en interessant debatt når en har snakket om behovet for omstilling, men vi vet at listen over manglende omstilling i de forrige åtte år var veldig lang. Ikke ble det gjort noe for grønne datasenter, vannkraften, mistet en kontrollen sånn at Hydro ikke lenger fikk styre den, det ble ikke fornying på fergeflåten, avskriving for fornybar energi – det var mange ting som en jobbet med i åtte år for å prøve å få forbedringer på og fikk bare nei, nei, nei. Med dagens regjering og dagens flertall er det nå endringer, og vi får altså en forbedring for det som er rammebetingelsene i næringen. Det blir replikkordskifte. Også luft er viktig for

I trontalen varsles det at regjeringen vil sende på høring et forslag om å skjerpe grenseverdiene for svevestøv fra 2016, men det sies ingen ting om hva man ønsker å gjøre med nitrogendioksid eller med svoveldioksid. Samtidig som vi hørte trontalen her, ble Norge dømt av EFTAs domstol for disse overskridelsene. Mitt spørsmål til statsråden blir: Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for at vi skal komme under grenseverdiene i EUs luftkvalitetsdirektiv og nå våre egne nasjonale mål for konsentrasjon av nitrogendioksid, svoveldioksid og svevestøv, og når kan vi forvente at vi har akseptabel luftkvalitet i alle byer og tettsteder? EFTAs dom mot Norge rett før helgen var en total slakt av rød-grønn miljøpolitikk i perioden 2009–2012. Det var nemlig den perioden som EFTA så på og sa at dette er ikke i tråd med reglene og de forpliktelsene som Norge har. Det å gi dagens regjering skylden for noe som skjedde under forrige regjering, synes jeg er ganske interessant, men det får stå for spørrerens regning. Det som uansett er tilfellet, er at mens forrige regjering gjorde dieselbiler billigere og dermed økte markedsandelen for det,

Alt dette er med på å gjøre at det blir mer attraktivt å velge kollektivløsninger og ikke kjøre bil, og en får vekk utslippene fra de store utslippspunktene i byene. Da må jeg få lov til å si at det er skuffende. Her inviterer jeg statsråden til å si noe om hva man ønsker å gjøre framover. Jeg var overhodet ikke opptatt av å fordele skyld. Men det er veldig viktig i statsrådens verdensbilde. Det er et faktum, som regjeringen selv innrømmet på fredag, at vi har for dårlig luftkvalitet i flere byer Mitt spørsmål var: Hvilke tiltak vil statsråden iverksette, og når kan vi forvente at vi har tilfredsstillende luftkvalitet for menneskene som bor i alle byer og tettsteder her i landet? Jeg forstår godt at spørreren ikke ønsker å forholde seg til årsakssammenhengene her, men når forrige regjering gjorde det billigere å øke utslippene som vi her er bekymret for,

Det å satse på at flere får bedre kollektivtilbud, sånn at man velger buss eller tog til og fra arbeid istedenfor å kjøre privatbil, er et tredje tiltak. Vi har økt jernbanebevilgningene med 50 pst. på to år. Det er 6 mrd. kr mer. Vi har sørget for at en by som Oslo har fått tildelt fire ganger mer penger til kollektivsatsing på to år enn det en gjorde de siste to årene med rød-grønn regjering. Så det skjer veldig mye, men det er mye å ta igjen.

tidligere. Vedlikeholdsetterslepet, som det også ble sagt, reduseres for første gang når det gjelder riksveier, i 2015. Men gjennom besøk til en rekke fylker det siste året registrerer jeg likevel stor bekymring for manglende vedlikehold av en del av våre fylkesveier. Dette kommer ikke minst fra bedrifter som er avhengig av god og forutsigbar framkommelighet hver dag 365 dager i året. året. I mange fylker opplever en faktisk at vedlikeholdsetterslepet øker. Hva vil samferdselsministeren foreta seg for at man skal få til den samme reduksjonen av vedlikeholdsetterslepet på våre fylkesveier som en nå ser skjer på riksveiene? La meg først takke for spørsmålet og si at i godt samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre løfter vi i flokk

Det gjør at de er bedre i stand til å gjøre den jobben. Samtidig er det veldig mye av midlene som de bruker på samferdsel, som også kom inn i den generelle rammepotten. Derfor er det viktig at vi jobber for å sørge for at hvert av fylkestingene også prioriterer å løfte opp vei og veivedlikehold for å hjelpe med å ta denne reduksjonen. Men den øremerkede andelen som regjeringen foreslo og Stortinget bevilget, har økt med et tresifret prosentbeløp i de aller fleste fylker. Det vitner om at de budsjettforlikene vi har fått til sammen, er et skritt i riktig retning.

Jeg kan love at vi vil fremme forslaget for Stortinget og stemme for det. Statsråden forklarte det også med en votering i Stortinget, og Senterpartiets holdning til den, i juni – det er en votering som aldri har funnet sted. Men stor var overraskelsen da statsråden selv senere i valgkampen foreslo å halvere bompengesatsene – ikke for næringslivet, men for bobiler. Da er mitt spørsmål: Hvem trenger lettelser i bompengesatsene mest nå? Er det bobiler, eller er det norsk næringsliv? Jeg synes det er sjarmerende å få et sånt spørsmål fra en tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet som har bidratt til at bompengenivået har økt kraftig – ja, det firedoblet seg mens han satt i regjeringssystemet og jobbet – og nå er han plutselig bekymret over nivået. Da skal jeg love ham at som FrP-er har jeg kjempet mot bompenger hver gang Geir Pollestad og andre i de rød-grønne partiene kjempet gjennom bompengene. Vi ønsker altså mindre bompenger fordi det er en ekstrakostnad nettopp for næringslivet, det er en dobbeltbeskatning av bilistene. Vi har ikke fått gjennomslag for alt dette, men vi har fått gjennomslag for å ha en bompengereform sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre – dessverre ikke sammen med Senterpartiet, for Senterpartiet har argumentert mot rentekompensasjonsordningen i bompengereformen. Det er jo rentekompensasjonsordningen som er middelet der man skal bevilge økte statlige bidrag for å redusere takstene. Derfor sa jeg det var populistisk når Senterpartiet i Stortinget i juni argumenterte mot økte statlige bevilgninger for å kutte bompenger, mens de i valgkampen plutselig var for økte statlige bevilgninger for å kutte bompenger. Jeg skulle ønske at Senterpartiet argumenterte med oss i juni. Da hadde man fått gjennom enda mer. Jeg ble så

Kan statsråden bekrefte lovnaden om at disse prosjektene vil få den statlige andelen når prosjektene har behov for det, og ikke trenger å vente på kommende statsbudsjett for å få konkrete bevilgninger? I arbeidet med f.eks. Fornebubanen har vi vært veldig tydelige på at vi jobber tett med Oslo og Akershus for å klare å finne ut hvilke bevilgninger de vil trenge hvert år. Det er det vi også legger opp til å komme med i budsjettene.

og at det skal være 50 pst. Det gir jo en helt annen forutsigbarhet for Oslo og Akershus når de planlegger dette prosjektet. Det gjør at de kan forplikte seg, for de vet at staten blir med og ikke går rundt og er ubesluttsom. Så må vi også sørge for at dette blir den samme framdriften, og vi jobber med Ahusbanen og med T-banetunnel under Oslo. Det er prosjekter som ligger litt lenger fram i tid, men som vi også har signalisert at det er naturlig å jobbe sammen om. Nyleg valde Oslos borgarar bort 18 år med

Vestkorridoren, som ei viktig sak, og langt fleire stør dette synet no enn i desember i fjor då vi drøfta det her i salen sist. Kort sagt: Det er mogleg byrådserklæringa vil koma med eit krav om at prosjektet blir reforhandla og forminska kraftig. Korleis vil statsråden imøtekoma ei slik einigheit i Oslo kommune?

debatt. Det viser bare at dette er en vanskelig sak, der det var lett å drive valgkamp på et overfladisk tema, men vanskelig å komme inn og begynne å begrunne det en skal. Noe av det jeg merket, var at Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet snakket her om en 16 felts motorvei da han ble utspurt på NRK. Jeg har ikke sett noe sted der dette kommer i nærheten av å være 16 felt. Det blir i så fall som å si at det gjennom Oslo sentrum går en 12 felts motorvei i Kvadraturen. Ja, det er riktig, det går 12 filer på en kilometers avstand, men det er ikke en 12 felts vei av den grunn. Når en ser hvor lite realiteter det har vært i måten det har vært argumentert rundt prosjektet på, er det vanskelig å bli enig om innholdet. Replikkordskiftet er omme. Som utgangspunkt for denne debatten har vi både trontalen og, ikke minst, synes jeg, rapporten om rikets tilstand – og de store spørsmålene, som flere har vært inne på, ikke minst den internasjonale situasjonen, med konsekvenser også for Europa og Norge. Det er mange som har behov for å søke tilflukt hos oss. Det er et spørsmål som vi kommer til å diskutere bredt, og der faktisk opposisjonen var initiativtaker til det forliket som ble inngått før sommeren. sommeren. Når det gjelder utfordringene på klimaområdet, møtet i Paris og utfordringene i vår hverdag, er det temaer der vi kanskje først og fremst konkurrerer om å være mest offensive og finne de beste løsningene – med noen unntak, som fornekter at klimaet er et problem. Men på det som jeg synes er kanskje et av de aller største spørsmålene denne gangen, situasjonen på arbeidsmarkedet, arbeidsledigheten, registrerer vi at forskjellen er stor. Mitt inntrykk av rapporten om rikets tilstand er at arbeidsledigheten og utfordringene med den faktisk tones ned og forsøkes avdramatisert. Men det er over 20 år siden vi sist hadde så høy arbeidsledighet som vi nå har i Norge, og jeg mener det er dramatisk at langt borti 10 pst. av ungdommene i Norge i dag ikke får en jobb. Det er en av våre store utfordringer. Vi kritiserer selvfølgelig ikke regjeringa for at oljeprisen har gått ned. Men vi mener at en aktiv regjering må møte situasjonen når vi får utfordringer på arbeidsmarkedet. Det er faktisk sånn at varslet om ledighetsøkningen kom før oljeprisfallet. Vi hadde en interpellasjon i denne salen i juni i fjor der statsministeren svarte på en interpellasjon fra meg som utfordret henne til å sette full sysselsetting som øverste tema for alle departementers arbeid. Men på det tidspunktet hørte vi at det vi hadde advart mot med hensyn til å kutte på på tiltaksplasser, det vi hadde advart mot når det gjaldt å stramme inn på permitteringsregelverket, ikke ble hørt. Ja, det var så ille at finansminister Siv Jensen i en debatt samme vår sa at det var viktig ikke å ringe i varselklokkene for tidlig. På dette området er det stor forskjell på politikk. Vi mener at dette er et område der føre-var-prinsippet virkelig skal gjelde. For hvis vi ikke setter inn tiltak mot å møte en økende arbeidsledighet, vet vi at den er selvforsterkende, og det er det verste et samfunn kan oppleve. Isteden er svaret til regjeringa at den kutter 1 mrd. kr på ytelsene til dem som går på dagpenger – ja, ja, fordi feriepengetillegget ble tatt bort. Dem blir det tatt fra, mens det brukes 12 mrd. kr på å gi skattelette til dem som har mest i dette landet. Da blir den politiske forskjellen tydelig, og den blir særlig tydelig fordi regjeringa gjentar og gjentar at den gir skattelette for å møte utfordringene på arbeidsmarkedet, etter at all erfaring sier at å møte ledigheten med skattelette ikke virker. Ja, spesielt virker det ikke, viser regjeringas egne utredninger, å kutte i formuesskatten – at dét skulle gi noen sysselsettingseffekt. Det er da heller ingen næringsbeskatning, det er en personbeskatning. Her er den politiske forskjellen stor, og erfaringer fra de landene som har prøvd skattelette for å møte økt ledighet, er da også entydig

og de fikk altså enormt høy arbeidsledighet. Vi har så seint som i dag lagt fram et forslag om tiltak for å bedre permitteringsregelverket, noe som kan avdempe situasjonen for dem som nå har utfordringer. Jeg håper at vi også på dette området kan finne felles løsninger framover. Det gjør et sterkt inntrykk på meg å oppleve at arbeidsledigheten er kan finne felles løsninger framover. Det gjør et sterkt inntrykk på meg å oppleve at arbeidsledigheten er økende i store deler av Norge, spesielt der jeg er fra, Vestlandet, og på Sørlandet. At oljeprisen på relativt kort tid har blitt halvert med ingen umiddelbar lysning i sikte, kombinert med redusert vekst i Kina, gjør at vi står overfor en omstilling raskere enn vi trodde allerede på Derfor er det viktig at regjeringen og Stortinget finner fram til løsninger som bidrar til den nødvendige omstillingen, som de rød-grønne ignorerte fullstendig, men som også bidrar til arbeid og aktivitet og en satsing på det grønne skiftet. Regjeringen har varslet at i statsbudsjettet som presenteres nå på onsdag, kommer det en rekke konkrete prosjekter som vil kunne bidra til at ledige hender kan løse utløste oppgaver i samfunnet. Regjeringen har det siste halvåret og året gjennomført betydelige endringer i regelverket hos Nav, nå er det også tiltrådt ny Nav-direktør, men fortsatt gjenstår store endringer hos Nav for å gjøre ledigheten for den enkelte så kort som mulig. Mye avhenger selvfølgelig av at vi har bedrifter som vil og får muligheter til å satse offensivt. Derfor har regjeringen en svært næringsvennlig skatte- og avgiftspolitikk, som representanten Andersen nettopp var inne på. Vi har redusert skattetrykket med over 12 mrd. kr og har sagt at det skal ytterligere ned. Jeg mener at den nye arbeidsmiljøloven, som nå bare har virket i noen måneder, fra 1. juli, vil kunne bidra til at det blir enklere for noen av dem som har falt ut av arbeidsmarkedet og inn i arbeidsledighetstallene, for selv om vi har mange tiltaksplasser – og gjennom revidert budsjett økte vi antall tiltaksplasser så er det faktisk sånn at det er bedre med full lønn i midlertidig stilling enn ofte halv lønn i midlertidig Nav-tiltak, enten innenfor eller utenfor det ordinære arbeidslivet. På makronivå, som også Stortinget skal se litt på, er det heller ikke tvil om at kronekursen bidrar til å styrke norsk eksportrettet næringsliv og norsk reiseliv. I tillegg bidrar det lave rentenivået til at investeringer er billigere enn tidligere. Partene i arbeidslivet gjennomførte et lønnsoppgjør for andre år på rad som reduserte lønnsveksten i Norge. Det er også med på å bidra positivt når framtidige oppdrag skal vinnes. Jeg er glad for at regjeringen allerede har varslet en ekstra vedlikeholdspakke i offentlig sektor som i sum er større enn hele tiltakspakken Arbeiderpartiet kom med mot ledigheten.

bl.a. i Rogaland og Hordaland, som er spesifikt nevnt – og hva slags får vi etter hvert vite når budsjettet legges fram. Det er ingen tvil om at det kommer til å bygges mer veg og jernbane framover. Mange av selskapene innen infrastruktur rekrutterer i disse dager arbeidsledige ingeniører og anleggsarbeidere. I mange år har vi fra Høyres side vært bekymret for at mange lærere med realfagsbakgrunn forlater læreryrket. Nå oppretter vi 350 nye plasser for at ingeniører kan bli lærere. I tillegg gjør regjeringen det enklere på generell basis å starte egen virksomhet for mange av disse ingeniørene, og som vil skape flere lønnsomme arbeidsplasser i framtiden. Jeg er særlig bekymret for de yngste arbeidsledige. Derfor er det viktig at Stortinget sørger for nok tiltaksplasser for ungdom og gir flere tilgang til fagopplæring. Det er viktig å tilby arbeidstrening for å unngå drop-out, og vi skal gjennomgå garantiordningen for ungdom, som ofte har vært mer en papirordning enn en reell ordning, og vi har økt lærlingtilskuddet ved enhver mulig sjanse – i hvert budsjett, i hvert revidert budsjett. Det har vi gjort sammen med våre samarbeidspartier, Kristelig Folkeparti og Venstre. Vi er også nødt til å gjøre det enklere å finne ordninger der man kan kombinere dagpenger og utdanning. Jeg er spesielt fornøyd med regjeringens maritime strategi, som vil bidra til å sikre norske sjøfolk og at norske rederier flagger sine skip til norsk flagg. Vi kommer til å lovfeste nettolønnsordningen og styrke den, både i budsjettet og i en egen lovproposisjon nå i vår.

Det gjøres et fantastisk arbeid av enkeltpersoner, av frivillige organisasjoner og offentlig ansatte for å ta imot dem på en best mulig måte og integrere dem på en best mulig måte. Jeg synes trontalen var veldig god på dette feltet. Derfor er jeg ekstra spent når budsjettet kommer. Vi må være villig til å ta vår andel i et Europa som skal ha en felles dugnad for å lykkes, og vi må bli bedre på integrering. Sammen med kommunene trenger vi en dugnad for å sikre at vi lykkes best mulig. Kristelig Folkeparti er tydelig på at den store satsingen på nødhjelp og flyktninger ikke må gå på bekostning av langsiktig bistand. Vi må sikre at vi klarer å skape utvikling og å bygge demokrati og unngå at flere land løses opp. opp. Sammen har de fire samarbeidspartiene nå sikret en offensiv satsing på utdanning, enda mer satsing på helsehjelp, på næringsutvikling og på jobbskaping. Det er en retning i utviklingspolitikken som det er helt nødvendig å fortsette i. Vi må ha langsiktig utvikling for å forhindre at stater bryter sammen,

Nå skal vi løse konflikten – ja, vi håper jo å løse konflikten også – eller løse situasjonen med alle som kommer inn i Norge, og da trengs det ekstraordinære bevilgninger. Den langsiktige utviklingen må vi fortsette med – det er ikke verdens fattigste som skal ta regningen for at vi får flere flyktninger til Norge. Noe jeg ikke var fullt så fornøyd med i trontalen, ikke var fullt så fornøyd med i trontalen, gjaldt opptrappingsplanen for å bekjempe vold mot barn. I justiskomiteen har de ikke-sosialistiske partiene vært tydelig på at innen revidert nasjonalbudsjett 2016 skal vi lykkes med en opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Da er det skuffende at i det dokumentet regjeringen løfter fram viktige saker for det neste året, omtales ikke planen.

I 2006 var det 81 tilfeller av anmeldelser av vold mot barn. I fjor var det over 2 000. Det er positivt at mørketallene kommer fram. NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, anslår at ca. 5 pst. av innbyggerne i Norge har vært utsatt for eller er utsatt for alvorlig vold av sine foresatte. Det er skrekkelige tall, og det viser at vi må gjøre mer. Der har vi blitt enige på Stortinget om at vi ser at vi ikke er gode nok i dag, og derfor skal vi ha en opptrappingsplan, som vi skriver skal være «etter modell av opptrappingsplan for psykisk helse», fra 1999–2008. Den gang ble vi enige om at investeringene skulle løftes med 6,3 mrd. kr, driftskostnadene skulle økes med 4,6 og justiskomiteen og Stortinget har sagt seg enig i at vi trenger et tilsvarende løft for å bekjempe vold mot barn. Det skal være en tverrfaglig plan. Det betyr forebygging der en klarer å løfte familievern, barnevern, antall helsesøstre og kompetanse innenfor sektoren for å unngå at det skjer. Det betyr også at en trenger mer midler når det gjelder etterforskning og oppfølging av barn. Det betyr også at en trenger mer midler når det gjelder etterforskning og oppfølging av barn. Det betyr at en trenger en styrking på barnehusene, som gjennomfører avhør. Det betyr at en trenger en styrking i politiet, så de kan etterforske sakene, og også gi den oppfølgingen som trengs på barnehusene og også sikre at de ungene som er utsatt for overgrep, får en best mulig behandling og oppfølging i etterkant. Det forventer vi også en satsing på det neste året.
De siste to årene har helt klart vist, og valgresultatet har ettertrykkelig bekreftet, at vi har en regjering som virkelig kan det å mobilisere folk – mot sin egen politikk. Først var det reservasjonsretten som mobiliserte tidenes største protesttog 8. mars – et angrep på retten til fri abort, for legenes valgfrihet, og til kvinnenes eget beste, påsto representanter for Så kom kuttet i pappakvoten – for familienes valgfrihet og fleksibilitet, mente regjeringen, mens folkemeningen, forskning og alt av empiri på feltet var entydig imot. Resultatet vil bli at norske fedre tar ut mindre permisjon. Fedre som slåss mot uvillige arbeidsgivere vil få mindre valgfrihet, og familiene mister noe av den fleksibiliteten som kvoten gir ved at begge i realiteten kan være småbarnsforeldre og samtidig gå raskt tilbake i jobb. Så kom endringene i arbeidsmiljøloven, som førte til generalstreik for første gang på 16 år. Hundretusener av mennesker i byer og bygder over hele landet la ned arbeidet og tok til gatene. Ikke at noe av dette entydige engasjementet gjorde nevneverdig inntrykk på regjeringen. Da 8. mars-togene var lengre enn noen gang, rykket statsministeren ut og sa at hun ikke kunne forstå hvorfor folk gjorde dette til en så viktig sak – kvinnene hadde bare ikke skjønt at et angrep på deres rettigheter egentlig var til deres beste. Folket hadde heller ikke skjønt at bare de ble pålagt lengre arbeidsdager, mer overtid, og å skulle måtte kunne jobbe flere søndager på rad, samtidig som stillingsvernet svekkes, da fikk de en enklere hverdag. Folket har selvsagt skjønt. Velgerne har alltid rett. Folk har skjønt at regjeringens politikk – sak for sak, skritt for skritt – tar Norge i feil retning. Folk ville ikke ha høyrepolitikken. Derfor snakket ikke regjeringen om den før valget. Nå har de i to år servert sak etter sak hvor omstilling, fleksibilitet og valgfrihet er det uttalte målet, løsningene beviselig er blåkopier fra gamle tider, og mindre valgfrihet og mindre fleksibilitet for folk, og hvor en svekket arbeidslinje og et svekket Likestillings-Norge er det reelle resultatet. Noe av det første regjeringen gjorde, var å trekke stortingsmeldingen om likestilling som de rød-grønne hadde lagt fram. Den pekte på veien videre for Likestillings-Norge, med visjoner og tiltak, fordi likestilling ikke kommer av seg I to år har vi ventet på at regjeringen skal legge fram sin helhetlige likestillingspolitikk – planen og tiltakene for veien videre. Mens vi har ventet på det, har regjeringen servert kutt i og stadige angrep på pappapermisjonen, økt kontantstøtte, kutt i tiltak mot ufrivillig deltid, innføring av ny arbeidsmiljølov som særlig rammer kvinner, økte barnehagepriser og -køer. Skritt for skritt har regjeringen satt likestillingen i revers og fortsetter å svekke de tiltakene som beviselig har gjort mest for at Norge troner på likestillingsstatistikken – en statistikk som også regjeringens statsråder smykker seg med når de er i utlandet. Disse resultatene kom ikke av seg selv. Vi ble likestillingslandet fordi vi gikk systematisk til verks. Arbeiderpartiets regjeringer bygget strukturer for å sikre kvinner og menn like muligheter. muligheter. Vi mente og mener at likestilling er et politisk ansvar slik riksveier, pensjonssystemet og barnevernet er det – ikke et personlig ansvar som du må sørge for selv med harde forhandlinger rundt kjøkkenbordet, og at du deretter må takke deg selv dersom du kommer til kort. Likestilling ble ikke nevnt i trontalen, dessverre, men det var kanskje ikke uventet. Det er på høy tid at regjeringen viser kortene, viser oss sin helhetlige likestillingspolitikk – eller dessverre kanskje mangel på helhetlige likestillingspolitikk – og at vi får en debatt om veien videre for Likestillings-Norge i denne

det partiet som var opptatt av å bygge landet, som tok ansvar, som var med på store reformer, som ikke kynisk spilte to roller, og hvor retorikken ikke seiret over politikken hver eneste gang. Siden representanten Gahr Støre tok over roret hos vår ærede konkurrent, har han vært utsatt for kritikk for at han kan ha uklar eller tåkete tale. Det er jeg uenig i. Budskapet er ofte ganske klart det. Men «klart» og «konsistent» er to forskjellige ting. Og konsistente kan vi ikke beskylde Arbeiderpartiet for å være, riktignok med to unntak som jeg skal komme tilbake til litt senere. La oss begynne med det som er aller viktigst nå, og som Høyre gikk til valg på i 2013, den nødvendige omstillingen for å løse de viktige oppgavene i dag og ruste Norge for fremtiden: For ett år siden da statsbudsjettet ble lagt frem, var representanten Gahr Støre og flere andre av hans medrepresentanter raskt på pletten og uttalte at dette er for mye, og dette brukes feil. Et halvt år senere var det rettet til: Dette er for lite, og dette er for sent. I og for seg klart og tydelig, men veldig forvirrende. Fra oktober til mai er altså retorikken snudd på hodet.

men vi skal løse dem. Fremtidens arbeids- og næringsliv skal være grønt, og det skal være smart og nyskapende. Tåkete eller uklare er vi altså enige om at Arbeiderpartiet ikke er – uttalelsene deres er klare som en høyblå høstdag. Men det de unnlater å si, er kanskje derimot noe mer problematisk. La oss ta et eksempel: Ta kommunereformen. Hva mener Arbeiderpartiet egentlig Norges kanskje viktigste reform på lang tid, som virkelig kan ruste oss til å møte utfordringer fremover og samtidig gi gode tjenester til alle? Vel, stort sett er det stille fra Arbeiderpartiet, selv om jeg mistenker at de egentlig er for en kommunereform. Men det var dette valget som skulle vinnes da. Retorikk og kortsiktig gevinst går altså foran landets beste, og jeg savner det gamle Arbeiderpartiet som hadde landets beste øverst på agendaen. Skattereformen er et annet eksempel – også her stille. den nødvendige omstillingen vi skal gjennom for å legge til rette for arbeid, aktivitet og nyskaping, hvor vi skal ruste Norge for fremtiden, vil skattereformen være en viktig del. Men heller ikke her vet vi hva Arbeiderpartiet vil, bortsett fra det vi har hørt en rekke ganger, senest i dag, at de vil stemme for de forslagene de synes er gode. Da spør jeg: Når skal Arbeiderpartiet bestemme seg for hvilke forslag de synes er gode? Jeg tror det gamle Arbeiderpartiet hadde sagt fra om det i god tid. Nå tys det – og dette er et av de to stedene hvor Arbeiderpartiet faktisk er konsistente – i stedet til den billige og etter hvert hule retorikken om å ta fra dem som har lite, og gi til dem som har mest fra før. Det var ikke, det er ikke og det blir ikke mer riktig av at det gjentas til det kjedsommelige. Skattereformen vil komme både deg og meg til gode, samtidig som det kommer nødvendige endringer for

reversering. Skulle representanten Gahr Støre komme i posisjon, er det ikke behov for en moderniseringsminister lenger, da vil det i stedet være behov for en reverseringsminister – en reverseringsminister som resirkulerer gårsdagens løsninger som svar på morgendagens utfordringer. Det er ikke det Norge trenger. Vi gjennomfører viktige reformer fordi Norge er forandret, ikke for å forandre Norge. Det er ikke fordi de rød-grønne brukte for lite penger at vi er der vi er i dag, det var fordi de brukte dem feil.

arbeidsledigheten det siste året. Det viser at det er mange sektorer og bransjer det går svært bra i. I fiskerinæringen går det i all hovedsak svært godt. Det er en næring som i likhet med mange andre næringer eksponert for internasjonale markedsforhold. Nå er det gode tider. Det eneste vi sannsynligvis vet om fiskerinæringen, er at det også der, en eller annen gang, kommer til å bli dårlige tider. Innenfor oppdrettsnæringen går det svært godt, innenfor store deler av norsk industri går det svært godt. Det er mange årsaker til det, bl.a. en gunstig kronekurs, man har dyktige ledere, men ikke minst har denne regjeringen ført en politikk som har vært veldig god for næringslivet, innenfor forskning og innovasjon, innenfor skatt og avgifter, og generelt har gode rammevilkår vært bra å ha med seg. Jeg var på en industrikonferanse i Bodø i slutten av september – Industri2015 – og det var et godt møte å være på fordi de fleste skrøt veldig av den politikken regjeringen fører, og av de stabile rammevilkårene som blir gitt. Så er det sånn at enkelte næringer sliter mer enn andre, skipsfarten bl.a., men der har regjeringen kommet med en rekke tiltak: mer vedlikehold av fartøy til Sjøforsvaret, mer vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøy, mer til grønn skipsfart, mer til utvikling av norsk teknologi, bygging av nytt fartøy til Kystverket, osv. Det gjøres med andre ord mye bra fra regjeringens side. Det er også sånn at en bransje

oljeskatten, var at det var en overoppheting i oljeøkonomien, og man økte skattenivået for å unngå en todeling i norsk økonomi. Det viser hvor fort ting endrer seg. Det gikk i realiteten et år, så stupte oljeprisen. Det forteller at det er veldig vanskelig å se inn i framtiden. Det andre interessante med det var at man brukte den økte oljeskatten til å gi norsk fastlandsindustri tilsvarende i skattelettelse. for det betyr jo at Arbeiderpartiet erkjenner at skattelettelse er et grep som virker, og det tror jeg vi skal ta med. Men det er også interessant å se litt på begrunnelsen for at Arbeiderpartiet økte oljeskatten. Daværende statsminister, Stoltenberg, var ærlig på at han ønsket mindre oljeaktivitet, og nå ser vi resultatet, hva det betyr for vanlige arbeidere.

La meg si det sånn: Det er alvorlig for dem som mister jobben innenfor oljenæringen, på samme måte som det er alvorlig for dem som står i fare for å miste jobben i Sydvaranger og Store Norske på Svalbard. Disse næringene er internasjonale næringer, det er internasjonale forhold som preger Men jeg er glad for at vi har en regjering som tar dette på fullt alvor. Vi har en regjering som legger til rette for økt aktivitet innenfor oljenæringen ved å åpne for nye leteareal. Samtidig må vi ha med at det var to rekordår i 2013

troen på at du får flere velgere og flere som har tillit til deg, ved å ramse opp en rekke ting som regjeringen har gjort. Det holdt de også på med. Det var ikke veldig vellykket i alle sammenhenger, for når det ikke treffer helt hvordan folk tenker, føler og hva som er virkeligheten der ute, blir det ikke så veldig effektfullt. For øvrig var det sagt i en helt annen setting og illustrerer vel egentlig at hovedpoenget til oljebransjen før oljeprisfallet var nettopp et kostnadsnivå som var altfor høyt, som alle var enige om måtte ned, men som nå forsterkes av at oljeprisen har falt dramatisk. Det har ingenting med det oljeskapte grepet som ble gjort av forrige regjering, noe jeg registrerer at også dagens regjering viderefører. Det andre poenget har representanten Eidem Løvaas pekt på ettertrykkelig for to innlegg siden. Det er troen på at hvis en bare harselerer og raljerer med andre partier, uten egentlig å si så mye om hva en selv vil, så blir det bedre. Det fungerer også svært dårlig. Jeg vil bare gi et vennligsinnet råd til Høyre spesielt, og det er at hvis man ønsker brede forlik om saker, hvis man ønsker at flere partier, også Arbeiderpartiet, skal være med og ta ansvar, er det en fordel å invitere til dialog, å invitere til reelle samtaler før man bruker mediene og talerstolen i Stortinget til å avkreve svar av en opposisjon, som tross alt er opposisjon og ikke regjering. Det var et vennligsinnet råd fra en som i hvert fall har holdt på med dette noen år, selv om det er flere her som har lengre erfaring enn meg. De to årene vi har bak oss, viser med tydelighet at vi har en regjering som etter mitt syn ikke klarer å svare på de reelle utfordringene vi står overfor som samfunn. Det handler om det store hovedtemaet som samfunn. Det handler om det store hovedtemaet som vi alltid kommer tilbake til i norsk politikk, som handler om hvordan vi skal ruste oss for framtiden, om en i hovedsak skal basere seg på fellesskapets grunn og arealer, eller om man skal satse på store skattekutt. Ingen andre enkeltsatsinger så langt fra Solberg-regjeringen er i nærheten av å overgå skattekuttene. Det tar Norge i feil retning, og jeg mener det finnes en annen måte vi kunne brukt handlefriheten på. La meg gi noen eksempler: Jeg mener vi skal bli enige om her i Stortinget at f.eks. det neste store helseløftet bør være en tverrfaglig opptrappingsplan i en eller annen vri som handler om forebygging og tidlig innsats rettet mot barn og unge, spesielt når det gjelder psykisk helse. Der bør vi involvere vårt forslag om skolehelsetjenesten, og helsestasjonene for ungdom bør ses særskilt både gjennom bevilgninger og vedtak. For vi har smertelig erfart i Stortinget før at bare å si at det er veldig hyggelig at dere satser på det i kommunene, ikke bærer frukt i så stor grad som vi skulle ønske – pengene kommer ikke fram. Vi bør satse på en sterk kommuneøkonomi, som bidrar til at kommunene er i stand til å ansette nok kloke hoder og varme hender. Jeg registrerte her tidligere i dag at han kaller seg eldregeneral selv, så da er det vel også lov til å kalle ham det her i Stortinget – hadde et voldsomt innlegg og opprop mot Arbeiderpartiets eldrepolitikk. Nå ser jeg at Siv Jensen og Hoksrud ikke er i salen, men noen kan kanskje minne dem på forslagene i opposisjon om eldremilliard, eldreombud, statliggjøring, fullfinansiering av eldreomsorgen – det er altså så mange ting å ta tak i for Fremskrittspartiet i regjering at jeg ville konsentrert meg mer om det enn om hva Arbeiderpartiet til enhver tid mener. Det er i det hele tatt ganske betegnende at statsministeren og for så vidt en av hennes nestledere, helseminister Bent Høie, langt på vei er i rute når det gjelder å levere de skattekuttene de lovet velgerne før valget i 2013 – to år ut i stortingsperioden. Men når det gjelder f.eks. sykehusene, som vi får svaret på hva skjer med på nytt på onsdag, når statsbudsjettet kommer, er man ikke i rute. de lovet velgerne før valget i 2013 – to år ut i stortingsperioden. Men når det gjelder f.eks. sykehusene, som vi får svaret på hva skjer med på nytt på onsdag, når statsbudsjettet kommer, er man ikke i rute. Der ligger man 1 mrd. kr bak skjema to år ut i stortingsperioden. Det vitner om mangelfull evne til å prioritere det som er riktig for landet, og mer evne til å prioritere det som man ser for seg er de viktigste tingene man selv har lovet. Jeg tror at

ikke for å tilfredsstille skeptikerne eller for å ramse opp egne suksesser, slik rådgiver Torgeir Micaelsen nettopp advarte mot, men fordi det å innfri valgløfter og skape ny politikk faktisk betyr mye for mange mennesker i helse- og omsorgstjenestene. Kreft er den sykdomsformen som rammer flest av oss i Norge. Derfor er løfter gitt på dette området av stor betydning for mange mennesker. Regjeringen har innført pakkeforløp for 28 kreftformer. Åtte av ti kreftpasienter som er med i pakkeforløpene, får behandling innen fastsatt tid. Dette er et løfte som har vært viktig for oss å innfri raskt fordi det å slippe unødvendig venting og usikkerhet betyr svært mye for dem som rammes av alvorlig sykdom, og for deres familier.

Vår gjennomføringsevne på dette området står i sterk kontrast til de rød-grønne løftene som ikke ble innfridd. Arbeiderpartiet lovet i valgkamp etter valgkamp at det skulle være de eldres tur. Rett før valget i 2009 var lovnaden at nå skulle alle som trenger det, få sykehjemsplass. Innen 2015 skulle Arbeiderpartiet sørge for 12 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Fasiten var en annen. Da Arbeiderpartiet forlot regjeringskontorene i 2013, hadde de skapt 567 nye. Det er nok en mager trøst for mange eldre og deres pårørende at Arbeiderpartiet selv har erkjent at de ikke lyktes med sin omsorgspolitikk. Norsk Sykepleierforbund har gitt oss viktige innblikk i sin rapport om samhandlingsreformens konsekvenser for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Jeg mener det er en ganske hard dom over Arbeiderpartiets omsorgspolitikk. Rapporten viser at de kommunale helse- og omsorgstjenestene hadde for liten kompetanse til å møte økt kompleksitet og arbeidsmengde. Det skapte økt sårbarhet og svikt i kvalitetssikringen. Dette har vært krevende for de ansatte, men det kan ha vært ulidelig for de pasientene som ble uheldig rammet. Med vår regjering ser vi et taktskifte i norsk eldreomsorg. Nå bygges det rekordmange sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene fordi vi har tatt større statlig ansvar og styrket investeringstilskuddet. Stortinget behandler nå den første helhetlige stortingsmeldingen om de kommunale helsetjenestene, som skal skape reell samhandling mellom helsepersonell og sette kompetanse og kvalitet i høysetet. Det jobbes med å utvikle en trygghetsstandard for sykehjem og hjemmesykepleie, for vi vet at hvordan vi organiserer og leder tjenestene og profesjonaliserer praksisen, har betydning for kvaliteten. Noen pasientmøter får en spesiell plass i hjertet. Slik var det for meg å møte Christian Mathisen, alzheimerpasienten på 57 år som åpent forteller hvordan dagaktivitetstilbudet i Bærum har gjort livet med demens litt enklere, i hvert fall i en periode. Å skape meningsfulle hverdager for demenspasienter har vært en villet politikk for Høyre, og vi gjennomfører. Nå skal dagtilbud for demenspasienter være på plass i kommunene innen 2020. Arbeiderpartiet lovet dette før valget i 2011 og gjentok løftet i 2013. Jeg tror mennesker med demens og deres pårørende merker seg at det er Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, som innfrir og leverer. For Høyre er politikk mer enn hvor mange milliarder vi bevilger. Det er å løse de virkelige problemene for de virkelige menneskene der ute. Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen tvitret i forrige uke om helseminister Bent Høies valgløfter. Han håpet det var en helsejournalist i dette landet som kunne tenke seg å ettergå Høies løfter. Det håper vi inderlig, for det blir en fantastisk artikkel å lese på

Vi har ressurser til å gi betydelige bidrag i nærområdene. Videre er det viktig at vi tar imot flere kvoteflyktninger enn noen gang. Vi tar også imot flere asylsøkere enn før, og vi må forberede oss på å ta imot enda flere. Derfor er dette kanskje den viktigste saken på kommunalområdet i denne perioden. Kommunene har en helt sentral rolle i det store og viktige bosettings- og integreringsarbeidet som vi nå står foran. Selv om kommunene allerede bosetter flere enn noen gang, vil det i årene framover være behov for bosetting av enda flere. Vi må unngå at for mange blir sittende for lenge i mottak. Språk og inkludering i lokalsamfunn er viktig, og det må skje så tidlig som mulig. Enkelte undervurderer dugnadsviljen i kommunene. Faktum er at kommunene ønsker å bidra. De er villig til å ta imot flere flyktninger, villig til å hjelpe mange som nå er på flukt, også å ta ekstra vare på de mange enslige mindreårige asylsøkerne som har kommet inn det siste halvåret. Barn på flukt er sårbare, og enda mer sårbare er de når de flykter alene. Vi ser nå at barna er yngre enn før, og derfor har et enda større behov for oppfølging over lengre tid. Vi har i Norge sett et bredt folkelig engasjement, som lover godt for integreringsarbeidet. Integrering handler først og fremst om at folk møter folk, og at man får anledning til å bli en del av samfunnet. Det er et økende behov for bosetting og integrering av flyktninger, som er nok et bevis på at kommunene får et stadig større ansvar på flere områder. Kommunestrukturen, som ble etablert på en helt annen tid, viser nettopp at utfordringene kommunene har i dag, er større enn de var i det forrige århundre. Vi har behov for større kommuner og regioner, og Venstre er glad for at det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommune- og regionreform. Vi er utålmodige og opptatt av å få det nødvendige trykk og at regjeringen viser gjennomføringskraft. Vi har nå en mulighet til å ruste opp kommunene for bedre å kunne ivareta oppgaver de har i dag, men også flere mulige oppgaver i framtiden. I en så viktig reform skulle en gjerne ha sett et mer stødig Arbeiderparti, et Arbeiderparti som har tradisjon for å støtte opp om viktige og nødvendige samfunnsreformer, og som ikke minst følger opp sitt eget stortingsvalgprogram. Uavhengig av Arbeiderpartiet er det imidlertid flertall for reformen. Det er viktig at vi i siste halvdel av perioden får de nødvendige endringene som ruster Kommune-Norge for framtiden. For å være helt tydelig på det er det ingen tvil om at små og store kommuner per i dag leverer kvalitativt gode tjenester til sine innbyggere. Men vi rigger dog ikke en kommunereform for fem år fram i tid. Vi rigger en kommunereform for betydelig lengre perspektiv. Derfor handler denne reformen om framtiden. Regionreformen som er en del av kommunereformen, er en viktig seier for Venstre. Venstre er opptatt av å flytte mer makt nedover til både kommuner og større regioner. Vi ønsker livskraftige regioner og lokalsamfunn over hele landet. Derfor trenger vi større kommuner og et sterkere regionalt, folkevalgt nivå. Vi trenger en styrking av de ulike kompetansemiljøene, og det er viktig at vi også har et regionnivå der hele landet blir tatt i bruk, der en skaper en balanse mellom regioner og hovedstadsområdet. Det er nettopp gjennom større regioner at det er mulighet til samhandling om større samfunnsoppgaver enn det dagens fylkeskommuner kan. Dette vil også gjøre at regioner med sterke fortrinn vil også gjøre at regioner med sterke fortrinn vil kunne dyrke fortrinnene i større grad enn de kan i dag. Vi trenger en styrking av ulike kompetansemiljø, som man bl.a. får til ved å flytte statlige arbeidsplasser ut. Dette fikk Venstre gjennomslag for i fjor, men det må følges opp. Det er tatt til orde for dette gjennom lang tid av flere regjeringer, uten at en har kommet i mål med det. Jeg skjønner at dette er krevende. I Danmark legger regjeringen nå fram en helt konkret plan for å flytte ut nesten 4 000 statlige arbeidsplasser. Over 10 pst. av statlige arbeidsplasser flyttes ut. Det er en helt konkret utflyttingsplan. Dette er noe å strekke seg etter. Venstre vil være en pådriver for at vi skal lykkes med det. Til forrige taler vil jeg si at Arbeiderpartiet er

kommunereformen. Jeg tror kanskje Venstre og andre skal merke seg at entusiasmen for kommunereformen kanskje hadde vært litt større enn det den er i dag, dersom stortingsflertallet og regjeringen hadde valgt å lytte til de tilbakemeldingene som er kommet fra kommunene og fra opposisjonen i Stortinget underveis. Når 12 av 14 lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing nå endte med nei,

av. Situasjonen for flyktningene som kommer til Europa, vil være et helt sentralt politisk spørsmål framover for europeiske politikere, for norske stortingspolitikere og ikke minst for alle de nye folkevalgte rundt omkring i hele landet. Norge har tradisjon for å ta ansvar for mennesker som flykter fra krig. Dette befester seg ved den dugnadsinnsatsen som tusenvis av frivillige har vist den siste tiden for å hjelpe nyankomne flyktninger, som da 200 flyktninger ankom Søndre Land kommune i Oppland to dager før det midlertidige asylmottaket var klart. Da stilte naboer, ansatte og bedrifter i området opp.

Vi har et helt sett av virkemidler gjennom integreringstilskudd, vertskommunetilskudd, midler fra Husbanken osv., osv. Den verktøykassen må tas i bruk. Samtidig er det nesten ikke mulig å understreke sterkt nok at den generelle kommuneøkonomien er av avgjørende betydning for kommunenes mulighet til å bosette og ikke minst integrere sine nye innbyggere på en god måte. Dessverre, halvveis i denne perioden har ikke stortingsflertallet i tilstrekkelig grad prioritert kommuneøkonomien i sine statsbudsjett. Mange kommuner sliter fortsatt med dårlig økonomi etter at skatteinntektene sviktet stort i kommunesektoren i 2014, og som har fortsatt inn i år. I løpet av oktober vil mange nye folkevalgte møte på sine første kommunestyremøter. De tre siste månedene av dette året vil de bli stilt overfor knalltøffe prioriteringer når kommunebudsjettene skal vedtas. Det er for så vidt ikke noe nytt at prioriteringene er vanskelige rundt omkring i norske kommuner. Samtidig skal vi forstå at kommunene nå står i en veldig vanskelig situasjon. De har et sterkt ønske, de fleste, om å ta imot og hjelpe stadig flere flyktninger, men samtidig har de utsikt til lave inntekter inn i neste år. Representanten Skjelstad sa i forrige innlegg at dugnadsånden er stor. Det er jeg helt enig i. Spørsmålet er om regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti vil være med og bidra til denne dugnaden gjennom økte økonomiske rammer til kommunene.

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen i vår signaliserte vi at vi for 2016 vil styrke kommuneøkonomien med 3 mrd. kr utover regjeringens forslag. Når vi ser framover, ser vi at kommunene vil stå overfor mange og store oppgaver. Særlig det at det blir stadig flere eldre, vil sette det kommunale tjenestetilbudet på prøve. Men det er også behov for flere barnehageplasser å gjøre noe med frafallet i den videregående opplæringen. Vi må ruste kommunene for framtiden nå og gi kommunene de rammene de trenger for å bygge velferden. «Det er arbeid som har skapt vårt samfunn», slår trontalen fast – kort, presist og

Det viser både hvor viktig olje- og gassvirksomheten er for Norge, og det viser hvor viktig det er å omstille næringslivet til å få flere bein å stå på. Det er ikke et midlertidig tilbakeslag i økonomien vi står overfor, men en nødvendig omstilling til en grønnere økonomi. Den vil ta tid, og det vil bli krevende prioriteringer. For å skape flere lønnsomme arbeidsplasser må det investeres mer i infrastruktur, kunnskap, forskning, innovasjon og vekstfremmende skattelettelser. Det blir flere arbeidsledige hvis et næringsliv som tjener mindre, må betale mer i skatt. Offentlig sektor må moderniseres, slik at ressursene brukes bedre. Regjeringen er godt i gang med dette arbeidet. Trontalen og meldingen om rikets tilstand viser det. Arbeid, aktivitet og omstilling er regjeringens hovedprioriteringer. Men dette arbeidet burde likevel ha kommet lenger, for det er nå vi merker at den foregående regjeringen knapt iverksatte en eneste reform. I tillegg sank produktiviteten samtidig som kostnadsnivået økte under de rød-grønne sammenlignet med våre nærmeste handelspartnere. Det svekket vår konkurranseevne. I år etter år ble norsk økonomi mer og mer avhengig av olje. Når oljeprisen og aktiviteten nå synker, betaler vi prisen for at man valgte den enkleste løsningen i for lang tid. Den største trusselen mot den norske velferdsutviklingen er at vi ikke klarer å omstille oss i tide. Regjeringen er nå halvveis i sin første periode. Vi overtok mange tunge etterslep fra forgjengerne. På justisfeltet var vedlikeholdsetterslepet i norske fengsler rundt 4 mrd. kr. Vi overtok en soningskø på 1 200 personer. Vi hadde synkende politidekning. Og vi hadde en ny straffelov som daværende statssekretær i Justisdepartementet så sent som i stortingsvalgåret mente ikke kunne iverksettes før i 16 år etter at den ble vedtatt her i Stortinget. Det var et stort behov for nye ideer og bedre løsninger. Regjeringen har allerede startet arbeidet med å bedre bygningsstandarden i kriminalomsorgen. Dette er ikke bare et bosted for de innsatte og arbeidsplassen for de ansatte. Fengselsbygningene er også en viktig del av rammen for god rehabilitering bort fra kriminalitet. Personer som står i soningskø, får hele livet satt på vent. Man befinner seg i et vakuum, hvor det er svært vanskelig å planlegge yrkesliv og familieliv. Derfor har regjeringen lagt stor vekt på å redusere soningskøen. Hittil er det under etablering eller allerede etablert 222 nye lukkede plasser innenfor norske fengsler. I tillegg har vi leid 242 plasser i Nederland. Soningskøen er nå på vei nedover og er nede i 985 personer. I 2013 var politidekningen 1,6 politi per I dag er denne økt til nesten 1,8 på bare to år: mer politi og mer trygghet. 800 nye politistillinger er opprettet siden regjeringsskiftet. I tillegg kommer styrking av både politijurister og påtalemyndighet – et løft uten sidestykke. Oppdaterte tall viser at oppklaringsprosenten har økt med over 3 prosentpoeng siden 2013. For fem dager siden trådte den nye straffeloven i kraft – seks år tidligere enn de rød-grønne sa de kunne klare. Det er nok et bevis på at tydelig politisk vilje kom inn i regjeringskontorene med regjeringsskiftet. Regjeringsskiftet ga gjennomføringskraft og gode resultater i skjønn forening. Innanfor justissektoren har vi dei siste to åra sett at regjeringa trur at det å endre strukturar er

utsett å tilsetje folk for å ha råd til å gjere nødvendige investeringar i materiell. I politirådsmøte i Nord-Trøndelag er det opplyst at Region nord i politidistriktet må spare 3 mill. kr. Er det representativt for ei historisk satsing på politiet? Samstundes ser vi at sentrale einingar veks – det blir altså meir byråkrati. Vi i Senterpartiet meiner derimot at desentralisering er løysinga, ikkje sentralisering. Representanten Werp sa i førre innlegg at det er eit stort behov for nye idéar og betre løysingar, men sentralisering er verken ein ny idé eller ei betre løysing. På justisområdet blir det ikkje teke nokon reformpause. Regjeringa ser ut til å leve i den trua at viss vi berre flyttar rundt på nokre boksar her og der, blir innhaldet og tilbodet betre. Regjeringa lærer med andre ord ikkje av erfaringar, verken frå tidlegare prosessar eller frå utlandet.

ha ført til ganske slitsame debattar for representantar for regjeringspartia, og ikkje minst for justisministeren. Det ville òg i større grad ha retta merksemda mot den prosessen som skal kome, og kanskje var håpet at minst mogleg merksemd skulle gje best mogleg sjanse for å lukkast med å få til samanslåingane. Ein domstol representerer noko grunnleggjande i samfunnet. Norske domstolar held svært høg kvalitet, uavhengig av størrelse. Det er ingenting som tilseier at store domstolar er betre enn mindre. Tvert om – ser ein på saksavviklinga i små domstolar, er ho jamt over betre. Ein får rett og slett sakene raskare unna. Rekruttering blir ofte framstilt som det berande argumentet for samanslåing av tingrettar. Til det vil eg seie at dei som heile tida sår tvil om eksistensen til enkelte domstolar,

Vi i Senterpartiet ønskjer å skape føreseielegheit for både store og små domstolar. Både domarar, saksbehandlarar i tingrettane og innbyggjarane skal oppleve føreseielegheit og sleppe å oppleve usikkerheit frå år til år. Sorenskrivar Knut Gramstad i Sunnhordland tingrett kom med følgjande utsegner til NRK i førre veke, som eg meiner set godt ord på situasjonen: jeg hører argumentet om bredere fagmiljøer, ser jeg for meg en kreativ arkitektgruppe som sitter og diskuterer. Dommeryrket har aldri vært slik, og jeg tror aldri det vil bli slik heller. Det foreligger i alle fall ikke noen planer om å endre dommerrollen, påpeker Gramstad, og sier følgende om de digitale arbeidsprosessene: – Man trenger ikke sitte i Oslo for å ha tilgang til digitale verktøy. Her i Sunnhordland har vi akkurat de samme oppslagsverkene og systemene, og et videolinksystem av beste sort.» Vi må sørgje for å leggje til rette for at advokatar tilbyr tenester i heile landet. Viss domstolane blir sentraliserte, kan det føre til mindre spreiing av advokatkontor fordi desse gjerne vil operere i nærleiken av domstolane. Og kven er det som blir ramma av dette? Jau, befolkninga i distrikta. Det er også slåande at det ikkje blir foreslått samanslåing av domstolar i Oslo, men at det er eit einsidig fokus på distrikta. Eg forventar at regjeringa i det følgjande lyttar til lokalmiljøa, og at dei registrerer at det ikkje er noko lokalt ønske om samanslåing av tingrettane. Rådet mitt til justisministeren er at han bør oppmode Domstoladministrasjonen om å leggje denne utgreiinga i slik at dei heller kan bruke tid, ressursar og tankekraft på å utvikle domstolane til å kunne møte framtida på best mogleg måte. Det er

de kaller det modernisering, de kaller det effektivisering, og de kaller det nødvendige omstillinger. Med andre ord – og det merker vi veldig godt også i denne debatten: De har litt vanskelig for å vedstå seg sine egentlige politiske hensikter. Den spisseste delen av det i denne debatten er den måten som Fremskrittspartiets representanter opptrer på. De blir gang på gang og om igjen og om igjen bedt om å svare på om de står bak sin leders uttalelse i valgkampen om at de skulle sabotere flyktningavtalen. Å nei da, det er det nærmest ingen som har sagt. Alle hørte hva finansminister Siv Jensen sa, alle skjønner hva som var hennes hensikt, men i denne salen er det tydelig at hennes egen gruppe ikke vil vedstå seg det. Sånn hører iallfall jeg det. Det siste eksempelet var representanten Njåstad, som konsekvent ikke svarte på spørsmålet. Det som er det interessante med det, er: Er det akseptabelt for Stortinget å ha en slik situasjon når disse menneskene er medlemmer av regjeringa? Det er det interessante spørsmålet for Stortinget, Stortinget, spesielt når statsministeren konsekvent ikke rydder opp i det, ikke svarer på spørsmålet, ikke deltar i den delen av diskusjonen. Det er noe helt nytt i den parlamentariske situasjonen i Norge at vi har regjeringspartier som sier én ting i regjering, og noe annet utenfor. Det har aldri før skjedd på den måten, og i hvert fall ikke sånn at ikke statsministeren sier hva det egentlig handler om. Derfor gjenstår det en viktig side ved denne trontaledebatten. Det er at det blir ryddet opp i dette. Jeg får formode at statsministeren i morgen sier noe om dette, ettersom dette har preget denne delen av debatten så mye – ikke bare fordi vi ikke skjønner hva som foregår, for det gjør vi jo, men fordi det er nødvendig å få en parlamentarisk avklaring av hvor regjeringa står. Vil hun la finansministeren sin uttale seg på den måten, eller vil hun si at det ikke er representativt for regjeringa? Dette er ikke for å lage moro, dette er fordi det er dette denne debatten dreier seg om, det er dette som er den parlamentariske debatten. Det er derfor jeg sier det sånn som jeg sier det. er altså slik at de har vanskelig for å vedstå seg veldig mye, men det er en tydelig retning på hva de gjør. Jeg skal innenfor denne tidsrammen bare nevne to områder som jeg er veldig opptatt av. Landbrukspolitikken – hva gjør landbruksministeren? Hun går utenom lovens bestemmelser når det gjelder priskontroll, lar det få lov til å utvikle seg en ny politikk innenfor prispolitikken i landbruket. I dag fikk jeg en telefon fra en bonde på Modum som var fortvilet over situasjonen fordi prisen på eiendommene blir så høye at de som normalt skulle kjøpe dem og kunne drive dem, ikke kan gjøre det lenger. Er det å ta vare på den norske verdien? Nei, det er det ikke. Det andre eksempelet som jeg er veldig opptatt av, selvfølgelig, er det som skjer innenfor arbeidsmarkedet. Det er kanskje slik at det finnes noen ungdommer som får jobber gjennom midlertidige ansettelser, men hva kommer dette til å bety for neste generasjons arbeidstakere? Dette er høyrepolitikkens vesen, det er her det avgjørende skillet i norsk politikk går. Og her kommer det til å gå i årene som kommer også – på denne måten.

som heimelekse i ein stressa familiekvardag. SVs heildagsskule er ikkje berre det mest ambisiøse forslaget i skulepolitikken i Noreg i dag. Heildagsskulen er også nødvendig dersom skulen skal bli ein arena for sosial utjamning og samtidig gi alle moglegheiter til å utvikle kreativitet, sjølvstende og evner. På same måten som forandring ikkje kjem av seg

Vidare krev heildagsskulen fleire timar. Skal øvingsarbeid skje i skuletida med lærarar til stades, skal det bli meir vekt på praktiske og estetiske fag, og skal det bli eit skikkeleg skulemåltid, må også skuledagen utvidast. I første omgang føreslår vi difor at skuledagen blir utvida med to timar for første til fjerde trinn. Ein slik skuledag, på seks timar, er dessutan i langt større grad tilpassa Dei fleste går jo allereie i SFO både to og fire timar utover skuledagen. Regjeringa opptrer som om det finst ein «quick fix» for å skape ein god skule, at det finst nokon raske og billege tiltak som åleine gjer skulen betre. For augeblikket forsøkjer regjeringa å få folk til å tru at berre ein gjer lærarane betre gjennom etter- og vidareutdaning, treng ein ikkje fleire lærarar. Da er det ingen grenser for kor mange elevar ein enkelt lærar evnar å ta på seg. Samtidig som den blå regjeringa byggjer vidare på etter- og vidareutdaningssatsinga til den raud-grøne regjeringa, har ho utvist stor tru på at fleire testar og prøvar i skulen skaper betre læring. Men når undervisninga handlar meir og meir om å øve på prøvane, seier det seg sjølv at mangfaldet av ulike pedagogiske verkemidlar som lærarane kan ta i bruk for å tilpasse undervisninga til eleven, må kastast på båten. Resultatet er at lærarane blir pressa til å drive eksamensundervisning, der målet ikkje er læring, men å førebu elevane til prøvane. Situasjonen som blir skapt av politikken til regjeringa, er med andre ord ganske så paradoksal: Lærarane blir sende på etter- og vidareutdaning, får pedagogisk påfyll og nye idear til korleis ein kan drive undervisning, og så kjem dei tilbake til ein skule der den pedagogiske kompetansen til lærarane blir mindre verdsett, og det faglige handlingsrommet krympar i jaget på betre Rommet for fagleg sjølvstende blir med andre ord stadig mindre, samtidig som den faglege kompetansen aukar. Det er ingen faglege grunnar til å kjøpe argumentet om at fleire lærarar ikkje fører til betre og meir tilpassa læring. Regjeringa brukar dette som ein snikargumentasjon for å unngå å bruke dei store pengane på skule og er det skattekutt – skattekutt oppnådd gjennom svekking av offentleg velferd – som er saka med stor S for dagens regjering. Det er eit stort sprang frå dei vidløftige talane til skulepolitikarane i regjeringspartia til verkelegheita når statsbudsjettet blir lagt fram. Da regjeringa la fram sitt førre budsjett, låg det hundre gonger meir til skattekutt til dei rikaste enn til grunnskule og vidaregåande opplæring til saman.

Senest i dag hørte vi komitélederen i transportkomiteen, representanten Hofstad Helleland, hevde at det rød-grønne forfallet nå omsider har stanset opp. Statsråd Solvik-Olsen forsøker seg på en tilsvarende historiefortelling om at forfall er noe som skyldes den rød-grønne regjeringen, og at det overhodet ikke ble gjort noen ting i samferdselssektoren i årene 2005–2013. Det er en ganske fortegnet framstilling av hva virkeligheten er. I regjering startet Arbeiderpartiet tidenes samferdselsløft. Det ble behørig presentert i den foregående nasjonale transportplanen, og det er den videreførte og gjeldende planen som regjeringen Stoltenberg II la fram, og som regjeringen Solberg nå realiserer. Regjeringen fortjener honnør for at den følger opp med årlige bevilgninger over statsbudsjettet for å innfri planen, selv om det er langt igjen før Fremskrittspartiet kan innfri sine løfter fra den tiden de var i opposisjon, Vi ønsker å videreføre den storsatsingen på vei, jernbane, luftfart og havner som vi startet. Det handler om økt framkommelighet, bedre tog og hyppigere avganger med buss for tusenvis av pendlere. Det betyr bedre og tryggere veier, sånn at ikke liv og helse går tapt. Det betyr lavere utslipp og en bedre luft for oss alle å puste inn og å leve i. Ja, det handler om næringslivets behov for å frakte ferske varer raskt ut til butikker og kunder. Det handler om et land som er bundet sammen. president Barack Obamas beskjed i Anchorage i august. Den var krystallklar: Vi gjør ikke nok for å løse klimakrisen, og verden må handle nå. Da spiller transportsektoren, som står for om lag 30 pst. av de samlede norske klimautslippene, en nøkkelrolle. Tiltak innenfor sektoren er derfor sentralt for å redusere utslippene. Teknologiutvikling, kollektivtransport og utvikling av miljøvennlige transportmidler er derfor nøkkelsatsinger vi ønsker å støtte opp under. Vi har kritisert regjeringens veireform og jernbanereform, fordi vi mener at de foreslåtte løsningene ikke svarer på utfordringene. Vi erkjenner at det er behov for bedre organisering og smartere rammebetingelser når det gjelder både veiutbygging og jernbanen, og når det gjelder ansvarsforholdet mellom Jernbaneverket og NSB. Men vår løsning er ikke den systematiske oppsplittingen innenfor offentlig sektor og det ideologiske korstoget for privatisering av offentlig infrastruktur som dagens regjering legger opp til. Vi har begrenset tro på det frie markedets evne til å løse store, komplekse og sektorovergripende utfordringer, som miljøutfordringene og strategiske investeringer for å Det finnes mange investeringer som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme eller samfunnsøkonomisk lønnsomme, i hvert fall ikke med de modellene som ligger til grunn i dag. Det er ikke regnestykker med to streker under svaret, verken med dagens modeller eller andre modeller man kunne tenke seg. Likevel vil investeringer i utbedringer i den typen infrastruktur som realiserer muligheter, være alfa og omega for dem det gjelder. Det nytter ikke bare å ha en god samferdsel på midten. Man må ha det helt fra starten og helt til slutten. Spørsmålet er om dagens regjering ser det, all den tid det varsles ytterligere vekt på samfunnsøkonomiske analyser. Hvis det var sånn at samfunnsøkonomiske eller bedriftsøkonomiske verdier skal være de eneste kriteriene for hvor vi skal satse på samferdsel her i landet, kan man jo bare overlate til et direktorat og til embetsverket å bestemme hvor det skal bygges. I Arbeiderpartiet er vi for omstilling. Kjernen i sosialdemokratiet er evnen til å formulere samfunnskritikken og til å gi svar som menneskene tror på for å løse de utfordringene. Men vi mener at det er viktig at fellesskapet har kontroll med og eierskap til kritisk viktig infrastruktur. For Arbeiderpartiet er derfor det viktigste at vi får bygd og vedlikeholdt flest mulig havner, jernbaner, veier, flyplasser og – for den saks skyld – kloakk og vannforsyning, for å møte framtidens behov. Vi vil først og fremst bygge landet – ikke selge det bit for bit til private og kommersielle interesser. Vi er ikke imot å endre organisering eller finansiering innenfor samferdsel. Men tiltakene må bygge på kunnskap om hva som virker – ikke på en blind, ideologisk
Trontaledebatten har også i år tatt en meget forutsigbar vending. En rekke av innleggene – ikke minst fra noen av representantene fra Arbeiderpartiet – er innlegg som er så fulle av retorikk og så lite realitetsorienterte at det grenser til det komiske. Det synes Trontalen og debatten om den bør dreie seg om det regjeringen varsler, eller eventuelt ikke varsler. Så skal jeg skynde meg å legge til at jeg skjønner at det kan være frustrerende å se at oppgaver den rød-grønne flertallsregjeringen ikke greide å løse på sine åtte år, og som dermed gikk uløste over til den nye regjeringen, nå løses av denne

har oppmerksomheten som er rettet mot dem i samfunnet vårt som trenger det offentlige mest, en like sentral plass i arbeidet. Statsministeren har erklært at vi skal tette hullene i det sosiale nettverket, og det følger hun opp og passer stadig på. Det fortjener honnør. Arbeidet med å få på plass et mer helhetlig og enda bedre tilbud i barnevernet har full oppmerksomhet og skal konkretiseres og ivaretas gjennom en melding til Stortinget – se barnet fra de første signalene kan oppfattes, sette inn tiltak raskt og med en fleksibilitet i tilbudene når det trengs, og ikke minst følge opp i etterkant for å gi starthjelp for videre deltagelse i samfunnslivet, slik at denne typen utfordringer ikke går i arv. Fosterhjem er en viktig del av tilbudet i barnevernet, og også dette området får sin egen melding. Barneministeren viser et stort engasjement for å få på plass nok fosterhjem, at færre flyttes rundt til stadig nye steder, og at beredskapshjemmene benyttes i de korte overgangene de er ment å være der for. Det er oppløftende å se at det er vilje til å ta de nødvendige grep for å skjære gjennom inngrodde og ikke lenger fungerende systemer på deler av dette feltet. Vi skal og må få på plass et enda bedre fungerende tilbud i barnevern og fosterhjem.

hverdagsliv – nok en bevisst, konkret satsing på å tette hullene i det nettet av støtte og hjelp som gir disse menneskene en ny mulighet. Det fortjener honnør. Regjeringen vet selvsagt at det er mye som skal til for å få dette til. Dette er ikke noe en bare kan vedta. Ved siden av politiske vedtak og budsjettdisposisjoner trengs det mennesker, skape trygghet, lede aktiviteter, være en hånd å holde i eller utføre krevende oppgaver i støtteapparatet. Dette hadde vi ikke fått til uten et stort engasjement i frivilligheten. Derfor har regjeringen også vist at den ikke tar frivilligheten som en selvfølge, men aktivt legger til rette for at de som engasjerer seg der, skal få drive med det som engasjementet tilsa, ikke papirarbeid og Gjennom konkrete forenklinger og gratis tilgang til Frivillighetsregisteret har regjeringen gjort det enklere og mer spennende å være frivillig. Frivilligheten skaper gode nærmiljø og bidrar selvsagt vidt også langt utover sitt bidrag til dem som trenger hjelp fra støtteapparatet. Idrett, sang og musikk, revy og teater – hele kulturfeltet nyter også godt av den tilretteleggingen som nå gjøres for frivilligheten. «For lite for seint», har vært en gjentagende påstand fra Arbeiderpartiet. Dersom det denne regjeringen gjør på disse områdene er «for lite for seint», ja da sliter jeg veldig med å finne ord for perioden før vi fikk ny regjering. Vi har åpenbart forskjellige måleparametere. I kulturpolitikken var den rød-grønne regjeringen kun opptatt av pengebruk. Det ga økt administrasjon, men ingen økt kulturbruk. Denne regjeringen bruker pengene treffsikkert. Det utløser engasjement, kreativitet, økt støtte og økt bruk. Det fortjener

I dag lever det flere fattige i mellominntektsland enn i fattige land, så god fordelingspolitikk er nøkkelen til å bekjempe fattigdom. God fordelingspolitikk burde også være en av våre fremste eksportvarer, men da bør vi heller ikke øke forskjellene her hjemme. Men selv om verden går framover, opplever millioner av mennesker utrygghet og forverret sikkerhetssituasjon på grunn av terror, stater som ikke gir innbyggerne beskyttelse, og mangel på grunnleggende menneskerettigheter. Norge er en humanitær stormakt, og jeg er glad for at regjeringa nå sier den skal foreslå et bistandsbudsjett på 1 pst. av bruttonasjonalprodukt. Den største humanitære katastrofen siden annen verdenskrig utspiller seg nå i Syria og i nabolandene. Skal de hjelpes, trengs det mer penger. Vi må bidra, og jeg vil gi honnør til regjeringa for initiativet om en giverlandskonferanse. Men vi må også ta vår del av ansvaret ved å ta imot flere flyktninger. Alle kan ikke hjelpes i nabolandene. Som et lite land er vi avhengig av folkeretten. Når den er under press, blir vi mer sårbare. Den sterkestes rett tjener ikke oss. oss. Norge kan bidra i mange internasjonale konflikter. Vi lykkes ikke alltid, men vi kan spille en viktig rolle enten det er i Guatemala, Colombia eller Midtøsten. Vi har også forsøkt å bidra i Sør-Sudan, men her ser vi en utvikling som kun har gått i negativ retning den siste tida. Vi må alltid diskutere vår rolle i slike konflikter, men vi ønsker å bidra. Selv om vi er et lite land, skal vi fortsette å være en humanitær stormakt. Vi kan også bidra militært for å skape sikkerhet i urolige områder. Den siste tida har vi diskutert vårt militære bidrag til Libya og hvordan sikkerhetssituasjonen for befolkninga der har blitt forverret. Erfaringene viser behovet for grundig debatt om dilemmaene knyttet til militært engasjement og om hvordan vi kan bidra til stabilitet når vi først har gått inn i en konflikt. Dette tilsier økt tilstedeværelse i Afghanistan. I Irak må vi hele tida diskutere om våre soldater bidrar til bedre sikkerhet for befolkninga, og om sikkerheten for våre soldater er godt nok ivaretatt. I denne sesjonen blir behandlinga av fagmilitært råd en svært viktig sak. La det være helt klart: Ingen del av offentlig sektor har vært gjennom større omstilling enn Forsvaret. Høyre har aldri bidratt til å ta de vanskelige avgjørelsene når det partiet har sittet i opposisjon, verken ved begynnelsen av årtusentallet eller i de to periodene hvor den rød-grønne regjeringa satt. Så at Høyre i denne debatten skal framstille seg selv som omstillingsvennlig – vel, Forsvaret er et veldig godt eksempel på det motsatte. Men det er behov for å fortsette omstillingene i Forsvaret. Fra Arbeiderpartiets side er vi interessert i et forlik med regjeringa om disse vanskelige sakene, for terror, folkevandring, mangel på stabilitet og cyberangrep skaper behov for et forsvar som er tilpasset vår tid. Økt opprustning hos vår nabo tilsier at vi må styrke Forsvaret i våre nærområder. Men brudd på folkeretten og mangel på demokratisk utvikling hos vår nabo i øst kan ikke kun møtes med militære svar. Vi har egeninteresse av mest mulig samarbeid med vår nabo Vårt utgangspunkt må være: Hvordan kan vi beholde nordområdene som et lavspenningsområde i en tid med økte konflikter i Europa?

For noen framstår velferdsordningene som et mangehodet troll. Derfor skal Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, styrke det sosiale sikkerhetsnettet – for rusavhengige, for dem som risikerer å falle utenfor arbeidslivet, for barn med sammensatte behov og for skrøpelige eldre som ikke får et godt nok helsetilbud. Men vi skal også forenkle, fornye og forbedre ordningene, slik at de henger sammen og tar utgangspunkt i brukerens og pasientens behov. Vi skal rett og slett skape pasientens helsetjeneste og sikre at barn får et sammenhengende tilbud. Den største sosiale ulikheten i landet vårt er at rusavhengige har en forventet levetid som er tjue år kortere enn for resten av befolkningen. Det er en ulikhet vi ikke kan leve med. Derfor står regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre sammen for et taktskifte i ruspolitikken. Før valget la vi fram rammene for en forpliktende opptrappingsplan for rusfeltet – en styrking på 2,4 mrd. kr mot 2020. I tillegg kommer veksten i den spesialiserte rusbehandlingen. Regjeringen har gjeninnført den gylne regel, som ble fjernet i forrige periode, som sikrer at sykehusene prioriterer rus og psykisk helse.

Livskvalitet handler ikke bare om egen sykdom, men også om at samfunnet legger til rette for et aktivt og deltakende liv. Derfor har vi fått vedtatt retten til brukerstyrt personlig assistanse. For mange er dette den retten som gir dem mulighet til å bli sjef i eget liv. BPA er nettopp det lyset som får det mangehodede trollet til å sprekke. Fattigdommen er både materiell og en og en opplevelse. I et rikt land som Norge er den siste delen ekstra belastende, ikke minst for barn. For mange barn lever i fattigdom. Det fratar dem muligheter og skaper ensomhet. Derfor har regjeringen lagt fram en strategi mot barnefattigdom. Barn og unges helse varer livet ut. Derfor har vi sørget for en kraftig styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. I 2016 vil kommunene ha 650 mill. kr mer til dette formålet enn de hadde i 2013. Nå starter vi å bygge ut tilbudet med psykologer. Økt satsing på kvalitet i barnehagen og kunnskap i skolen vil skape større muligheter for alle barn, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Selv om vi satser på de yngste, glemmer vi ikke de eldste.

nær doblet. I helsepolitikken er vi godt i gang med å skape pasientens helsetjeneste. Færre venter i helsekø, og de venter kortere. Vi har innført pakkeforløp for kreftpasientene. Engangslegene som kreftpasient og professor Per Fugelli beskrev, skal vekk. Saken er fremmet for Stortinget, og jeg håper at dette får tilslutning. Vi har gjort mye, men mer gjenstår. Det er viktig at vi ikke bare øker innsatsen for å tette det sosiale sikkerhetsnettet, men at vi også sørger for at tjenestene for dem som er mest utsatt i samfunnet vårt, også henger sammen. Det blir replikkordskifte. Jeg slutter meg til mye av det

Jeg så på en sak tidligere i dag hvor han bl.a. uttalte at markedet for private helseforsikringer ville falle helt bort bare Høyre vant valget, altså at folk helt uten forbehold skulle slippe å tegne den type forsikringer privat, for det skulle han som helseminister ordne. Nå er det snart gått to år siden Bent Høie ble helseminister. Hva tenker han selv om framdriften for bl.a. dette valgløftet? Framdriften er veldig god. I løpet av 2015 innfører vi fritt behandlingsvalg, ikke bare for rus og psykisk helse, som vi lovte før valget i 2013, men også for en rekke andre sykehustjenester. Det gjør at de som er medlem av folketrygden, får en helt annen mulighet til å velge blant ledig kapasitet hos private, utover det anbudsregimet som er Arbeiderpartiets løsning, nettopp for å sikre at en får mulighet til å få raskere hjelp – uten at en er nødt til å ha en arbeidsgiver som har tegnet privat helseforsikring. Jeg er opptatt av at vi har en offentlig finansiert helsetjeneste som gir folk god og rask hjelp, slik at en ikke får inntrykk av at tryggheten i samfunnet er basert på at en har en helseforsikring. Derfor er disse reformene helt nødvendige. Alt dette har jeg hørt mange ganger, helseministeren har framført det her i Stortinget mange ganger, og vi lurer fortsatt på når dette kommer. Nå har det snart gått to år. Flere av forsøkene fra helseministeren har vært så byråkratisk anlagte, og det har blitt brukt så mye utredningskapasitet og ressurser i Helsedepartementet på å få gjennomført et valgløfte som vi fortsatt ikke har sett innholdet i, hva som faktisk kommer til å skje. Derfor vil jeg egentlig gjenta spørsmålet mitt: Framdriften er én ting, men står helseminister Bent Høie ved det han sa i opposisjon om at med de forslagene han og hans regjering nå gjennomfører, vil markedet for private helseforsikringer falle bort?

løsning i denne saken. Resultatene taler for seg – færre står i kø, og ventetiden er kortere. Ikke minst venter rusavhengige betydelig kortere nå enn da Arbeiderpartiet styrte – i nærheten av to uker kortere før sommeren. To uker er lang tid i en motivert rusavhengigs liv når en ønsker behandling.
ved

Forskning viser at pris og tilgjengelighet er blant de mest effektive virkemidler for å kunne føre en restriktiv alkoholpolitikk. Regjeringen har sendt ut et forslag – og fått svar – på høring om å begynne med gårdsutsalg av alkohol over 4,7 pst., i tillegg til at regjeringen økte taxfree-kvoten i fjor. Ser statsråden at dette kan resultere i et svekket og uthult vinmonopol, og at konsekvensen kan bli en oppmyking av den restriktive alkoholpolitikken som Norge har vært kjent for og har kjørt? Jeg er helt enig med representanten Bollestad i at det er viktig at vi også fører en ruspolitikk som forebygger rusavhengighet og forebygger den folkehelseutfordringen som alkohol og tobakk representerer. Derfor er det en del av regjeringens politikk, som det også kommer fram av samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre, å videreføre hovedlinjene i alkoholpolitikken. Det betyr fortsatt høye avgifter. Det betyr regulerte salgs- og skjenketider. Det betyr et reklameforbud. Og det betyr å opprettholde Vinmonopolet som ordning. Ordningen som åpner opp for gårdsutsalg, truer ikke noe av dette. Det kom også fram i høringen fra de institusjonene som forsker på rusfeltet, at dette representerer et så lite volum at det ikke utgjør noen trussel for det. Statsministeren har erkjent at en av årsakene til

Statsråden uttalte i sin sjukehustale den 7. januar i år at akuttkirurgi krever et pasientgrunnlag på minst 60 000–80 000 innbyggere. Altså har halvparten av våre sjukehus for lite pasientgrunnlag til akuttkirurgien. Folk flest erfarer at uten akuttkirurgi blir det som i dag kalles sjukehus, snart et distriktsmedisinsk senter. Mine to spørsmål er følgende: Hva har statsråden lært av dette gjennom valgkampen og av Høyres vurdering av valgresultatet? 2) Vil statsråden snu i sitt arbeid med å ta vekk akuttkirurgien, eller blir det bare et skifte av taktikk? Nå har Senterpartiet siden januar prøvd å få meg til å fortelle før tiden hva nasjonal helse- og sykehusplan inneholder. Det nærmer seg. Det er ikke lenge før planen blir fremmet for Stortinget, og da vil også representanten få svar på de spørsmålene som han her stiller. Det som imidlertid er helt klart, er at det er uaktuelt for meg å legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan som innebærer at halvparten av landets lokalsykehus blir lagt ned. Tvert imot. Hovedhensikten min med en nasjonal helse- og sykehusplan er å finne en modell som innebærer at pasientene er sikret god kvalitet på behandlingen, men ikke minst også at vi har en ryggrad av mindre sykehus i hele landet, som er til stede når det haster, f.eks. i forbindelse med hjertestans og hjerneslag. Skulle en ha gjort som noen legger opp til, nemlig at alle sykehus skal ha bredden av kirurgi for å få lov til å drive indremedisinsk akuttilbud, ville en opplevd en radikal sentralisering. Det er jeg imot. Statsråden nevner en rekke tiltak som regjeringa er

nevnt. Funksjonsevne er ganske viktig uansett hvor du er i livet, særlig når du er liten, og særlig når du er eldre. Departementet foreslår jo å lovfeste en del helsekompetanse, mens f.eks. audiografer og optikere blir vi i stor grad overlatt til å skulle gå til selv, også å betale store deler av de tjenestene. Så spørsmålet er: Når vil statsråden ta tak i disse gruppene og disse basisfunksjonene i helsesektoren? Jeg er opptatt av at vi kommer til å bli flere i samfunnet vårt som har både nedsatt syn og nedsatt hørsel. Det er en helt naturlig utvikling som en følge av at vi blir flere i samfunnet som blir eldre, og det er viktig at en da får gode tilbud. Jeg opplever at private tilbud som vi får hos optikeren, er et viktig supplement til det offentlige, og vi er også nødt til å bygge ut bedre kapasitet for at folk skal få hjelp også med hørsel. Det er en del av en naturlig utvikling både av primærhelsetjenestene og av

og sa at den vidt kjende kompetansen som dei hadde bygd opp gjennom 13 år, hadde forvitra på eitt år. Dei hadde tapt store delar av sin kompetanse gjennom denne anbodsutsetjinga, og dr. Lorentz Nitter meiner at dette viser at demensomsorga ikkje eignar seg for anbodsutsetjing. Viser ikkje denne saka for ministeren at demensomsorga er eit område som ikkje eignar seg for

som gir kommunen et konkret redskap for å sikre god kompetanse, god bemanning, god kvalitet, og vi kommer også nå med en egen demensplan. Jeg er overrasket over at SV klarer å redusere et så stort og alvorlig spørsmål til et spørsmål om offentlig eller privat. Jeg har selv vært og besøkt f.eks. Gode Øyeblikk i en liten kommune i Nordland, privat drevet av idealister som tidligere jobbet i den offentlige helsetjenesten, i nettopp det de opplevde som en stor utfordring i sin kommune, at det ikke var gode nok tilbud til mennesker med demens. De ønsket å skape Gode Øyeblikk, og det gjør de gjennom et privat initiativ. Dette handler ikke om offentlig og om privat, dette handler om kvalitet. Da er replikkordskiftet over. «By og land – hand i hand» – det

Regjeringa har to støttehjul her i Stortinget, i Venstre og Kristeleg Folkeparti. Eg må berre seie at eg blei veldig skuffa då eg las i haust at Kristeleg Folkeparti kanskje var villig til å gje seg på denne saka. Det håpar eg ikkje dei gjer. Eg meiner det er på tide, spesielt for Kristeleg Folkeparti, å vurdere kva dei som eit sosialt og solidarisk parti Eg ser det iallfall ikkje, og eg registrerer at mange av Kristeleg Folkepartis lokale medlemer heller ikkje gjer det. Eg meiner dagens regjering tek landet i feil retning og er ein trussel for distrikta. I Telemark fekk me ikkje ein einaste ordførar frå Høgre eller Framstegspartiet etter årets kommuneval. I Telemark er det no ordførarar berre frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet og ein frå Venstre. Eg meiner at dette kommunevalet og det resultatet me no ser i Telemark, som er eit typisk distriktsfylke med by- og bygdeutfordringar, er eit sterkt signal til dagens regjering. Ein ser og opplever at pengane blir bruka feil. Ein sit rundt om i kommunestyresalar og ser at pengane blir bruka på skattekutt, mens ein samtidig må kutte i velferda i sin eigen kommune. Ein ser at sentralisering er det som er mest in, og ynsket om kommersialisering er stort. Arbeidarpartiet vil bruke handlingsrommet i norsk økonomi til å investere i framtida. Kunnskap og moglegheiter til alle må gå framfor kutt i skattane. God kommuneøkonomi gjev betre skular og styrkte velferdsordningar. Kutt i skattane gjer ikkje det. Me treng ei regjering som bryr seg om heile kongeriket og om «byen og hjembygdas lier». Det har me dessverre ikkje

Vi skal ta ansvar for flyktningane, men Noreg kan ikkje gjere dette åleine. Det kan heller ikkje Europa. Situasjonen krev innsats og engasjement på tvers av fleire kontinent. Vi må hjelpe i Syria, i nærområda og her i Noreg. Regjeringa har kome med ei lang rekkje tiltak for å støtte dei landa som tek imot mange flyktningar, til redningsoperasjonen i Middelhavet og til å kjempe mot dei humanitære krisene som tvingar menneske på Også her heime vil det krevje ein stor dugnad. Dei som kjem, skal integrerast i skular, idrettslag, arbeidsplassar og lokalsamfunn over heile landet. Jobben er ikkje gjord når dei kjem til landet; det er då han startar. Vi har alle eit ansvar for å gje eit godt tilbod og gjere overgangen til eit nytt liv i Noreg så enkel som mogleg. Det er svært gledeleg å sjå det engasjementet folk viser for å hjelpe dei som
I fjor ble det bosatt 7 784 flyktninger, dvs. 19 pst. flere enn i 2013. Dette er flere enn på 20 år, men ikke på langt nær nok til å bygge ned restansen av bosettingsklare i mottak. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har nå sendt ut anmodningsbrev til alle landets kommuner og bedt dem bosette flyktninger. Så langt har kommunene sagt ja til å bosette 11 000 flyktninger i
Kommunane har ei nøkkelrolle i dette arbeidet, og dette viser eit svært positivt engasjement ute i norske kommunar. Høgre gjekk til val på at vi treng nye idear og betre løysingar for å ruste Noreg for framtida. Vi visste allereie for fleire år sidan at vi hadde ei utfordring med eit todelt næringsliv, og tida vi no er inne i, viser kor rett vi hadde. Oljeprisfallet og behovet for omstilling kom raskare enn nokon hadde Trontalen viser at regjeringa vil levere eit budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Det betyr satsing på kunnskap, forsking og innovasjon, infrastruktur og skattelette. Alt dette vil gjere norsk næringsliv meir konkurransedyktig og både få fart på og lette omstillinga. For næringslivet er særleg redusert skattlegging av bedrifter, redusert formuesskatt, utviding av SkatteFUNN-ordninga og forenkling i meirverdiavgiftsordninga viktig. Dette vil gje næringslivet meir pengar å bruke på å skape arbeidsplassar. Til saman har regjeringa gjennomført vekstfremjande letter i skattar og avgifter med 15 mrd. kr sidan 2013. Den nye selskapsskatten vil også bidra til omstilling og motivere til vekst, både i næringslivet, i distriktskommunar og sentrale strøk, ved å påskjøne kommunar som skaper fleire arbeidsplassar. Med dei omfattande satsingane på samferdsle med rekordstore løyvingar både til riksvegar, fylkesvegar og vegvedlikehald oppfyller regjeringa fleire viktige sider ved behovet for raskare omstilling. I 2015 blir det brukt 10 mrd. kr meir på veg og jernbane enn i 2013. Dette er ein auke på 30 pst. på to år. No går vedlikehaldsetterslepet ned, og nye vegar blir bygde raskare. Høgre ønskjer eit samfunn med moglegheiter for alle. Det betyr at vi må styrkje innsatsen for å løfte dei som fell utanfor. Dette er ei av dei sterkaste drivkreftene i det reformarbeidet som regjeringa gjer på kommunesektoren. Vi treng ein kommunestruktur med kommunar som kan løyse dagens og morgondagens utfordringar med å sikre gode velferdstenester og ei berekraftig samfunnsutvikling. Det er eit breitt fleirtal på Stortinget som ønskjer ei kommunereform. Hovudlinja er med unntak for tvang i særlege tilfelle der enkeltkommunar forhindrar ei formålstenleg regional løysing. Ei rekkje undersøkingar viser at det er fleirtal for ei kommunereform blant innbyggjarane, lokalpolitikarane og rådmenn. Dei partia som ønskjer ei kommunereform i Stortinget, har fått om lag 85 pst. av stemmene i lokalvalet, medan Senterpartiet og SV, som er imot ei kommunereform, har fått til saman Valresultatet kan difor ikkje tolkast som ein protest mot kommunereforma, slik som enkelte ønskjer å framstille det. Ein gjennomfører ei kommunereform fordi Noreg har forandra seg svært mykje sidan 1960-talet. Difor vil dette viktige arbeidet halde fram med full

Og då VG hadde ein stor reportasje frå Sunnmøre sist veke, var kommentaren hennar: «Mitt viktigste budskap til alle som nå frykter å bli ledige er: Det er bruk for dere.» Når arbeidsløysa slår inn for fullt, forventar vi noko meir av ein statsminister. Vi forventar at ho gjer noko med permitteringsregelverket utan å bli masa på i halvtanna år av LO, NHO og alle andre med innsikt i kva offshorenedgangen faktisk betyr for folk i dei hardast ramma delane av landet. Vi forventar at ho er meir oppteken av å lære av norske erfaringar med krisehandtering i nyare tid enn av å repetere gamle læresetningar frå Unge Høgre-kurs på seint Vi forventar rett og slett av ein statsminister at ho forstår kva situasjonen handlar om, og set inn tiltak som treffer framfor påståtte tiltak som bommar. Når regjeringspartia manglar svar, går dei til angrep på Arbeidarpartiet – så også her. Vi blir skulda for ikkje å forstå dei langsiktige utfordringane med omstilling. Men det er ikkje slik som statsministeren og andre representantar for regjeringspartia påstår, at striden om arbeidsløysesituasjonen står mellom dei som berre vil gjere noko på kort sikt, og dei som forstår det langsiktige omstillingsbehovet. Striden står mellom dei som ser samanhengen mellom det kortsiktige og det langsiktige – at her må ein gjere begge delar og handle deretter – og mellom dei som i handling avslører at dei ikkje gjer det. Det handlar om noko så enkelt som at innovasjon ikkje berre skjer i garasjar og på guterom. Innovasjon skjer i høgste grad i bedriftene, i klyngene, i daglege møte mellom menneske i same fagmiljø. Difor er det ikkje god omstillingspolitikk å sende alt av ingeniørar og andre fagkompetente folk til Nav ved første anledning. Sjølv om det er mykje fint ein kan finne på med to tome hender, er det ikkje god omstillingspolitikk å basere seg berre på det. God omstillingspolitikk er å yte ein offentleg skjerv til å halde fagmiljøa intakte, så bedriftene kan behalde kompetansen og halde hjula i gang, med eit permitteringsregelverk som er tilpassa situasjonen, med offentlege oppdrag som ei forsert fornying av ferjeflåten og med ein politikk overfor offshorenæringa som får oljeselskapa til å nytte denne perioden til å plugge brønnar og gjennomføre vedlikehaldsarbeid som lett blir skubba på i travlare tider. Ja, vi har ei utbreidd gründerånd på Sunnmøre, om den forliste sunnmøringen som kava seg i land på ein naken holme midt utpå havet og sette i gang med å byggje møbelfabrikk, er i det minste eit forsøk. Men det er altså ein vits. Det er ikkje sant. Med mindre denne sunnmøringen hadde vorte berga av nokon, hadde han døydd, sånn som andre folk. Bønene til høgare marknadskrefter hadde ikkje hjelpt han heller i denne situasjonen.

den førre regjeringa. Ho såg på moglegheitene framover, korleis me kunne føra vidare det gode arbeidet vårt med likestilling. Men denne regjeringa valde å trekkja heile meldinga. Dei skulle koma med ei eiga melding. Det har gått to år utan at me verken har sett eller høyrt noko om likestilling. Kva vil eigentleg regjeringa? Dei skriv så flott i erklæringa si at dei skal jobba for å redusera den kjønnsdelte Hittil har eg ikkje sett eitt einaste tiltak eller verkemiddel som skal gjera noko med saka. Framleis er det slik at ungdom får utdanningsråd basert på kjønn. Er du jente og ikkje skal gå på studiespesialisering, blir du rådd til helse, design eller frisør, medan gutar i same situasjon blir rådde til bil, elektro eller mekanikk. Nokre plassar skjer det heldigvis positive ting, men då er det avhengig av eldsjeler. Det er ingen som har ansvar for likestilling verken i kommunane eller i fylkeskommunane – og tydelegvis heller ikkje i regjeringa. Éin ting er at likestillingsministeren frå Framstegspartiet ikkje er så oppteken av likestilling. Men Høgre, då, som er det største partiet i regjeringa, kva vil dei? Er det i orden for Høgre at likestilling vert sett på vent – ja, rett og slett i revers? Kvar har det vorte av Høgre sin kvinnepolitiske leiar? Før stortingsvalet såg me henne i alle kanalar.

det kom fullstendig uventet. For ett år siden skjedde det samme, oljeprisen falt til 50 dollar – det kom også fullstendig overraskende på ethvert fagmiljø. Etter alle solemerker, uavhengig av oljeprisens utvikling, vil ikke aktivitetsnivået i oljeindustrien være så høyt som det er i dag. Ingen næring kan skaleres opp til å ta den plassen som oljeindustrien i dag har. Politikkens mål må jo være å ta vare på den kompetansen man har, utvikle kompetanse og vri kompetanse over i sektorer som trenger den, gjennom bl.a. en aktiv finanspolitikk. Statens viktigste virkemiddel for å få til aktivitet, omstilling og arbeid er faktisk skattesystemet. Statsbudsjettet og skattemeldingen som nå kommer, kommer til å være en prøvestein på Arbeiderpartiet. prøvestein på Arbeiderpartiet. Prøvesteinen kommer til å bestå i om partiet kommer til å fortsette sin ensidige tilnærming til skattesystemet og skattesystemets virkning. Arbeiderpartiet har vært notorisk opptatt av skattesystemet som et omfordelingssystem, og ikke skattesystemets effekt på produksjon og det I så måte var representanten Bjørdals innlegg en klassiker på hva Arbeiderpartiet har målbåret når det gjelder skattepolitikk de to siste årene. Det har vært som å prate til en stein. Mennesker som har bygd opp en formue fra null, blir stigmatisert av Arbeiderpartiet. Ukvemsord og uthenging er takken. Det er et faktum at skatter og avgifter endrer folks adferd og tilpasning. Økonomien påføres et effektivitetstap, og det er beviselig at det effektivitetstapet er mer enn proporsjonalt med økningen i selve skattenivået. Arbeid har skapt Norge, og arbeid vil forme Norge i framtiden. Derfor er regjeringen så opptatt av å bruke de statlige virkemidlene der staten kan gjøre en forskjell, nemlig på infrastruktur, skattenivå og utdanning. 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning. Veivedlikeholdet, jerbanevedlikeholdet overlatt fra de rød-grønne, er nå i ferd med å hentes inn. Til slutt: Et bærende element i enhver ansvarlig økonomisk politikk vil være å ha et våkent øye til de sårbare gruppene og til dem som trenger et sikkerhetsnett. Det er fortsatt mange som ikke fanges opp, og der har regjeringen lagt fram en strategi, og det vil komme flere … Nå er tiden ute. … forslag til nye velferdsordninger til disse gruppene. Presidenten ber om at man holder seg til taletiden. Vi går en spennende høst i møte. Høyest på den miljøpolitiske dagsordenen står klimapolitikken, og toppmøtet i Paris på senhøsten vil være veldig viktig. Jeg er glad for den handlingsviljen som er til stede, og den bredden i engasjementet vi nå ser. Det har virkelig tatt altfor lang tid å komme dit. Jobben hadde vært enklere, om ikke enkel, om vi hadde hørt på da de første advarslene kom. Det politiske miljøet, også i Norge, bærer et felles ansvar for at det først er de siste årene man har begynt å handle. Noen bærer dette ansvaret i større grad enn andre, og det finnes fremdeles dem som nekter å ta inn over seg at de klimaendringene vi nå ser, er menneskeskapte, og at det er i vår egeninteresse så vel som i fremtidens generasjoners interesse at vi gjør noe det. Vi er den generasjonen som faktisk kan gjøre noe med dette, og det ville være en skam å gå inn i historiebøkene som den generasjonen som ikke gjorde det de kunne. Derfor er vi glad for de brede klimaforlikene vi har hatt her i Stortinget, og for at disse er en viktig del av Norges posisjon i forhandlingene i Paris. Det er like fullt en utfordring at en del andre miljøsaker er kommet litt i bakgrunnen når den viktige klimadebatten har vært den store saken gjennom mange år. Jobben er ikke gjort ferdig, verken når det gjelder vern av naturtyper eller innsats for artsmangfoldet. Vi imøteser derfor også den varslede stortingsmeldingen om artsmangfold med stor interesse. Vern om artsmangfoldet er ikke en øvelse for spesielt interesserte, men et fellesansvar der mye står på spill for oss alle. Kristelig Folkeparti har i dag lagt inn et representantforslag om en nasjonal strategi for villbier og pollinering, noe som skapte en viss munterhet her i salen. Men dette er et eksempel på en sak der matforsyningene på sikt kan være truet på grunn av utilsiktede virkninger av positive framskritt, bl.a. i driftsformer i landbruket. Dette må vi ta tak i, snakke høyt og ærlig om – og handle. Jeg gleder meg til å se tverrpolitisk handlekraft.

Når frafallet i skolen er like stort, når helsekøene økte og stadig flere kjøpte privat helseforsikring, når fortsatt en av fem ikke kan lese og skrive godt nok etter grunnskolen, når forfallet på riks- og fylkesveiene ble større og todelingen av norsk økonomi vokste, ja da grep man ikke muligheten. Vi har dermed naturlig nok en lengre vei å gå i dag enn hva som hadde vært nødvendig hadde vi startet arbeidet med omstilling tidligere. Heldigvis har den nye regjeringen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre bidratt til en ny politisk kurs med en rekke satsinger, slik at vårt velferdssamfunn kan møte framtiden på en god måte. Sammen legger vi grunnlaget for arbeid, aktivitet og omstilling i Norge. Statsministeren startet dagen i dag på Handelshøyskolen BI med et foredrag om nettopp arbeid, aktivitet og omstilling, og budskapet var klart: «Vi bør tenke at vi i fremtiden skal være like kjent internasjonalt for vår evne til forskning og innovasjon, som vi er for fjell, fjorder og gode velferdsordninger.» Det var en viktig påminning. Jeg er derfor stolt over de store satsingene vi har fått til så langt sammen på borgerlig side. Vi løfter yrkesfagene og øker lærlingtilskuddet historisk mye på kort tid. Vi videreutdanner nærmere tre ganger så mange lærere som vi gjorde for knappe to år Vi styrker helsestasjonene med 650 mill. kr og styrker tidlig innsats i barnetrinnet. Vi øker satsingen på skoleledelse og styrker rådgivningen. Vi skaper pasientenes helsevesen, spiller på lag med alle gode krefter og reduserer helsekøene. For første gang på lang tid går vedlikeholdsetterslepet på riksveiene ned, og fylkesveiene får et etterlengtet løft og en satsing. Vi tar i bruk digitale skjema, forenkler regler, fjerner krav og øker lokalt selvstyre, slik at flere gode løsninger kan finnes lokalt. lokalt. Allerede er tusenvis av arbeidstimer spart og smartere løsninger er funnet – til glede for oss alle. Dette og mye mer skal vi fortsette med, for det handler om våre barn som lærer gjennom lek i barnehagen, som møter en entusiastisk lærer, eller de av oss som fikk et godt møte med helsevesenet da kreftdiagnosen var et faktum. Når Norge skal møte framtiden, må vi tørre å ta grep som bygger landet, som omstiller til trygge arbeidsplasser, og som sikrer velferden. Da jeg hørte forrige innleggs beskrivelse av åtte rød-grønne år, er

og jeg mener det viser en manglende respekt og forståelse for både bedrifter og arbeidstakere som nå rammes. Forskjellen fra Stoltenberg IIs håndtering av finanskrisen er svært stor og veldig lett å få øye på, for da hadde man en samlet pressekonferanse, fikk ut budskapet, og næringslivet visste hva en hadde å forholde seg til. Det er også verd å minne om at Høyre og Fremskrittspartiet delvis vant regjeringsmakten i 2013 på et feilaktig budskap om at den forrige regjeringen ikke brydde seg om Vestlandet. Nå er det på tide at denne regjeringen våkner opp og begynner å bry seg, kommer med kraftfulle virkemidler og erkjenner at tusenvis av arbeidsledige på Vestlandet er en krise. Den manglende forståelsen for alvoret i situasjonen kom også tydelig fram da landbruksministeren i en debatt på TV 2 i valgkampen kom med søndagsåpne butikker for å skape titusenvis av nye arbeidsplasser. For det første brukte landbruksministeren tallene fra Fafo feil – det er for så vidt ikke noe nytt. Langt verre er det at regjeringen vil erstatte ekstremt lønnsomme arbeidsplasser innen olje og gass med en mindre effektiv omsetning av klær og matvarer. Jeg skulle ønske at regjeringen tok utfordringene i norsk næringsliv på større alvor, erkjente at deler av næringslivet er midt i en krise, og tiltak. Senterpartiet vil i høst fokusere klart på næringsliv og verdiskaping, og vi forventer at de fire partiene i den blå alliansen vil kjenne på Senterpartiets krav, støtte opp om en økt satsing på en aktiv næringspolitikk og håndtere den krisen som deler av norsk næringsliv er

Store petroleumsinntekter og høg produktivitet i fastlandsøkonomien har gjort det mogleg å byggje ut velferda meir enn i andre land. Vi har også spart til framtidige generasjonar. Men oljenæringa og næringar i tilknyting til den har for tida store utfordringar, først og fremst på grunn av svært låge prisar og overbod av olje i forhold til etterspurnaden. Den betydelege nedgangen i oljeprisen har ført til investeringstørke og utsetjing av svært mange prosjekt på land og sjø. sjø. Dette har ført til oppseiingar, og skip og riggar ligg i opplag langs heile kysten. Det har likevel aldri vore større etterspurnad etter olje og gass, og Noreg vil framleis ta ut store mengder med olje. I debatten om omstilling er det viktig at vi ikkje går i den fella å snakke ned denne viktige næringa og sysselsetjingseffektane hennar. Noreg vil levere olje og gass i dei neste 50 åra og sannsynlegvis nye 50 år etter Vi må liggje i forkant av den teknologiske utviklinga, og det er nettopp det denne næringa skal sørgje for, slik at vi framleis kan vere det landet som produserer olje og gass med lågast mogleg utslepp. Høgre–Framstegsparti-regjeringa skal difor fortsatt styrkje tilrettelegging for teknologisk og industriell vekst og utvikling i statsbudsjettet, slik som vi har gjort dei to føregåande åra. Vidare blir det auka satsing på teknologiutvikling innan petroleumsnæringa også i nord, med 15 mill. kr i friske midlar til DEMO 2000-programmet. Vi veit at nordområda vil vere av stor viktigheit i åra framover for denne sektoren, og det er store forventningar knytte til nye 2015 vil representere eit vendepunkt for det globale klimasamarbeidet med et avgjerande møte i Paris i desember. Men sjølv i klimapolitikken må vi evne å prioritere gode og dårlige prosjekt, spesielt i denne tida med stor arbeidsløyse. Då er det viktigare med gulrot framfor pisk. Eksempel er: lågare bilavgifter som gjer det mogleg for forbrukarane å kjøpe miljøvenlege, trygge bilar uten at det kostar skjorta satse på veg og jernbane for å fjerne flaskehalsar og leggje til rette for meir miljøvenleg transport satse ytterlegare på teknologiutvikling og forsking og alternative energikjelder, og byggje ut lønsam vasskraft sjå på internasjonale tiltak på same måte som norske tiltak. Dette er ei global utfordring som må bli løyst internasjonalt, ikkje av Noreg aleine. Ein må òg fortsetje med regnskogsatsing, osv. Dette er gode og konkrete klimatiltak som vi veit monnar. Framstegspartiet vil føre ein klimapolitikk som er fundert på fornuft og ein enklare kvardag for folk flest. I trontalen står det:

Jeg representerer selv et fylke som er historisk kjent for å lose flyktninger. Fra 1940 til 1945 ble det hjulpet mange norske flyktninger over til Sverige, og svenskene tok imot. Nå går flyktningstrømmen inn i Østfold, inn til Norge. Derfor er det viktig å få avklart fra finansministeren her i Stortinget om hun står ved sin oppfordring til norske kommunestyrerepresentanter om at de bør si nei til å bosette flyktninger, for derved å kunne torpedere Syria-avtalen. Jeg har selv vært i Italia nylig og sett med egne øyne hvordan de tar imot flyktningene som de har plukket opp i Middelhavet. Disse flyktningene måtte ikke sove på gaten før de fikk medisinsk førstehjelp, mat, dusj og nødvendig seng. regjeringen ikke har klart å finne en løsning når det gjelder køen hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen her i Oslo, er direkte dårlig politisk håndverk og svært langt fra regjeringens eget utsagn i trontalen, som tidligere referert. Så leser jeg videre i trontalen og leser ordet «omstilling» elleve ganger på et par A4-sider, som om regjeringen har funnet opp at Norge må omstille seg. Men de som har lengre levetid enn dagens regjering her i landet, ser at Norge har omstilt seg i et stadig større tempo i de siste hundre år. 350 000 arbeidsplasser ble skapt under rød-grønt styre. To tredjedeler av disse kom i privat sektor. Det var bra, og det var nødvendig. Norge må fortsette å omstille seg, men da må verktøyene følge med. Da må regjeringen ta partene i arbeidslivet med på laget, da må kommunene tas med på laget, da må regjeringens evne og vilje til å høre på andre enn seg selv bli større enn det vi har opplevd i forbindelse med endringene i arbeidsmiljøloven og i debatten om søndagsåpne butikker, for å nevne noe. Regjeringen snakker om fellesskap og om at vi gjennom arbeid bidrar til fellesskapet. Dette høres bra ut, men det er mest på papiret. Vi har sett gjentatte ganger i budsjetter og i forslag fra den sittende regjeringen at det er store skattekutt som er det viktigste, ikke mer penger til fellesskapet. Vi har en regjering som er lite lyttende, og som i all hovedsak ikke vil høre på andre enn seg selv. Det er bare å slå fast at denne regjeringen med sin politikk tar Norge i feil retning og bruker den økonomiske handlefriheten Norge har, til å styrke de rikeste i Norge. For de fleste av oss er

I tillegg har regjeringen økt overføringene til fylkesveiene langt over hva som var lagt inn i planen, i NTP. Med en jevn oppfølging av NTP skulle vi ha bevilget ca. 2 mrd. kr på tre år i direktebevilgninger til fylkesveiene. Med det som er skissert vil komme i budsjettet for 2016, ligger vi på litt over 3 mrd. kr. I tillegg kommer bevilgningene til tunnelsikring og lånerammen som blir tilgjengelig gjennom Mer penger til fylkesveier fører til mer vedlikehold og bygging av nye veier. Det øker sysselsettingen her og nå i anleggsbransjen, som er et viktig motkonjunkturtiltak for nedgangen i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen. Vi får også bygd veiene raskere og mer helhetlig enn stykkevis og delt – og med det mer vei for pengene. I mine møter med folk og næringsliv, det være seg på Røros, i Trondheim eller på Frøya, er det bedre veier og kommunikasjon som blir trukket fram som de viktigste tiltakene for at folk vil bosette seg i fylket, og for at bedrifter vil ekspandere eller etablere seg. Det har blitt gjentatt flere ganger fra denne talerstolen i dag at det er viktig å ta hele landet i bruk og utnytte de ressursene vi har, med tanke på at landet trenger flere ben å stå på utover olje- og Regjeringens åpning for økt produksjon i havbruksnæringen er et eksempel på et slikt tiltak. Derfor er jeg svært glad for at regjeringen nettopp satser på hva som etterspørres fra folk og næringsliv: bedre og tryggere veier og god kommunikasjon. På den måten får vi større og mer robuste bo- og arbeidsregioner. By og land blir bundet sammen, og avstanden mellom næringsliv og FoU-miljøer blir kortere. Vi får flere og tryggere arbeidsplasser på både kort og lang sikt. På den måten ruster vi Norge for framtiden og trygger velferden for den enkelte. Det er for Noreg, så iallfall for landa i stillehavsregionen. I natt vart USA, Japan, Vietnam og ni andre stillehavsland omsider einige om ein ny handelsavtale, den såkalla Trans-Pacific Partnership, betre kjend som TPP. Etter mange år med forhandlingar er no ein ny avtale på plass, som til saman rommar 40 pst. av verdas økonomi. Avtalen vil anslagsvis fase ut rundt 18 000 ulike tolltariffar og skape vekst i både utvikla og mindre utvikla land. Det inneber like reglar for vern av opphavsretten. Han opnar opp Internett i kommunistdiktaturet Vietnam. Han slår ned på smugling og utnytting av trua dyreartar, kampen mot ulovleg fiske. Han sikrar eit sterkt regelverk rundt miljøspørsmål og forpliktar alle partar til å følgje ILO sine standardar når det gjeld arbeidsmiljø og forbod mot barnearbeid og tvangsarbeid. TPP er neppe perfekt, og det er eit finsnikra kompromiss som no er halt i land med president Barack Obama som viktigaste pådrivar. Primært skulle ein sjølvsagt ønskje at Doha-runden i WTO hadde kome seg vidare, og at ein kunne fått ein frihandelsavtale som omfatta heile verda. Det har vist seg ikkje å vere mogleg, iallfall ikkje enno, og i nyheitene, fordi dei står i så skarp kontrast til ein del av dei innlegga vi har høyrt frå denne talarstolen i dag, særleg frå representantar frå Senterpartiet, som knapt kan bruke sterke nok ord for å skildre kva for ei ulykke det er med globalisering, handel og samkvem på tvers av

Med friare flyt over landegrensene, som skapar verdiar og velferd, er det all grunn til å glede seg over den nye TPP-avtalen og håpe at vi som bur langs Atlanterhavet, også snart kan få ein liknande og minst like progressiv avtale. Sidan globaliseringa skaut fart tidleg på 1990-talet, har talet på fattige i verda gått ned med 1,2 milliardar. Den utviklinga kjem ikkje av at kvart enkelt land stengjer seg inne bak stadig høgare murar, men av det motsette.

for et konkurransedyktig næringsliv med trygge arbeidsplasser også etter oljen. Ikke minst viktig er regjeringens satsing innen helse og omsorg og andre velferdsordninger som er av stor betydning for enkeltmennesker. Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle. Da må innsatsen for å løfte dem som Det gjør regjeringen ved å gjeninnføre regelen om at helseforetakene skal prioritere rus og psykisk helse – en regel som de rød-grønne fjernet. Vi øker antallet helsesøstre i skolehelsetjenesten og psykologer i kommunene, og vi har gjeninnført psykisk helse i skolen – nok en ordning som de Ved innføring av fritt behandlingsvalg prioriterer regjeringen rus og psykisk helse. Vi legger nå fram en opptrappingsplan for rus, og i primærhelsetjenestemeldingen varsles det en lovfesting av kommunenes plikt til psykologkompetanse.

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon har kalt det for «hjerterått». Ensomhet kan være like skadelig som å røyke, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da regjeringen la Gode fellesskap kan være den viktigste vaksinen mot ensomhet og psykiske plager. Psykisk helse er derfor for første gang løftet fram som en likeverdig del av folkehelsepolitikken, og vi styrker frivillig innsats på området. Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet skal gi et helhetlig løft for en av de mest sårbare pasientgruppene. For mange starter den tøffeste jobben når rusbehandlingen er over. Vi skal derfor sørge for at tjenestene i kommunene blir bedre. Det skal ikke kun handle om helsehjelp. Det skal handle om hjelp til å finne et sted å bo, hjelp til å komme i arbeid eller skole, hjelp til å bygge et rusfritt liv. Det viktigste med satsingen på rus og psykisk helse er hva som kommer ut av det for den enkelte pasient. Hva betyr det å få velge behandlingstilbud? Hva betyr det å slippe lang ventetid for livsnødvendig behandling? Og hva betyr det for ungdom å få en helsesøster eller en psykolog å snakke med om de vanskelige tingene i livet?

er det viktig å omstille seg til. Denne jobben har Høyre startet, og regjeringen vil levere et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Men denne jobben burde vært startet langt tidligere og allerede under finanskrisen. Det er et dårlig alternativ å skru klokka tilbake og reversere viktige endringer som ruster Norge for Det er trist å registrere den bekymringen som oljekrisen har skapt både for næringsliv og for enkeltpersoner som rammes. Det er viktig at vi tar dette på alvor, og det gjør regjeringen. Det er godt å kunne si at Nordland ikke opplever den samme økningen i arbeidsledighet som deler av Rogaland og Vestlandet opplever. Nordland har et variert næringsliv. Vi har kraftkrevende industri, vi har bergverk, havbruk, sjømat, fiskeri, landbruk og handel, for å nevne noe. Her kan veksten fortsette hvis regjeringens forslag til ulike tiltak imøtekommes. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger fra næringslivet på den nye politikken som denne regjeringen leverer, når det gjelder både rammevilkår og samferdsel. For å ta det siste: Her har regjeringen allerede levert mye, og fortsetter å levere. Investeringene har økt, og riksveiene blir vedlikeholdt, slik at endelig går vedlikeholdsetterslepet ned. Videre har tilskudd til fylkesveier skutt i været. Jeg ønsker å gi dere en bitte liten oversikt over tidenes satsing på nordnorske veier fra denne regjeringen: Det er over en dobling i riksveiinvesteringer til landsdelen, fra ca. 1 mrd. kr i året under de rød-grønne til over 2,5 mrd. kr i året under dagens regjering. Regjeringen ligger 50 pst. over det planlagte rød-grønne nivået på tilskudd til fylkesveier. Det har så langt gitt Nord-Norge 200 mill. kr mer. Vi ikke bare følger vedtatt NTP, men gir store satsinger utover NTP. Med den forrige regjeringen ble 22 prosjekter i NTP forsinket av ulike årsaker, bl.a. manglende bevilgninger. I Nord-Norge ble tre prosjekter forsinket på grunn av vesentlig lavere bevilgninger, bl.a. E6 Helgeland sør og E6 Brattås–Lien. For å ruste landsdelen og Norge er det viktig å fortsette med det som virker: bedre rammevilkårene for næringslivet og styrke satsingen på samferdsel. Da sikrer vi både vekst i sysselsetting og livskraftige lokalsamfunn.
President Obama siterte nylig Gorbatsjov og sa: «History will punish those who act too late.» Vi i Norge må skjerpe oss. Vi har latt for mange muligheter gå. EU har redusert klimagassutslippene – vi har økt. Canada har fått til karbonhåndtering og -lagring. Vi ga opp. Sverige har utviklet bioøkonomi. Vi leverer råvarer til dem. Man er skjønt enige om at Norge må omstille seg. Dette er ikke en så stor jobb som noen skremmer oss til å tro, vel å merke hvis vi her i Stortinget muliggjør en slik omstilling. Norsk næringsliv har ikke sovet, Forskningsrådet har ikke sovet, selv om det kan være vanskelig å se alle resultatene fra kompetansen som finnes i universitetene, i næringslivet og i spirer som ennå ikke har startet vekst. Vi har kompetanse på å gjennomføre store prosjekter. ledende kompetanse innen energi og prosess, material-, bore- og marinteknologi. Dette kan brukes til produkter, materialer og løsninger for lavutslippssamfunnet, som sol, nett, bio og miljøvennlig energi til transport, ikke minst for maritim sektor. Vi her i Stortinget har ting å gjøre: Nordmenn har hundrevis av milliarder i pensjonsmidler stående som sparekapital i forsikringsselskaper og pensjonskasser. Disse betydelige økonomiske ressursene har Stortinget vedtatt at vi ikke kan bruke til å investere i langsiktig infrastruktur. Dette må vi endre. Mer kapital må kanaliseres til lønnsom, langsiktig infrastrukturutbygging. Alle kjenner til at Stortinget har vedtatt at nye selskaper som ikke er i skatteposisjon, og som leter etter petroleum, skal få 78 pst. tilskudd og dermed bli plassert i samme posisjon som de som er i skatteposisjon. Dette har ført til mer leting etter petroleum og vekst i funnratene. Tilsvarende ordninger har vi ikke fått til for andre sektorer og for naturressurser, hvor Europa har betydelig underskudd. Norge har unik kompetanse innen kraftkrevende og mineralforedlende industri. Vi har overskudd på fornybar energi, og vi ligger i verdensfronten innen materialteknologi. Vi har et viktig virkemiddel som vi benytter i for liten grad, og det er Garantiinstituttet, GIEK,

som ikke er varig. Det er viktig at vi som politikere ikke tror at det er vår oppgave å velge teknologi, men vi må legge kraftfullt til rette slik at de som kan bidra, lykkes – lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt. Det må vi gjøre her, i Stortinget, og det må vi gjøre nå.

Det er også et formidabelt etterslep på vedlikehold i samferdselssektoren. Riksveiene har et etterslep på 31–47 mrd. kr, fylkesveiene har et etterslep på 45–75 mrd. kr, og jernbanen har et etterslep på 17 mrd. kr. Dette er nå i ferd med å snu. Dagens regjering har bevilget mer til vedlikehold enn det den forrige regjeringen planla – særlig er tunnelvedlikeholdet prioritert. Regjeringen gjeninnførte også rentekompensasjonsordningen for fylkene. I debatten er det fra opposisjonen etterlyst nye reformer i trontalen. Jeg kan berolige med at det allerede er satt i gang en rekke reformer, som nå er under videreutvikling og gjennomføring. I samferdselssektoren har vi bl.a. en jernbanereform, en veireform og

man har skåret igjennom og tatt avgjørelser når det gjelder KVU-er langs E39 i Hordaland, i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal samt godsterminalene i Trondheim og i Bergen. Denne regjeringen har satt i gang mange tiltak som skal forbedre norsk konkurransekraft. Norge er et dyrt land å produsere i, men løsningen er ikke å bli billigst, men å bli smartest. Derfor prioriterer regjeringen mer til næringsrettet forskning, skattelettelser til norske bedrifter og raskere bygging av vei og bane. Vi investerer i grønne løsninger i dag for å ta ledelsen i det grønne skiftet i framtiden. Denne regjeringen skal lede landet – fra en gryende pessimisme til ny optimisme. Det går et skille i næringspolitikken mellom oss og opposisjonen, så også i debatten i dag. Det er

Vi svarer økte rammer for SkatteFUNN når Arbeiderpartiet sier at de skal forske mer i næringslivet. Vi sier økte rammer til brukerstyrt innovasjonsarena når Arbeiderpartiet snakker om innovative bedrifter. Jeg skal konkretisere dette ytterligere ved å peke på sjømatnæringen. I programmet for denne perioden og i vår egen sjømatmelding varslet vi at verktøyet for bærekraftig vekst innen havbruk måtte være større forutsigbarhet og et mer objektivt tildelingsregelverk for konsesjoner alt til store protester fra Arbeiderpartiet i stortingsvalgkampen for to år siden. Vissheten om at man ved å satse på forskning og utvikling sikres forutsigbar vekst og økt verdiskaping, utløser forskning i bedriftene – og i samarbeid mellom bedriftene og forskningsinstitusjonene. Dette premisset fikk heldigvis full tilslutning i denne sal da vi behandlet havbruksmeldingen i juni – til og med fra Arbeiderpartiet. Da ser vi litt stort på det faktum at de kom litt sent. Avslutningsvis vil jeg synliggjøre det tredje og viktigste perspektivet i dette bildet. Norges viktigste bidrag til verdens matproduksjon er faktisk ikke antallet laks vi klarer å produsere, men den kunnskapen om å produsere mat fra havet vi utvikler, og kan gi som bidrag til en voksende verdensbefolkning som stadig behøver mer mat. Dette er et resultat av at vi har sjømatnæring som får rammevilkår for å forske mer, som får rammevilkår for å utvikle seg til å bli en næring i

at investeringer i grønn retning vil bli prioritert i det som skal være med og løfte næringslivet framover: kunnskap, forskning og innovasjon. Det er lenge siden Venstre begynte å snakke om og arbeide med det grønne skiftet. Derfor er vi tilfreds med at regjeringen har erkjent dette behovet og jobber med det. Men det må jobbes mye mer med det. I dag er Norge f.eks. rangert på 33. plass over attraktive land for Det er ikke godt nok. Gjennom kontakt med representanter for det sjøbaserte næringslivet vi har i Norge, registrerer jeg stadig at det samme næringslivet er klar til å ta utfordringen med grønnere krav. Blant annet derfor har vi pekt på at det må settes krav om nullutslipp fra ferger, kystfraktefartøy og hurtigbåter innen 2030. Det må innføres et nytt anbudsregime med nullutslippsteknologi for nye fergeanbud fra 2016 og parallelt bygges ut infrastruktur for landstrøm og LNG. Offshorerederiene står nå midt oppe i en vanskelig markedssituasjon. Fartøy legges i opplag, og sjøfolk må gå fra jobbene sine. Denne situasjonen har også dramatiske ringvirkninger for tilstøtende virksomhet, ja, for hele lokalsamfunn. Vi har alle et ansvar for å møte denne situasjonen med det største alvor. Regjeringen har et særskilt ansvar. De lokalsamfunn som er berørt, har et spesielt behov for positive stimulanser. Mer enn noen gang trenger vi samferdselsprosjekter som kan knytte bo- og arbeidsmarkedsregioner tettere sammen. I min del av landet trenger vi fergefri E39 gjennom hele Møre og Romsdal, og vi trenger Nordøyvegen slik vi trenger Trollheimforbindelsen. Sjømatsektoren, fiskeri og havbruk, ja, hele den marine sektoren, vil bli enda viktigere for norsk økonomi for vår framtidige velferd. Hvis vi ordner oss bra, vil vi innen villfisk, oppdrettsfisk og nye marine arter til sammen kunne få en flerdobling av verdiskapingen. Dette vil være godt for norsk eksportverdi, for arbeidsplasser og for kystsamfunn. Innenfor villfisk vil Venstre ha en ytterligere satsing på ressurs- og bestandsforskning. Havbruk er blitt en av våre viktigste næringer, spesielt Det er bred enighet i Stortinget om havbrukspolitikken. I tillegg til en positiv enighet om mulighetene i næringen går enigheten også ut på at næringen har en betydelig jobb å gjøre for å få bukt med rømming av fisk, kjemikaliebruk og for mye lus på fisken. Det å løse konfliktene som driver mennesker på flukt, er

har vært i en situasjon der vi har hatt behov for hjelp av andre. Da viste andre oss raushet. Nå kan vi vise raushet overfor dem som behøver det aller mest. Som ofte før i internasjonale konflikter rammes kvinner og barn aller hardest. Det er alvorlig først og fremst fordi det ødelegger liv, men også fordi en generasjon av mennesker ikke fikk bli med å bygge opp landet de kom fra. Barnekonvensjonen ble vedtatt i FN i 1989. Det er grunn til å minne om at denne forplikter verdens land til å ta spesielt vare på barn når det er krig og konflikter. Vi har sett mange eksempler de seneste årene på at dette ikke etterleves i praksis. Barn har krav på en trygg barndom, og barn har krav på en familie som tar vare på dem. Nå kommer det mennesker på flukt til Norge. Det vil være en utfordring for norske kommuner, men samtidig har vi sett enkeltmennesker i de samme kommunene som stiller opp mer enn noen gang. Vi behøver en nasjonal dugnad for de menneskene som kommer til oss og behøver hjelp. For noen barn kan en ny kosebamse som erstatning for den man mistet på flukt, være viktig. Norge står overfor utfordringer i et arbeidsmarked som er i endring. Oljesektoren er ikke nødvendigvis drivkraften i norsk økonomi i all framtid. Derfor vil det være viktig å vektlegge arbeid, aktivitet og omstilling, som regjeringen gjør. Arbeid gir økonomisk trygghet for den enkelte, men trygger også framtidens velferd. Omstilling handler om å møte framtidens utfordringer nå. Et godt eksempel på det er Høyres satsing på skolen og også forskning. Derfor er det viktig at Høgskolen i Østfold får utvikle seg som en regional kompetansearena for læring, forskning og innovasjon i samarbeid med regionens næringsliv. Forrige uke la forsvarssjefen fram sine fagmilitære råd. Dette vil danne grunnlaget for en ny forsvars- og sikkerhetspolitisk debatt basert på nye utfordringer lokalt og globalt. Regjeringen tar nasjonal sikkerhet på alvor og ønsker å møte framtidens utfordringer. Nasjonal sikkerhet er også regional sikkerhet. Det er nå viktig å finne balansen mellom gode regionale løsninger og et forsvar som skal løse sikkerhetspolitiske utfordringer i

og lokalt. På den utenrikspolitiske arenaen har NATO-alliansen vært Norges sikkerhetspolitiske ankerfeste fra 1949, og alliansen har vært en god sikkerhetsforanstaltning etter siste verdenskrig, både i den kalde krigs tid og etter at den kalde krig ble avblåst. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, og også på andre kontinenter, er endret. En kan nevne Russlands folkerettsbrudd i Ukraina, uroen i Midtøsten, herunder spesielt IS’ ekstremt brutale fremferd i Syria, og de ulike stygge overgrep som skjer mot menneskeheten på det afrikanske kontinentet. I en tid med raskt skiftende sikkerhetspolitiske utfordringer er det viktig at Forsvaret har den nødvendige handlekraft og midler til å tilpasse seg vår tids trusler og utfordringer som til enhver tid måtte oppstå. Over svært mange år har dessverre Forsvarets kapasiteter blitt redusert og dermed evnen til raskt å omstille seg til den nye tids utfordringer. I Forsvarssjefens fagmilitære råd som nettopp er fremlagt, sier forsvarssjefen bl.a.: «Viktige deler av forsvarsstrukturen mangler den reaksjonsevnen og utholdenheten de store endringene rundt oss krever at den må ha.» Det er nå viktig å skape en riktig situasjonsforståelse, slik at Forsvaret bygges opp til å bli det relevante førstelinjeforsvaret for NATO i Norge slik at mottak av alliert støtte sikres. I Forsvarssjefenes fagmilitære råd, som er et svar på oppdragsskriv fra forsvarsministeren, blir det antydet nedlegging av en rekke nåværende avdelinger og baser for å tilpasse Forsvaret til den endrede forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjonen, der en del av omleggingene i utgangspunktet kan synes problematiske. Regjeringen skal ha stor ros for at det er fremlagt et usminket fagmilitært råd fra Forsvaret, slik at en kan få en best mulig oppdatert situasjonsforståelse av forsvarsevnen til vårt eget forsvar. Det er flott at regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke Forsvarets operative evne, og det er annonsert fremleggelse av en langtidsplan for forsvarssektoren til våren. Dette ser jeg frem til, og jeg håper langtidsplanen vil bli undergitt en god og omfattende behandling i Stortinget, slik at vi kan få et forsvar for fremtiden som er i stand til å ivareta vårt lands nye sikkerhetspolitiske utfordringer på en god måte. Vi er det så viktig at både kortsiktige og langsiktige tiltak settes inn for å hjelpe flere folk i jobb. Regjeringen har helt siden den tiltrådte vært opptatt av omstilling og å ruste Norge for fremtiden. Derfor er det ganske oppsiktsvekkende når Arbeiderpartiet sier at det gjøres for lite for sent. Det er jo Arbeiderpartiet som er sent ute. De styrte i åtte år med lite fokus på reformer og omstilling. Det var åtte år med reformtørke. Vi gikk til valg og vant med nye ideer og bedre løsninger for å ruste Norge for fremtiden. Dagens regjering leverer og har satt i gang reformarbeid på en rekke viktige samfunnsområder. Regjeringen legger til rette for økt satsing på kunnskap, forskning, innovasjon og infrastruktur, slik at vi ikke skal bli så sårbare ved svikt i oljeinntektene. Tiden vi er inne i, viser hvor rett vi har hatt. Norsk oljenæring vil fortsatt være viktig, men mye tyder på at det er andre næringer og nye arbeidsplasser som må løfte vårt samfunn videre inn i fremtiden. Vi har over tid blitt for avhengige av oljen. Vi trenger flere ben å stå på. Fallet i oljeprisen gjør at omstilling til nye næringer må skje raskere. Årene med omstilling kan bli krevende for Norge, men utgangspunktet vårt er godt. Vi har en godt utdannet befolkning, høy teknologisk kompetanse, jevn fordeling og rike naturressurser. Når det blir høyere ledighet, blir det enda vanskeligere for dem som står lengst unna arbeidslivet. Det blir flere som konkurrerer om de ledige stillingene. 84 000 funksjonshemmede står Regjeringen vil ha et arbeidsliv med plass til alle og ønsker å bruke det ordinære arbeidslivet mer i arbeidsmarkedspolitikken, med en lavere terskel inn for dem som strever med å få en jobb. Regjeringen har foreslått tiltak som reduserer arbeidsgivers risiko ved å ansette utsatte grupper, som å lette adgangen til midlertidig ansettelse, økt bruk av lønnstilskudd og tilretteleggingsordninger. Høyre og regjeringen vil satse mer på det som virker, som lønnstilskudd til arbeidsgivere som tilbyr arbeidsledig ungdom arbeid. Det har vært en døråpner for mange inn i arbeidslivet. Likedan kan midlertidig ansettelse også være et springbrett for dem som ikke har arbeidserfaring. Handlekraft er å gjøre mer av det som virker. Handlekraft er å tenke nytt og ikke være redd for å sette nye ideer og tiltak ut i livet. Handlekraft er å gjøre de kortsiktige og nødvendige grepene for å håndtere økt ledighet, samtidig som det føres en politikk som ruster Norge for fremtiden. Heldigvis har vi en regjering som gjør det. Trontalen sa i år lite om lokalsykehus og sykehusstruktur. I påvente av en nasjonal plan er det stille fra regjeringen. Er det stille før stormen? Troen på at sentralisering alltid gir bedre tjenester, er for meg en myte. Denne myten er utfordret av pasientforeninger, helsetjenesteaksjoner, Legeforeningen, lokalsykehusenes interesseorganisasjon og befolkningen. Helhet, kontinuitet, nærhet, tilgjengelighet og samarbeid mellom første og andre linje er kvaliteter som ofte kommer i skyggen av det høyspesialiserte. Lokalsykehusene har viktige oppgaver, også innenfor rusomsorg og psykisk helsevern. Igjen er det sammensatte ofte best ivaretatt på et lokalsykehus. Skal det høyspesialiserte fungere etter planen, må de få de riktige pasientene sortert. Når pasientene er ferdige hos de høyspesialiserte, må de tilbake til lokalsykehusene for etterbehandling. Det er en god oppgavefordeling. Pasientene er fornøyde med sine lokale sykehus, men de er ikke fornøyde med den evige usikkerheten om sykehusets framtid, sykehusets oppgaver og bemanning. De ansatte på lokalsykehusene er også fornøyde med å jobbe på et lokalsykehus, men ikke med den evige usikkerheten om sykehusets framtid. Engangslegen, som vi hørte om før i dag, er ikke lokalsykehuslegen. Min påstand, som lege på Rjukan sykehus og Notodden sykehus i Telemark, er at vi gir gode helsetjenester på lokalsykehusene.

bør være uavhengig av maktapparatet og beholde sin selvstendighet og sin troverdighet. Jeg håper også at Stortinget og politikerne i større grad tar tilbake eierskapet til helsepolitikk og i større grad er premissleverandør for de store linjene innenfor spesialisthelsetjenesten.

og primærhelsetjenesten utgjør om lag 124 mrd. kr. Det er store beløp og derfor svært viktig hvordan vi disponerer disse midlene. Forebygging og tidlig innsats er en god måte å disponere midlene på, både for den enkelte brukeren og for oss som skal bruke pengene. Dette utgjør nesten en fjerdedel av de totale utgiftene i statsbudsjettet. I trontalen ble det varslet et kompetanseløft for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det ble også varslet en stortingsmelding om fagskoleutdanning. Begge de temaene er særlig viktige. Det kan gi oss en primærhelsetjeneste i verdensklasse, men vi har noen løft Velferdsteknologi gjør det mulig å ta disse løftene enklere for dem som er ansatte, og gjør det mer brukervennlig for den enkelte som er avhengig av hjelp, særlig i hjemmet. Vi har i dag mer ubrukt kompetanse enn vi kanskje liker å tro. Vi har aktivitører som i mindre grad blir brukt i kommunesektoren. Vi har helsesekretærer med et høyt kompetansenivå. Vi har fotterapeuter som mangler heltidsstillinger. Vi har ergoterapeuter som hver dag legger til rette for brukere. Når det gjelder velferdsteknologi, er det egentlig ingen i helsesektoren som helt har tatt ledertrøya. For Venstres del tror vi at mange står parat til å løfte oss fram. Særlig ergoterapeutene er en kompetansegruppe vi tror kan brukes mer her. Det gjelder å tilpasse, men det gjelder også innkjøp. Dette er teknologisk utstyr som mange teknologer selger, men det er viktig at de som skal kjøpe inn,

og som kan bistå dem som er brukere.

Men også i skolen har vi enkelte utfordringer, og da tenker jeg ikke bare på realfagsutfordringer, litt skuffende matematikkresultater, eller det noen mener er litt for dårlige plasseringer på PISA-rankinger. Da tenker jeg på at altfor mange barn opplever å få hverdagen ødelagt av mobbing, trakassering og sosial isolasjon på skolen. For noen av disse barna betyr dette en ødelagt barndom. Elever er ikke bare råvarer for framtidens næringsliv, som de ble omtalt som på NHOs årskonferanse i fjor. Elever er først og fremst barn, og vi må sørge for at barna våre er trygge og har det bra når de er på skolen. Statsministeren skal ha ros for at hun flere ganger har løftet kampen mot mobbing, bl.a. i sin nyttårstale til folket. Nå er det på tide å gjøre ord til handling og omforme de gode intensjonene til praktisk politikk, for det er mulig å gjøre noe. Djupedal-utvalget har gitt oss en ganske rikholdig verktøykasse, med over 100 forslag til tiltak som kan bidra til å redusere mobbingen. Vi må jobbe forebyggende, men vi må også ta grep for å sikre barnas rettssikkerhet. Ingen må oppleve at de ikke blir tatt på alvor når de varsler om mobbing, og ingen må oppleve at skolen eller skoleeieren ikke følger opp ansvaret sitt. Vi kan ikke tåle å høre enda flere historier om barn som har blitt krenket på skolen uten at de voksne griper inn. Og vi kan ikke tåle å høre enda flere historier om foreldre som fortviler, fordi de føler seg alene i kampen mot et byråkratisk system når de varsler om at barna deres blir mobbet, krenket og trakassert. Jeg er spent på hvordan regjeringen vil følge opp rapporten fra Djupedal-utvalget, og jeg er spent på hva vi kan forvente oss innenfor dette feltet i statsbudsjettet som legges fram på onsdag – ikke minst hvordan regjeringen ønsker å følge opp prøveprosjektet med mobbeombud, Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag for, og som nå nærmer seg slutten. Hvis vi får bukt med mobbingen, vil det føre til at flere fullfører skoleløpet. Det vil bidra til at flere kan konsentrere seg om læring uten å bekymre seg for hva som venter dem i skolegården, og det vil bidra til økt læring hos elevene. Men kampen mot mobbing handler først og fremst om menneskeverd for barna våre, og at de skal føle seg trygge og ha det bra når de er på skolen.
sysselsettingssituasjon har så langt preget debatten om årets trontale. Det er naturlig, da vi har den høyeste ledigheten i Norge på 22 år. I tillegg er det mange, slik arbeidsministeren beskrev i sitt innlegg, som går rundt med en klump i magen og lurer på om det er de som snart må inn i ledighetskøen. Det var derfor interessant å høre arbeidsministeren problematisere hvordan en utvidelse av tida en kan være permittert, til 52 uker, kan føre til en innløsningseffekt. Arbeidsministeren minner om at arbeidsledigheten synker i åtte fylker. I stedet for å ta vare på kompetansen i bedriften er det, slik jeg forsto arbeidsministeren, viktig at arbeidstakere raskt forflyttes til en bedrift i et fylke der ledigheten er lavere. Mon tro om det beroliger den arbeideren arbeidsministeren har møtt som går rundt med klump i magen og lurer på om han snart blir arbeidsledig. En lengre permitteringsperiode vil kunne gi bedrifter mulighet til å ta vare på kompetanse. På den måten kan bedriften raskere komme i gang igjen når situasjonen endres. Da vi hørte på arbeidsministeren i dag, la han stor vekt på at regjeringen kommer til å øke bevilgningene til vedlikehold i statlig sektor. Det er bra. Men det er like viktig å se på kommunesektoren – om den får midler til å kunne øke antall ansatte i eldreomsorgen og i skolen, om kommunene får muligheten til å sette i gang store, nye vedlikeholdsoppgaver og andre investeringer. Men det ser ikke ut som om det er det som skjer. Tvert imot varsler flere og flere kommuner at budsjetter må kuttes, og at investeringsplaner utsettes. Pengene er der om vi bruker dem på en mer fornuftig måte ved å prioritere. Her har Arbeiderpartiet lagt fram et kommuneopplegg som treffer kommunenes behov langt bedre enn det regjeringen la opp til da kommuneproposisjonen ble presentert. For to år siden satte Stoltenberg-regjeringen ned Innlandsutvalget. Utvalget skulle se på de særskilte utfordringene vi har i Innlandet. Utvalgets arbeid ble etter en stund videreført av Nå venter vi spent på hva som kommer ut av utvalgets arbeid. Vi forventer at vi ser spor etter det allerede i statsbudsjettet. Vi forventer at vi ser spor av at jord- og skogbruket settes i førersetet når det gjelder den varslede bioøkonomistrategien. Vi forventer en regjering som ser verdien av clusteret på Raufoss, som bidrar til omstillinger hver eneste dag. Mulighetene er mange hvis vi bruker pengene på det viktige. Nå venter vi bare på at regjeringen handler. Kristelig Folkeparti er glad for at de fire samarbeidspartiene har bidratt til et viktig og nødvendig taktskifte i samferdselspolitikken i vårt land. Det skal bygges mer sammenhengende vei og jernbane, planleggingstiden reduseres, og for første gang på flere tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på riksveier og jernbane. Dette er viktige og samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer både på kort og lang sikt. Endelig er vi på vei mot det som var et av hovedmålene med handlingsregelen da den ble innført i 2001, nemlig at de midlene i det enkelte års statsbudsjett som skulle hentes fra oljeoverskuddet, primært skulle bidra til økt satsing på infrastruktur og forskning. I tillegg til økt trafikksikkerhet, færre drepte og bedre framkommelighet for mennesker og gods er økt infrastruktursatsing også en god distriktspolitikk. Vei- og jernbaneutbyggingen knytter regionsentre og distrikter sammen og bidrar til et utvidet bo- og arbeidsmarked. En aktiv distriktspolitikk må bygge på tanken om og viljen til å opprettholde bosetting og næring i hele landet. Det må legges til rette for en bærekraftig verdiskaping innenfor forutsigbare rammer. Men så vet vi at for at distriktene skal være attraktive for unge mennesker, må det skapes kompetansearbeidsplasser der det er bruk for mennesker med høyere utdanning. Derfor er det viktig framover at statlige arbeidsplasser i større grad Dette bidrar også til mindre press på Oslo-området, med store trafikkutfordringer, høye bolig- og etableringskostnader og høye lønninger. Utflytting av statlige arbeidsplasser ble gjort i stor stil under Bondevik II-regjeringen, mens det under Stoltenberg I og II skjedde lite, dessverre, på dette området. Erfaringene med utflyttingen under Bondevik II ble evaluert i en egen rapport, og resultatene var veldig interessante. Det ble ikke påvist mangel på relevant kompetanse. Det var høy grad av effektivitet, og det var høy kvalitet på tjenestene som skulle leveres – en viktig stimulans fra de nye kompetansearbeidsplassene til distriktet som disse lå i, noe som igjen ga positive ringvirkninger når det gjaldt tilflytting av unge mennesker og merverdi for etablert næringsliv.

oljeavhengig. Dette er grunnen til at Høyre i mange år har snakket om behovet for omstilling. Dessverre var ikke Norge godt nok forberedt på det som kom. Det beror kanskje på den troen man har i Arbeiderpartiet, og som vi har hørt fra Arbeiderpartiet i dag, at omstilling er noe som skjer hele tiden, hver dag, uansett om man gjør noe eller ikke. Det har aldri vært rom for omstilling i sosialdemokratiets prosjekt. Men de fire partiene på borgerlig side gjør noe med det, f.eks. er samferdselsbudsjettet økt med 30 pst. på to år fordi satsing på infrastruktur er viktig, det er bra for arbeidsplasser. Holder vi byggeaktiviteten i gang, betyr det at flere kan stå i arbeid. Og så har vedlikeholdsetterslepet gått ned. Det er rart med det, men det er faktisk noe nytt i norsk samferdselspolitikk. I tillegg tar vi erkjennelsen av at en for høy skatteregning begrenser muligheter til å utvikle seg, investere og ansette flere mennesker. Derfor har vi redusert skatteregningene i Norge. Vi har økt satsing på forskning og innovasjon: 1,6 mrd. kr mer enn forrige regjering. I disse midlene ligger det også en bevilgning til omstillingsbehov for Sørlandet og Vestlandet. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har denne regjeringen senket terskelen til arbeidslivet, og vi har også gjort det enklere å avtale arbeidstid lokalt. Nettopp fordi man har gjort forsøk med en slik ordning, har trivselen gjerne gått opp, sykefraværet gjerne gått ned, og det har blitt økt stillingsbrøk av det. Folk får mulighet til å jobbe smartere, fordi det blir enklere å tilpasse arbeidstiden til det livet man faktisk lever.

Vi får unyanserte framstillinger av vår skattepolitikk uten at Arbeiderpartiet forteller hvem som skal få økt skatt. – Det er tydeligvis enkelt å sitte i opposisjon. Den enkle retorikken kan Arbeiderpartiet få lov til å beholde for seg selv. Den gode politikken skal Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet ta seg av. Toppoppslaget i trontalen er

Europa står overfor store utfordringer på grunn av flyktningsituasjonen, men det er ikke Europa som tar imot flest, og i Europa er det ikke Norge som tar imot flest verken når det gjelder kvoteflyktninger eller asylsøkere. Lite tyder på at situasjonen vil endres med det første. Til oss vil det komme flere enn det anslaget på 16 000 asylsøkere som regjeringa nå legger til grunn for 2015 – både i 2016 og i 2017. Er vi forberedt på det? Mottakskapasiteten må økes, men oppgaven stopper ikke der. I trontalen sier regjeringa at høy sysselsetting og lav ledighet er grunnmuren i den norske modellen. Her ligger kanskje den aller største utfordringa. Flyktningene trenger kommuner som vil ta dem imot. De skal på introduksjonsprogram og lære norsk, de skal ha godkjent utenlandsk utdanning, og de skal ut i arbeid. Og la oss håpe at Heggelund har rett når han sier at regjeringa har senket terskelen inn i arbeidslivet. Egentlig er det litt av et paradoks at alle de statsrådene som har ansvaret for at mottak, bosetting og integrering skal gå bra, er fra Fremskrittspartiet, som gikk mot avtalen om flere kvoteflyktninger. Mens inkluderingsministeren sender brev til kommunene om å bosette flere, motarbeides hun av sin egen partileder og finansminister, som på den ene side ber kommunene si nei til bosetting, men som på den annen side selv sitter med ansvaret for å skaffe de pengene som skal til. Jeg antar at finansministeren ikke gjør forskjell på kvoteflyktninger og asylsøkere. Følger kommunene hennes oppfordring, vil justisministeren arve problemet i form av overfylte mottak. mottak. Når folk blir sittende i mottak, kommer de ikke i gang med introduksjonsprogram og integrering. Og jo lengre tid det tar å få folk i gang med livet i Norge, jo vanskeligere blir oppgaven for arbeidsministeren som skal få folk i arbeid, og da øker sosialhjelpsutgiftene. Så må vi alle prise oss lykkelige over at Fremskrittspartiet i forrige periode ikke fikk flertall for sine forslag om å kutte 0,5 mrd. kr i budsjettet til UDI. Det er nok justisministeren glad for i dag. Før valget sa Erna Solberg ok til Siv Jensens angrep på Stortingets flyktningavtale. Den situasjonen vi nå står overfor, krever lederskap. Statsministeren må ta det lederskapet. Det må ikke råde noen tvil om at regjeringa gjør sitt ytterste for å løse den utfordringa vi står overfor, både på kort og på lang sikt. Den todelte økonomien og behovet for omstilling er

Fra dag én har regjeringa, i samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre, levert budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Det betyr en betydelig økt satsing på kunnskap, næringsrettet forskning og innovasjon, infrastruktur og skattelettelser som gjør norsk næringsliv mer konkurransedyktig. I debatten har vi hørt Arbeiderpartiets leder, representanten Gahr Støre, snakke om at vi gjør for lite, for seint. Det høres nesten ut som et sitat fra 2013 og en beskrivelse av arven etter den rød-grønne regjeringa. La oss ta samferdsel som et eksempel. En god og velfungerende infrastruktur er avgjørende for at næringslivet skal få fraktet varer inn og ut fra bedriften, men det er også viktig for at vi skal ha gode hverdagsregioner der folk kan bevege seg til og fra jobb og fritidsaktiviteter. I møte med bedrifter rundt om i landet er infrastruktur ofte øverst på Situasjonen høsten 2013 var følgende: for det første et formidabelt vedlikeholdsetterslep på vei og bane som hadde økt hvert år under rød-grønt styre. På riksveier var etterslepet godt over 30 mrd. kr og på jernbanen ca. 17 mrd. kr, og da har jeg heller ikke tatt med fylkesveier. For det andre: Det var lang planleggingstid. Det tok i snitt ti år å planlegge et veiprosjekt. Og for det tredje: Det var 22 prosjekt som var forsinket eller ikke ble gjennomført i henhold til framdriftsplan i Nasjonal transportplan. Etter regjeringsskiftet i 2013 er samferdsel løftet opp som et av de viktigste satsingsområdene. Vedlikeholdsmidlene er økt, og i 2015, for første gang på flere tiår, reduseres det rød-grønne forfallet både på vei og på jernbane. Sammenlignet med 2013 bruker vi nå

For lite, for seint er ikke en god beskrivelse av dagens situasjon. Det passer bedre som en dom over den rød-grønne politikken. Jeg synes det blir bekreftet i denne debatten, der vedlikehold av infrastruktur ikke blir nevnt av opposisjonen som et virkemiddel for å øke aktivitetsnivået og få folk tilbake i jobb.

sier at regjeringen fører en politikk for by og land. Det er vel og bra at man bruker Arbeiderpartiets slagord «By og land hand i hand» og har det som mål, men politikken som føres av dagens regjering, viser dessverre noe annet. Det er ikke så rart når man velger å bruke de store pengene på skattekutt. Jeg mener at regjeringen driver en distriktsfiendtlig og sentraliserende politikk. politikk. Vi har ikke minst sett dette tydelig i mitt hjemfylke, Nordland. Fra dag én har denne regjeringen kommet med forslag som har gått i feil retning. De startet godt med å kutte i regionale utviklingsmidler, noe som ikke minst gikk utover Nordland. De innførte nye kostnadsnøkler for fylkeskommunene som rammer Nordland ekstra hardt. Om ikke dette blir endret, vil det bety 283 mill. kr mindre per år fra 2019. I tillegg vet vi at regjeringen har sagt nei til å kompensere skattesvikten ute i kommunene. De har også innført en ny selskapsskatt som bare 10 pst. av kommunene kommer til å komme positivt ut av. På flere som har stått på talerstolen her i dag, høres det ut som det er den nye redningen for næringslivet.

at Arbeiderpartiet i sitt budsjett faktisk hadde 1,5 mrd. kr mer til samferdsel enn Høyre og Fremskrittspartiet hadde i sitt opprinnelige forslag. De kuttet i tilskudd til bredbåndsutbyggingen. Resultatet ser vi nå. I dag ble søknadene offentliggjort. 32 av 172 søknader ble innvilget i 2015. Bare i Nordland var det flere søknader enn hele potten for 2015. Så får vi se på onsdag om de ønsker en videre satsing. Som om ikke dette skulle være nok, vet vi at de har foreslått å endre på eiendomsskatten på verker og bruk, noe som vil ramme kommunene hardt. Dette var bare noen eksempler på at dagens regjering tar Norge i feil retning.

Det vi har hørt om i debatten i dag, er at regjeringen ifølge regjeringspartiene har bevilget litt mer til alt og satt i gang utredninger av enkeltstående omstillingstiltak som spriker i mange retninger, og at dette vil de gjøre mer av neste år – men altså ingen visjoner for landet. I valgkampen i høst var Fremskrittspartiets budskap at de skal gi folk en enklere hverdag. Det hadde tydeligvis ikke gehør eller tillit hos befolkningen. Fremskrittspartiet gikk sterkt tilbake ved valget. Høyre vil gi muligheter for alle og har nye ideer og bedre løsninger. Heller ikke dette hadde gehør eller tillit i befolkningen ved valget i høst. Også Høyre gikk sterkt tilbake i valget. Tilfeldig? Vel, folk har nå opplevd Fremskrittspartiet og Høyre i regjering. Det har blitt skattelette. Formuesskatten er redusert. Men en ansvarlig økonomisk politikk kan være utfordrende, og målet om at det ikke skal bli mindre velferd med skattelette, har de ikke klart å nå. Det merker ungene, som opplever kutt i barnehagene, kutt i skolene, færre lærere og kutt i vedlikehold av offentlige bygninger, som betyr dårligere skolebygg og gymsaler. Det opplever de eldre innenfor pleie og omsorg, med kutt i tilbud som resultat. Om de opplever en enklere hverdag og nye muligheter og bedre løsninger, vet ikke jeg. Hva velgerne har lagt vekt på når de gjør sine valg, er ikke lett å vite. Et nærliggende spørsmål er imidlertid om ikke Fremskrittspartiet og Høyre bør se på sin egen politikk for å finne svaret. Var det manglende visjoner som var årsaken? Det var i hvert fall de rød-grønnes visjoner for samfunnsutviklingen som vant valget. Det har vært mye snakk om omstilling her i dag, og at den forrige regjeringen burde forutsatt denne situasjonen og startet omstillingen tidligere. Dette blir for dumt. Den forrige regjeringen gjennomførte en rekke omstillingstiltak for å møte utfordringene med hensyn til finansiering av velferdsstaten i framtiden, med en aldrende befolkning, og legge til rette for en omstilling fra et oljebasert næringsliv. Pensjonsreformen, uførereformen og arbeid for et inkluderende arbeidsliv gir incentiver til økt arbeidsinnsats og mulighet for å stå i arbeid lenger. Utbygging av barnehager gir familiene mulighet for at både far og mor kan ta del i arbeidslivet. Den norske modellen med høy organiseringsgrad, koordinert lønnsdannelse, et velregulert arbeidsliv og trepartssamarbeid har bidratt til utjevning og tillit mellom folk, noe som er grunnleggende for omstilling av arbeidslivet. Ulike virkemidler for omstilling av næringsliv og fornying av offentlig sektor er andre tiltak. Perspektivmeldingen peker på utfordringene vi opplever nå, og mulige svar. At man er uenig i disse tiltakene, er en ærlig sak, men å si at det ikke ble gjort noe, blir feil. Vi står i dag overfor eit omstillingsbehov som ein vanskeleg kunne sjå omfanget av for berre få år tilbake. Vi er

Viktigare enn nokon gong er evna til å kombinere erfaring med nytenking for å sikre ei langsiktig og stabil utvikling i ei raskt endrande verd. Arbeidarpartiet sin fremste samferdselspolitikar sa tidlegare i dag at han ikkje kjente seg igjen i historieforteljinga frå Høgre. Det er urovekkjande, for den samferdselshistoria er faktisk ikkje ei subjektiv historieforteljing

Det betyr at 20 pst. ikkje var i rute. Det vil altså seie at eitt av fem prosjekt var forsinka, og det er absolutt ikkje ei historie å vere stolt av. Dei raud-grøne hadde overoppfylt NTP på eitt område: med omsyn til kroner. Men landet hadde ikkje bruk for ein verdsmeister i pengebruk – landet hadde bruk for mest mogleg infrastruktur for pengane. Med Høgre og Framstegspartiet i regjering og i godt samarbeid med Kristeleg Folkeparti og Venstre ser vi no at vedlikehaldsetterslepet for første gong på mange tiår er redusert. Regjeringa er på god veg til å hente inn vedlikehaldsetterslepet på jernbane og har dobla tilskotet til fylka og innført dei rentefrie låna att, slik at fylkesvegane kan bli kvitt Noreg har no ei regjering som ønskjer å bruke kunnskapen og erfaringa historia har gitt oss, og vi har ei regjering som har blikket vendt framover, som tør å ta grep, og som vil bidra til å styrkje næringslivet på eit av dei mest etterspurte områda: samferdsel. Det er ei infrastruktursatsing som òg vil auke etterspørselen etter arbeidskraft, men ikkje minst skape gode bu- og arbeidsregionar med trygg, føreseieleg ferdsel for trafikantane. Vi har ei regjering som no tek alle gode verkemiddel i bruk for å skape ei trygg framtid for Noreg si befolkning i ei global

Både nåtidig og framtidig velferd og verdiskapning er avhengig av at man nå investerer massivt i forskning, utdanning og infrastruktur. Jeg merket meg at Arbeiderpartiet og Gahr Støres fremste kritikk av trontalen var at ordet «omstilling» ikke ble satt i en historisk kontekst, og at det ble underkommunisert at omstilling skjer hele tiden. Jeg tror det er en kritikk vi kan leve med. Men jeg merket meg også at Arbeiderpartiet var det partiet som brukte mindre oljepenger enn regjeringspartiene i budsjettet for i år. Arbeiderpartiet mener tydeligvis at det er en riktig politikk i den situasjonen vi står i i dag, at flere av pengene investeres i utlandet, heller enn at de investeres i Norge, slik regjeringspartiene ønsker. Jeg synes det er en merkelig prioritering, og jeg synes det viser at Arbeiderpartiet ikke har omstilt seg. Der er ikke det noe som altså skjer av seg selv hele tiden, selv om de har vedtatt at de skal være et nysgjerrig parti. Behovet for verdiskapende investeringer i forskning, utvikling og infrastruktur er stort. Da må vi bruke den muligheten vi har nå til å gjøre de nødvendige grepene som skal til for å sikre Norges velferd og verdiskapning i en tøff internasjonal situasjon. Fremskrittspartiet er veldig fornøyd med at regjeringen har som uttalt mål at Norge skal være blant Europas mest innovative land. Det er avgjørende for at vi skal kunne ha vekst og velferd også i framtiden. Den næringsrelevante forskningen må styrkes, og programmer som Brukerstyrt innovasjonsarena, som stimulerer til ambisiøse FoU-satsinger i norsk næringsliv, må videreutvikles. Det er verdt å merke seg at bl.a. NHO gir klart uttrykk for at de er glad for regjeringens styrking av næringsrettet forskning. Forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge dokumenterte nettopp hvordan verdiskapningen er kunnskapsbasert, samt at forskningsbasert verdiskapning er sterkest i de næringsmiljøene som også har de sterkeste forskningsmiljøene rundt seg. Politikk handler om å prioritere, og Fremskrittspartiet vil prioritere den næringsrelevante forskningen innenfor petroleumsforskning, marin forskning og teknologiområdene nanoteknologi, bioteknologi og IKT. Vi må også ta inn over oss at det er de harde fagene, realfagene, som i særlig grad er konkret verdiskapende og innovasjonsdrivende.

Med Fremskrittspartiet i regjering har vi altså fått det europeiske ytterpunktet til å forvalte mange av de viktigste klimadepartementene. Det er sjelden jeg hører Venstre-politikere mer engasjert enn når de prøver å grønnmale Fremskrittspartiet. De sier at det ikke er noe problem hva man mener, men det sier seg jo selv – det gjør noe med viljen til å løse et problem når man ikke engang mener at det er et problem. For det er sant som Trine Skei Grande sa i valgkampen for to år siden: I klimapolitikken er ikke Fremskrittspartiet bare på en annen planet, de er i et annet univers. Problemet er bare at nå er det de som sitter med hånda på rattet. Det er synlig i klimapolitikken, og ikke minst er det synlig i den andre viktige miljøkampen: arbeidet med å ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet. Naturen er under stort press, og det er summen av alle små inngrep som til sammen er alvorlig. Naturen brytes ned stykkevis og delt. Nå har regjeringen sittet i to år, og i sommer ga de tre største miljøorganisasjonene regjeringen strykkarakter for sin innsats for å ta vare på natur. De listet opp 24 punkter hvor de mente at regjeringen var en pådriver for å ødelegge naturen. bl.a. WWF-leder Nina Jensen sa det: «Med sin naturfiendtlige politikk ødelegger de livsgrunnlaget til truede dyrearter, øker miljøtrusselen, ødelegger verdifull natur og ødelegger naturopplevelsen for folk.» Det er det selvsagt lov til å være uenig i, men istedenfor å gå inn i debatten var svaret fra regjeringspartiene klart. Miljøpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet mente dagen etter at all støtte til miljøorganisasjonene måtte kuttes fordi han mente de var blitt late og kunnskapsløse. Det er lett å dra på smilebåndet av at de som mener at FNs klimapanel bare er tull, mener at miljøbevegelsen er kunnskapsløs. Men problemet er at det er egentlig ikke morsomt, det er ganske alvorlig, for det sier noe både om miljøpolitikken og om demokratiforståelsen. Det er bare land vi ikke liker å sammenligne oss med, som møter politisk kritikk med trusler om kutt i støtte. Så må jeg da bruke mine siste sekunder på å si at jeg er uenig med Fremskrittspartiet. Miljøbevegelsen i Norge er verken kunnskapsløs eller lat. Tvert imot: Miljøbevegelsen i Norge er svært kunnskapsrik og aktiv, og det er vel også det som er regjeringens problem.

60 millionar menneske er på flukt frå krig og konfliktar. Det er vår største humanitære krise. Noreg er eit fredeleg, demokratisk og ressurssterkt land. Noreg må ta sin del av ansvaret for det som no skjer i Europa, og me har ei regjering og ein statsminister som tek det ansvaret. Det kjem ein eigen proposisjon til Stortinget om ei ekstra løyving til humanitær Regjeringa har teke initiativ til ein gjevarkonferanse for flyktningane i Syria og nærområda, og Noreg bidreg med søk og redningsskip i Middelhavet. Noreg er òg høgt på banen når det gjeld diplomatisk internasjonalt arbeid. At store folkegrupper, som no, blir forflytta gjennom Europa utan grensekontroll og registrering, kan ikkje fortsetje. Flyktningkrisa vil stille store krav òg til Noreg. Kommune-Noreg vil måtte stille opp, og mange kommunar gjer det. 11 000 flyktningar vil bli busette i kommunane framover. Ikkje minst er den frivillige innsatsen frå organisasjonar og enkeltpersonar viktig. Det er avgjerande for at integreringa skal bli god. For eitt år sidan, under trontaledebatten, var hovudbodskapen at me i Noreg gjekk inn i ei ny økonomisk verkelegheit. Me snakka om den nye normalen. Den varsla nedtrappinga i oljeinvesteringane kom saman med ei nærast halvering av oljeprisen. Det slo hardt mot dei delar av landet der oljenæringa er førande. Me opplevde ein bråbrems, og mange har opplevd å miste arbeidet – særleg på Sør- og Vestlandet. Regjeringas forslag til 2015-budsjett tok høgd for lågare oljeinvesteringar og trefte godt, sjølv om opposisjonen meinte budsjettet då var for ekspansivt. Utover våren kom det likevel bodskap frå opposisjonen om at tiltaka var for lite, for seint. Denne regjeringa følgjer den økonomiske utviklinga nøye, og det er varsla tiltak mot aukande ledigheit. Det er varsla auka lærlingtilskott, spesifikke tiltak for ledige ingeniørar, ein eigen ungdomspakke, fleire tiltaksplassar og

Derfor er Fremskrittspartiet særdeles opptatt av norske sykehus og de tilbud som der gis. Mange venter i spenning på regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan, som legges frem om kort tid. Det blir en plan for fremtidens sykehus, en plan til beste for det norske folk. Uavhengig av at planen fremlegges, kommer lokaliseringskampene til å pågå også i fremtiden. Hvor skal det nye sykehuset ligge, hvilke funksjoner skal det inneholde, og hvordan kan det best tjene pasientene? Fremskrittspartiet vil være lokalsykehusenes beste venn. Vi ønsker ikke å redusere sykehustilbudet, selv om vi erkjenner at ikke alle sykehus kan tilby alle typer behandling, til alle mennesker, til alle døgnets tider. Og med tanke på at vi blir stadig flere mennesker her i landet, spesielt i de store byene, er det viktig både å vedlikeholde og ta vare på det vi allerede har av sykehusbygg, samt bygge tidsriktig, funksjonelt og fremtidsrettet når nye prosjekter realiseres. Dessverre har tidligere regjeringer pådratt Helse-Norge et gedigent vedlikeholdsetterslep. I rapporten «State of the Nation», utgitt av Rådgivende Ingeniørers Forening tidligere i år, konkluderer man med at det i spesialisthelsetjenesten finnes 40 pst. utilfredsstillende 10 pst. svært dårlig bygningsmasse med behov for større tekniske oppgraderinger. I denne forbindelse er det riktig å peke på det grepet regjeringen tok da man opprettet eiendomsforetaket Sykehusbygg HF for å sikre profesjonalisering og bedre gjennomføring av store prosjekter. Det å være helsepolitiker kan mange ganger være en vanskelig oppgave. Det er så mange enkeltskjebner, så mange man gjerne skulle hjulpet, folk som blir stående fast i systemet. Nettopp derfor er det så gledelig å se at pakkeforløp for kreft, et fremskrittspartiforslag som ble nedstemt så sent som i 2011, nå er innført og allerede sørger for at kreftsyke ikke lenger blir kasteballer i systemet. For Fremskrittspartiet er det en selvfølge at kreftpasienter skal oppleve god kvalitet, rask oppfølging og trygg behandling. Det skulle egentlig bare mangle.

Infrastruktur er altså ikke bare infrastruktur i seg selv. Det handler ikke bare om menneskene og varene som befinner seg på veien akkurat der og da. Det handler i like stor grad om alt det som foregår alle andre steder. Det påvirker arbeidsliv, næringsliv, kunnskapsliv, fritidsliv – ja, selve livet. Lukten av asfalt handler i like stor grad om at en får levert barnet sitt i barnehage og tatt bussen til jobb. Arbeiderpartiets mål er derfor å bygge og utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og tryggere, med gode kommunikasjoner og transportmuligheter over hele landet, slik at en kan leve det livet en vil. Arbeiderpartiet la i forslag til nåværende NTP opp til et taktskifte i samferdselspolitikken. Det er jeg stolt over, men ikke fornøyd med. Jeg registrerer nå at regjeringen omtaler dette taktskiftet som sitt eget. Jeg konkluderer med at kjært barn har mange navn og også mange foreldre. Det er bra at samferdselsministeren stiller seg bak den rød-grønne NTP-en. Stortinget er enig om mye i samferdselspolitikken, men ved noen veikryss skiller vi retning: En jernbanereform på feil spor en veireform på ukjent vei hvis forsøk synes å være viktigere enn faglige råd, og hvor konkurranse er viktigere for konkurransens egen del enn å bygge mer vei for fellesskapets penger, er etter min mening feil prioritering. Nå signaliserer regjeringen også i arbeidet med ny NTP at alle prosjekter skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Med dagens regnemåte vet vi hva det vil bety for en rekke av landets planlagte og ønskede prosjekt, nemlig ingenting og ingen oppstart. Jeg håper jeg tar feil. Bare å se på det som skjer på veien, blir for snevert. For Arbeiderpartiet handler transportpolitikk om hele samfunnet vårt, og om hvordan vi tilrettelegger for gode liv over hele landet. Det vil være vårt fokus.

Vi vil styrkja kommuneøkonomien og setja i verk tiltak som verkar når landet har aukande arbeidsløyse. Arbeid til alle er framleis det viktigaste. Når enkelte næringar no slit, må staten ha ei aktiv rolle i å skapa aktivitet og ha treffsikre arbeidsmarknadstiltak. I tillegg til velferdsgoder vil vi bruka skatteinntektene til å Vi skal gje kommunane større moglegheit til å bidra som næringsutviklarar og medverka til utvikling av bedriftsnettverk. Gjennom å utnytta kvarandre sin kompetanse og kvarandre sitt utstyr ser vi at bedriftene utviklar seg og blir meir konkurransedyktige. Vi ser at det nyttar å bruka skattepengar på å leggja til rette for næringslivet. Det må satsast på entreprenørskap for å styrkja og fornya næringslivet. Fleire unge bør få anledning til å utvikla og driva eigen bedrift. Satsinga på ungt entreprenørskap skal medverka til at gründerar får utvikla seg og bli dyktige næringsdrivande i framtida. Eksportretta næringsliv skal ha gode og trygge vilkår. Vi vil bruka handlefridomen til tiltak slik at utsette næringar beheld og får vidareutvikla sin kompetanse, slik at det også i framtida blir Velferdstenestene blir utførde i kommunane. Næringsutviklinga skjer i kommunane, og ved å styrkja næringsutviklinga, skattleggja fornuftig og styrkja kommuneøkonomien sikrar vi velferdsgoda til den enkelte. Difor vil det alltid vera viktigare for Arbeidarpartiet å satsa på elevar og eldre framfor skattekutt til dei som har mest frå før. Trontalen inneholdt mange generelle vendinger om velferd og verdiskaping, og mange av punktene er

budsjettet. Jeg tillater meg derfor å frambringe noen eksempler på hva denne politikken, eller mangelen på politikk, kan føre til. Før sommeren i år foreslo Høyre–Fremskrittsparti-byrådet i Bergen å kutte klestillegget for sosialhjelpsmottakere, øke terskelen for å starte barnevernssaker og redusere aktivitetstilbudet for psykisk syke. Det nå avtroppende Høyre–Fremskrittsparti-byrådet i Bergen har også lagt fram sitt forslag til budsjett for 2016. Der er det flate kutt for hele kulturlivet, kutt for hele kulturlivet, kutt i tjenester for utviklingshemmede, kutt i rusforebyggende arbeid, kutt i bostøtten for sosialhjelpsmottakere, kutt i tilskudd til Kirkens Bymisjon. Kommunene er til for oss alle, men spesielt for dem som trenger hjelp, enten det er fra kommunen eller fra frivillige og ideelle organisasjoner som kommunen legger til rette for. Jeg er klar over at dette ikke er et kommunestyre eller bystyre, men jeg sier det for å få fram konsekvensene av regjeringens politikk. Landets rikeste mennesker har fått økt sin Landets rikeste mennesker har fått økt sin disponible inntekt enormt, mens i Kommune-Norge er det harde kutt for dem som trenger fellesskapet mest. Dette er realiteten ute i vårt langstrakte land, en realitet som er langt unna diskusjonene i denne sal om såkalte vekstfremmende skatteletter. Dersom regjeringen vil redusere sosiale forskjeller, må den sette kommunene i stand til å gjøre nettopp det – hvis ikke er det bare tomme ord.

I fylket der eg kjem frå, er nedbemanninga for alvor komen innan oljenæringa, og ikkje minst innan fleire andre næringar som òg har hatt levebrødet sitt frå ei rik oljenæring. Det er utfordringar som eg vil tru gir større ringverknader framover enn det vi anar. Regjeringa fokuserer på arbeid, aktivitet og omstilling – aktivitet viss ikkje arbeid er tilgjengeleg, og omstilling til eit anna yrke eller moglegheit for tilleggskompetanse som gir utteljing for arbeid. Framstegspartiet i regjering er bevisst desse utfordringane. Denne situasjonen vil kanskje òg ha innverknad på sjukemeldingar og uføretrygda, noko ein må arbeida godt for å motverka. Mistar ein jobben, aukar sannsynet kraftig for at ein blir uføretrygda. Særleg gjeld dette arbeidstakarar over 50 år. Dette var overskrifta i Aftenposten for nokre dagar sidan, og det er ein av konklusjonane til økonomiprofessor Kjell G. Salvanes. Utstøyting frå arbeidslivet er hardt nok for dei som blir arbeidsledige, men å stå utanfor på grunn av sjukdom er like vondt. Difor er IA-avtala særs viktig i slike høve. Tvungen omstilling blir det også for familiar med barn. Fleire som er, og blir, råka av nedbemanning, er familiar der kanskje både mor og far har blitt oppsagde. Det er klart at heile familien må omstilla seg. Barn får ofte med seg mange av dei bekymringane som dei vaksne måtte ha. Difor er det viktig å ha med seg denne utfordringa som dei minste òg vil ta inn over seg. Dei kan få ein minska livskvalitet som gjer at storsamfunnet må vera obs og kanskje trø til på ulike område seinare. Utfordringane i samband med den store og alvorlege flyktningkrisa gjeld også mange familiar med barn. Desse familiane og barna vil òg måtte meistra ei omstilling i eige liv. I tillegg til den traumatiske situasjonen dei er i, må dei òg tilpassa seg eit nytt land og nye Vi i Noreg skal òg ta desse utfordringane på alvor. Dei fleste kommunar tar inn over seg behovet for å ta imot fleire flyktningar. Men det er viktig at ein har tilgjengelege ressursar slik at velkomsten og vidare oppfølging blir så god som mogleg. Difor er auka tilskot og auka kompetanse viktig, i lag med bustader, helse, skule og barnehagetilbod. Kanskje må ein òg tenkja litt på differensiering i introduksjonsprogrammet. Mange som kjem hit, er godt skulerte, mens andre ikkje er det. det. Då må ein kanskje sjå på fordelinga av tilgjengeleg hjelp. Framstegspartiet har vore med på ein auke i hjelp til flyktningar i nærområda, noko vi støttar vidare. Vi er òg med på å ta eit løft her heime og på å fortsetja innsatsen for å redda liv i Middelhavet. Mange millionar kroner har òg blitt løyvde vidare, og det vil vi fortsetja med. Framstegspartiet i regjering er opptatt av familiane, og spesielt familiar med barn.

den multifunksjonshemmede jenta, den trafikkskadde gutten, den rusavhengige og halvkriminelle som innerst inne vil noe helt annet, den rådville flyktningfamilien, damen med demens eller mannen som nærmer seg reisens slutt, og som har rett til og krav på en verdig sisteetappe med ro, omsorg og smertelindring. Hvordan skal alle disse og andre sikres optimal behandling i Jeg sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen. Uinnvidde tror at det er både tørt og kjedelig. Det er det ikke. Vi skal sørge for at kommunene er i stand til å levere de tjenestene som disse menneskene trenger. Det synes jeg er vel verd å kjempe for, både i budsjett og i enkeltsaker. Jeg besøker og kjenner mange kommuner i Norge, og ærlig talt, det er ujevn kvalitet. I noen kommuner, som sier at alt går greit, har folketallet kanskje sunket og arbeidsmulighetene minket mot alles vilje, og mange tjenester blir dyrt kjøpte. For Kristelig Folkeparti er det nå viktig at vi støtter opp om gode prosesser i kommune- og demokratireformen. Ja, det er bra at kommuner fungerer godt i dag – med henvisning til dyktige enkeltpersoner og samarbeidsavtaler – men hva med å sikre innbyggerne de beste tjenestene for de neste

at de beste løsningene skapes frivillig og lokalt. Kristelig Folkeparti vil også selvfølgelig beholde små kommuner der det er hensiktsmessig, og fortsatt være en trofast forkjemper for distriktene. Men det vil utvilsomt være en stor styrke i mange regioner om de klarer å skape mer robuste enheter med stabile fagmiljøer – det fortjener folk. Jeg – og vi på Stortinget – er valgt for å ta viktige nasjonale avgjørelser. La oss gjøre det i en dugnad,

Alle er kjent med veivedlikeholdsetterslepet vi sliter med, og alle har et forhold til det. Men Forsvaret har faktisk tilsvarende utfordringer, med et formidabelt etterslep i milliardklassen. Dette byr på ekstra utfordringer når vi nå skal jobbe oss fram til en ny langtidsplan for Forsvaret, en langtidsplan som skal bygge opp igjen vår forsvarsevne. Dette betyr at mens vi bygger opp Forsvaret, må vi parallelt ta igjen etterslepet. Dette blir en krevende manøver. Forsvarssjefen har lagt fram sitt fagmilitære råd og er veldig tydelig på utfordringene vi står overfor. Det er nå opp til oss politikere å ta de tøffe prioriteringene som må bidra til økt operativ evne, tydeligere tilstedeværelse og hurtigere reaksjonsevne. For å få til dette må Forsvaret bruke eksisterende midler mer rettet mot den spisse enden, samtidig som vi må øke forsvarsbudsjettene. Det er ikke satset så mye på Forsvaret siden sist vi hadde en borgerlig regjering. Det er gjort viktige grep:

Utfordringene har bygd seg opp over tid og vil ta tid å løse. Men regjeringen har prioritert økt tilstedeværelse og styrket operativ evne i nord med videre økning også for 2016. I dag er det mange som har vært opptatt av den økende arbeidsledigheten. Det er I dag er det mange som har vært opptatt av den økende arbeidsledigheten. Det er vi i Arbeiderpartiet også. Vi i Arbeiderpartiet mener at en med en langt mer målrettet innsats kan nå flere mål samtidig. Vi vil sette i verk tiltak for dem som mister jobben. Vi vil bruke handlefriheten for at bedrifter i utsatte sektorer, som leverandørindustrien og maritim sektor, beholder kompetansen i en omstillingsperiode. Mye av ledigheten er knyttet opp mot oljenæringen og fall i oljeprisene som et resultat av reduksjon i investeringer på norsk sokkel og sterk reduksjon i boring etter letebrønner. Dette medfører at rigger legges i opplag. Bare i bergensområdet ligger det flere i opplag nå. For å redusere noe av denne effekten kan det investeres i plugging av gamle brønner. Det finnes mange gamle letebrønner og gamle produksjonsbrønner som er klare for å plugges permanent og fjernes. Oljerigger som nå ligger uvirksomme i opplag, med tilhørende mannskap, vil kunne gi økt aktivitet for leverandørindustrien med ringvirkninger lokalt for mange vestlandskommuner som er sterkt påvirket av nedskjæringer og nedbemanning. Leieprisen per i dag, eller det som kalles riggratene, er nå halvert i forhold til for to år siden. Ergo blir kostnadene ved å gjennomføre denne typen arbeid vesentlig lavere, som igjen betyr at dette er et gunstig tidspunkt. Dette er uansett et ansvar som staten må betale for, og vi kan få dette arbeidet til halv pris nå, så dette må jo være en vinn-vinn-situasjon. Tilgjengelighet på utstyr, personell og kompetanse er her nå. Dette bør benyttes. Som nevnt tidligere ligger det flere oljerigger i opplag bare i bergensområdet som kunne ha vært benyttet til denne typen oppdrag. Dette er oppdrag som på et eller annet tidspunkt må gjøres. Hvorfor ikke gjøre det nå, samtidig som vi kan bidra til økt sysselsetting, og beholde kompetansen som vi har i dag?

NRK Finnmark bruker normalt mellom fem og ti minutter på sine morgennyheter. I hele sommer har veinyhetene tatt dobbelt så lang tid som de ordinære nyhetene. Det har vært asfaltering, det har vært omkjøringer, og det har vært vedlikeholdsarbeid over hele fylket. Sør-Varanger kommune har nær sagt sett ut som et anleggsområde. Da må man spørre seg selv: Hva er det som har skjedd, hvis det er slik at dagens regjering faktisk ikke leverer? Jo, det som har skjedd, er at denne regjeringen bevilger for Finnmarks del 125 pst. mer enn det Stoltenberg-regjeringen ga fra seg i 2013, og det er til vedlikehold av fylkesveiene våre. Vi bruker 50 pst. mer til veiinvesteringer i dag enn hva vi gjorde under og vi bruker mellom 60 og 70 pst. mer til vedlikeholdsarbeid på våre veier enn hva som var foreslått av Stoltenberg-regjeringen. Så blir det også hevdet her at nei, det skjer sentralt. Nei, det gjør ikke det. Det er faktisk slik at Nord-Norge i dag sitter igjen med over 20 pst. av veibudsjettet. Det som var normalen under de rød-grønne, var en plass mellom 6 og 7 pst., og de var oppe i 14 pst. Dette er en historisk satsing, og for første gang på 30 år ser vi at etterslepet faktisk blir redusert. Men det er ikke det eneste området. Regjeringen har sagt ja til utbygging av overføringskapasitet av energi mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Finnmark, en investering på nærmere 3,5 mrd. kr. Uten denne utbyggingen – og senere videre til Varangerbotn – blir det meste om satsing i nord bare snakk. For dagens kapasitet er sprengt, har vært sprengt de siste ti årene, uten at den rød-grønne regjeringen løftet så mye som en finger.

imot kommunereformen, imot politireformen, imot ny sykehusstruktur, deres toppkandidat i Oslo vil innføre skoleuniform, og partiet sentralt og lokalt har som sin største ambisjon å møte morgendagens utfordringer med en 50 år gammel modell. Jeg snakker selvsagt om Senterpartiet. Det norske samfunnet har utviklet seg betydelig siden forrige kommunereform. Vi blir stadig flere, vi flytter på oss, vi har nye transportmuligheter, nytt bosettingsmønster, ny teknologi og nye kommunikasjonsmuligheter. I dag må kommunen dekke så å si hele spekteret av disse tjenestene. Men mange kommuner har ikke store nok fagmiljøer til engang å levere gode nok velferdstjenester. Psykisk helse og barnevern er to gode eksempler på dette. Kommunene har fått større oppgaver, men er ikke blitt større i seg selv, og dette misforholdet har ført til mange interkommunale samarbeid. Denne utviklingen svekker den lokaldemokratiske styringen av tjenestene. Et flertall av norske lokalpolitikere ser denne utfordringen. Derfor ser vi i undersøkelse etter undersøkelse at de ønsker kommunereform. Men Senterpartiet og også SV sitter her i sine stortingskontorer i Oslo og sender følgende beskjed til lokalpolitikere: Vi vet best. Vi vet best hvordan du skal løse dine lokale utfordringer. De har gjennom hele valgkampen dessverre dyttet foran seg bruddstykker av rapporter og det jeg vil kalle for skremselspropaganda om lokaldemokratiets fall. Ja, hva skal jeg si – man har nesten prøvd å spille på frykten for endring. Men Norge vil endre seg, Norge har alltid endret seg, og vi vil endre oss i større fart enn noen gang før. Framtidens utfordringer krever en konstant omstillingsevne. Mange her snakker i dag om at Norge må omstille seg – hvordan skal vi møte situasjonen i arbeidsmarkedet? Men det starter jo gjennom å ha robuste kommuner. Det er i lokalsamfunnene arbeidet skal skapes, og da må vi ha sterkere kommuner. kommuner. Idet vi går inn i en ny sesjon, håper jeg vi nå fra både Senterpartiet og SV – og også fra Arbeiderpartiet, basert på hva jeg så i valgkampen noen ganger – kan se en mer konstruktiv holdning til hvordan vi skal lage Kommune-Norges framtid. Da er første dag av trontaledebatten ferdig. Presidenten minner om at vi møtes i morgen kl. 10, og at første taler er statsminister Erna Solberg. Ber noen om ordet før møtet heves?